full tilslutning fra komiteen, men på et par områder er det uenighet. Jeg vil si noe om disse i det følgende. Den ene konfliktsaken i innstillingen dreier seg om petroleumsskatten og innstramminger i den såkalte friinntekten. Regjeringen har som kjent foreslått å sette ned satsen i friinntekten fra 7,5 pst. til 5,5 pst. Friinntekten er som kjent i praksis en ekstra gunstig for investeringer på sokkelen. Med dette forslaget reduseres dermed den samlede friinntekten fra 30 pst. til 22 pst. Ressursene på norsk sokkel tilhører folket i Norge. Petroleumsskatten skal sørge for at når disse verdiene tas opp, skal grunnrenten – den ekstraordinære og eieren er altså det norske folk, det norske fellesskapet. Samtidig er det viktig å ha et system som legger til rette, slik at vi får investeringer der ressursene faktisk blir tatt opp. Disse hensynene – altså et investeringsvennlig skattesystem på den ene siden, men samtidig et skattesystem der grunnrenten tilfaller fellesskapet – er det er ikke så mange land som har klart å kombinere i like stor grad som vi har her i Norge. Men vi har altså fått det til, og den moderate innstrammingen i friinntekten, som flertallet i komiteen legger til grunn at Stortinget vedtar, endrer ikke dette bildet. Dette er etter vårt syn en mindre justering av en skjevhet som har gjort at staten over tid har dekket en for stor del av kostnadene ved investeringer på sokkelen. Etter forslaget må selskapene ta en noe større del av kostnadene ved investeringer. Stabilitet og forutsigbare rammevilkår er, og har vært, en styrke for det norske petroleumsskattesystemet. Hovedtrekkene i dette systemet har ligget fast siden 1992 og gjør det fortsatt. Jeg vil legge til at denne stabiliteten er veldig viktig. denne stabiliteten er veldig viktig. Men stabilitet i seg selv kan ikke uten videre stå i veien for endringer – i lys av utviklingen i sektoren og forbedringer av systemet. Selv etter dette moderate, forsiktige innstrammingsforslaget, som det er grunn til å tro får flertall – jeg skal komme til bake til det – vil det fortsatt være et meget investeringsvennlig som en nå skal gjennomføre, er velkjent, drøftet og analysert av flere regjeringer, men det er først nå det blir gjennomført. Komiteens flertall mener derfor at endringen over tid – sammen med vekstpakken som regjeringen har foreslått for fastlandet – vil bidra til kostnadsbevissthet i næringen, og at den også over tid vil bidra til en mer balansert utvikling i norsk økonomi. Jeg har merket meg gjennom høringen, i mediene og gjennom innstillingen vi nå debatterer, at det virker å være bred tilslutning til de grepene som er foreslått. At samtlige partier, med unntak av Fremskrittspartiet, stiller seg bak forslaget, skaper forutsigbarhet og trygghet rundt

For å kunne fastsette korrekt skatt og avgift er det sentralt at skatte- og avgiftsmyndighetene får opplysninger om pengetransaksjoner og pengeoverføringer. Myndighetene må få informasjon om hvem som står bak, og hvem som eier de innestående beløp som blir overført. Komiteens flertall slutter seg derfor til at advokater og andre tredjeparter som har slike opplysninger, skal gi denne informasjonen til skatte- og avgiftsmyndighetene når de krever det, uten hinder

Men selv om ressursene på norsk sokkel er viktige for fellesskapet, er det ingen direkte korrelasjon mellom skjerpede skattebetingelser og økte skatteinntekter. Fremskrittspartiet registrerer at regjeringen mener at skatteskjerpelsen som innføres for friinntekten i petroleumsskatten, vil øke skatteinntektene fra petroleumsnæringen med 70 mrd. kr i årene 2013–2050. Inntektsberegninger 37 år frem i tid bør man være varsom med. Det oser av planøkonomi. Regjeringen beskriver skatteskjerpelsen nærmest som en gavepakke uten negative ringvirkninger: 70 mrd. kr inn uten konsekvenser for næringen? Neppe. Moderat innstramming, som komitélederen hentydet til? Neppe. Hensikten med friinntekten er å skjerme investeringer med normal lønnsomhet fra særskatt. Skatteendringen vil redusere lønnsomheten i fremtidige prosjekter og vil ramme marginale felt. Dette vil påvirke aktivitetsnivået mange år frem i tid både med hensyn til haleproduksjon og økt utvinning. 2 mrd. kr i året i økt skatt vil merkes. Hva med stabiliteten i skattesystemet? Jeg registrerer at komitélederen fremhevet at det var stabilitet, men man kan vel ikke endre regimet og hele tiden påstå at det er stabilitet. Det er endring, og det er altså noe som næringen vil merke. Kanskje man burde foreta en faglig utredning før man gjør den type endringer. en flertallsmerknad kommenterer regjeringspartiene at skatten vil bidra til en mer balansert utvikling i norsk økonomi. Men er det en selvstendig målsetting? Hva er da poenget med næringsministerens satsingsområder – som innebærer akkurat det motsatte av en balansert utvikling i norsk økonomi? Eller har regjeringen en annen definisjon av hva balansert utvikling i norsk økonomi er? Norge er et lite land, og vi har ikke forutsetninger for å bli verdensmester i alt. Våre unge kunnskapstalenter må inn i næringer som utvikler avanserte løsninger og ny teknologi – og inntekter. Petroleumsnæringen gjør nettopp det. Regjeringen foreslår å endre loven slik at advokater kan gi skattemyndighetene opplysninger om sine klienters pengeoverføringer, innskudd og gjeld og hvem som er part i overføringer. Fremskrittspartiet er enig i at skattemyndighetene skal ha innsyn, men vi stiller oss skeptiske til at advokater pålegges å bryte sin taushetsplikt en skepsis vi deler med mange instanser. Advokaters taushetsplikt bør ikke svekkes «for the greater good». I januar ble det nedsatt et utvalg som har mandat til å gjøre en bred vurdering av advokaters taushetsplikt. Fremskrittspartiet mener vi bør la utvalget arbeide seg ferdig før man konkluderer. Fremskrittspartiet går imot regjeringen forslag og fremmer sammen med Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre et alternativ hvor vi ber regjeringen komme med «forslag der advokaters klientkontoer håndteres i tråd med Advokatforeningens forslag og slik at unntak fra taushetsplikten ikke er nødvendig».

Skattefritak for kollektivkort og treningskort, fjerning av arveavgiften, individuell pensjonssparing og årlig sparebeløp på 40 000 kr, bedret BSU-ordning, bedret vrakpantordning, bedre betingelser for SkatteFUNN, fjerning av arbeidsgiveravgift for lærlinger, for å nevne noen. På denne måten vil folk bli oppmuntret til å ta ansvar for sin egen livssituasjon istedenfor å få passive ytelser fra det offentlige. Når det gjelder SkatteFUNN helt konkret, foreslår vi å øke grensen for egenutført FoU til 8 mill. kr og ekstern FoU til 12 mill. kr. Vi vil fjerne regelen om maks timesats på 530 kr og fjerne reglene om at kostnader ved personale og indirekte kostnader for antall timer for egne ansatte er begrenset til maksimalt 1 850 timer per år. Videre ønsker vi å etablere en ordning som indeksregulerer beløpene for henholdsvis egenutført og innkjøpt FoU i SkatteFUNN-ordningen hvert år. år. Vi vil bygge opp under frivilligheten ved å innføre skatteincentiver som gjør frivilligheten mindre avhengig av offentlige overføringer. Vi foreslår derfor sammen med de øvrige opposisjonspartiene å øke skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner til 25 000 kr for privatpersoner og 100 000 kr for bedrifter. Videre foreslår vi at såkalt herreløs arv tilfaller frivillige organisasjoner. Jeg ser at tiden løper fra meg. Da avslutter jeg her og tar opp alle forslagene som Fremskrittspartiet fremmer alene eller sammen med andre. Representanten Tybring-Gjedde har Representanten Tybring-Gjedde har tatt opp de forslagene han refererte til. Revidert nasjonalbudsjett er nettopp det – det er en revidering av hovedbudsjettet. Vi gjentar jo ikke alle hovedgrepene, særlig ikke på skattesiden, men vi tar noen viktige grep der vi mener det haster, og det kommer jeg litt tilbake til. men vi tar noen viktige grep der vi mener det haster, og det kommer jeg litt tilbake til. Oppløpet til revidert nasjonalbudsjett var kanskje det mest spesielle ved hele budsjettet i år. Man innkalte til en hastepressekonferanse den 5. mai samtidig med at Høyre avsluttet sitt landsmøte. Det var skattegrep som skulle presenteres mot todelingen av norsk og det var skogindustrikrisen som lå som bakgrunn. Men da vi så tiltakene, lurte vi på hvorfor slikt hastverk, for ingen av skattegrepene ville få effekt før i 2014, med unntak av endringen for friinntekt for oljeselskapene, som ble innført umiddelbart. Debatten om selskapsskatt, avskrivninger og SkatteFUNN er utsatt til Der mener Høyre det kanskje haster litt mer, men det kommer jeg som sagt tilbake til. Men når det gjelder olje, har det det vært bred enighet – som også saksordføreren var inne på – om å ha gunstige betingelser i Nordsjøen, og det kommer det fortsatt til å være. Men vi setter spørsmålstegn ved måten man gjorde dette på. Det er klart at stabilitet og forutsigbarhet er helt avgjørende for så langsiktige investeringer som det vi snakker om i Nordsjøen. Regjeringen har forklart det hele med bl.a. kostnadsutviklingen i norsk økonomi, og dermed legger man også indirekte skylden på olje for det, mens kostnadsutviklingen i norsk økonomi har krøpet jamt og trutt oppover under den rød-grønne regjeringen, fra ca. 20 pst. til 70 pst. over våre nærmeste handelspartnere, og man har ikke viet den veldig mye oppmerksomhet før konjunkturreguleringsargumentet. Det er også en dårlig idé når det gjelder så langsiktige investeringer. Dette er snakk om å lage en solid plattform for en virksomhet som er uhyre viktig for Norge. Vi må erkjenne at det er oljen som har gjort at vi kan bæres gjennom den krisen som Europa nå har hatt. Det er vår suverene posisjon når det gjelder oljeinntekter og statens rolle der.

når det faktisk foreligger forslag her. Både Datatilsynet og andre reagerer i høringsrunden, og Advokatforeningen framsetter et ganske konkret forslag på hvordan man kan ordne det uten at man tukler med taushetsplikten, for vi er alle enige om at det skal være full innsikt i bevegelser, og skattemyndighetene må ha tilgang til informasjon. Så der har vi et alternativt forslag sammen med de andre borgerlige partiene. Når det gjelder skatteregler for øvrig, mener vi det haster med hensyn til avskrivning. Det har vi hatt i samtlige alternative budsjett med startavskrivninger, det gjentar vi forslag om. Vi tar også fram forslag om SkatteFUNN, som vi har gjentatt gang på gang, og vi finner det ganske bemerkelsesverdig at regjeringen utelukkende spiller på forventninger om hva som skal skje til høsten. BSU er et annet område hvor vi også foreslår kraftige forbedringer, i tråd med det vi har hatt i våre alternative budsjetter hele tiden. Så får jeg bruke det siste halve minuttet jeg har til å omtale litt det Dokument nr. 8-forslaget om ROS- og ROT-skattefradrag, som jeg er saksordfører for. Det har vært behandlet en rekke ganger i denne stortingsperioden, og der står partiene på sine standpunkt. Det er en relativt dyr prioritering hvis vi skal gå inn på det. Finansministerens brev til komiteen avslører at i Sverige koster det nå 16 mrd. kr i året i tapt skatteproveny. Det er en meget omfattende endring, og der står komiteen samlet, bortsett fra Fremskrittspartiet, om at vi holder oss til det systemet

selskapene selv må ta en litt større andel av investeringskostnadene på sokkelen enn de tidligere har gjort, og som det står i merknadene fra flertallet: «Dette er en mindre justering av en skjevhet som har gjort at staten har dekket en for stor del av kostnadene ved investeringer på sokkelen.» Dette er ett av flere grep som nå tas, og som er helt nødvendig med hensyn til den utviklingen vi har hatt

enighet om at det er en utfordring som man er nødt til å ta grep om. SV er helt enig i de grepene som tas når det gjelder sokkelen. Det er en mindre justering, men ikke minst svært nødvendig. Jeg registrerer at i innlegget fra representanten Gundersen reiser han tvil om tvil om dette er en realitet – om petroleumssektoren representerer den utfordringen for norsk økonomi. Han rister på hodet, og jeg har da misforstått ham. Men det gjøres et stort nummer av prosessen når det gjelder dette grepet som nå tas i oljeindustrien. Derfor har jeg et spørsmål. I merknadene fra mindretallet sier man at på grunn av at dette grepet allerede er annonsert, er man grunn av at dette grepet allerede er annonsert, er man enig i det. Men man gjør et stort nummer av at det ikke har vært en bredere utredning om det. Det får meg også til å stille spørsmål til Kristelig Folkeparti og representanten Syversen som skal ha ordet etter meg: Er man enig i dette grepet? Miljøpolitisk talsmann i Kristelig Folkeparti, representanten Ropstad, sa like etter at dette ble presentert, at det var en gledens dag, og dette hadde sin fulle tilslutning fra Kristelig Folkeparti. Men i merknadene får man inntrykk av at man er motvillig med på dette. Man vil ha en bredere utredning og en større høringsrunde. Jeg vil bare understreke at vi i SV er helt enig i det grepet som tas. Det er nødvendig for å dempe Det er nå et investeringsvolum som ligger på over 200 mrd. kr, og prognosene framover tilsier at det fortsatt skal øke. Derfor vil forhåpentligvis det som nå skjer, bidra til at man får en utflating, og at man strekker investeringen lenger utover i tid enn med det presset som har vært til nå. Derfor er det min utfordring til Syversen, som skal ha ordet etter meg.

men ein må òg finna ei forsvarleg inndekning. Det er rimeleg å setja heile pakken i verk frå same tidspunktet, slik at tapte skatteinntekter kan sjåast i budsjettsamanheng – under føresetnad av auka inntekter. Forslaget til endringar i petroleumsskatten vil gje meirinntekter, men dette er pengar som etter handlingsregelen går til Statens pensjonsfond utland, og kjem oss alle til gode i eit lenger perspektiv. Senterpartiet meiner regjeringa sitt forslag om å redusera friinntekter i særskatten, slik at oljeselskapa må ta eit noko større ansvar for oppsamla kostnader til investeringar, er rimeleg. For all del: Vi skal ta signal frå sektoren på alvor og lytta til oljeselskapa, og vi skal fylgja utviklinga nøye. Eg synest saksordførar Micaelsen har gjort ryddig greie for den saka. Senterpartiet meiner elles at det er samanheng mellom tiltaka regjeringa føreslår. Me snakkar mykje om todeling av norsk næringsliv, der oljesektoren har sterk vekst, medan store delar av vår tradisjonelle fastlandsindustri slit. Det må vera rett å setja i verk tiltak som både til å sikra ei meir likeverdig konkurransekraft mellom desse industriane, og òg til større bevisstheit om kostnadene i oljesektoren. Lat meg òg gje ein kort omtale av eit par av mindretalsforslaga. Vi har i den raud-grøne regjeringsperioden gjeve vesentlege lettar i arveavgifta gjennom å heva botnfrådraget. Arveavgifta er redusert med sidan vi overtok etter Bondevik II-regjeringa. No ynskjer opposisjonen, med unntak av Kristeleg Folkeparti, å gå lenger gjennom å fjerna heile arveavgifta. I Senterpartiet meiner vi at det bør gjennomførast ytterlegare auke i botnfrådraga i arveavgifta, men at det ikkje er urimeleg at store inntekter i form av arv fortsatt skal underleggjast ei viss skattlegging. Venstre føreslår å fjerna låg moms på mat og erstatta med momsfritak på økologiske produkt, frukt og grønt. Venstre bidreg med dette til at barnefamiliar som brukar mykje pengar på basismatvarer, som brød, mjølk, ost, kjøt og fisk, skal få ei stor tilleggsrekning gjennom ein momsauke på 10 pst. Det er bra med prisreduksjonar på frukt, grønt og økologiske produkt, men det er ikkje mogleg å forsvara at rekninga for dette blir send over til dei som frå før har dei høgaste kostnadene til mat. Vi behandlar i denne debatten òg eit par representantforslag. Lat meg kommentera det som gjeld endring i lov om kompensasjon for meirverdiavgift. Det har vore fleire tilfelle der kommunar har stimulert til etablering av bustadsamvirke for funksjonshemma i kombinasjon med eit kommunalt ansvar for av bustadene. Senterpartiet meiner dette kan vera ein god måte å etablera samarbeidsløysingar mellom funksjonshemma, deira pårørande og kommunale tenesteytarar på. Vi er glad for at vi no vil få ein gjennomgang av kompensasjonsregelverket, slik Finansdepartementet tidlegare har varsla. Vi ser i møte denne gjennomgangen i nasjonalbudsjettet

Da har representanten Hans Olav Syversen

petroleumsvirksomheten. Som det fremgår av innstillingen, støtter vi regjeringens konklusjon, men vi har hatt – og har – bemerkninger til hvordan prosessen har vært. Komiteens leder og saksordfører snakket om forutsigbarhet og trygghet for denne typen investeringer, at det har vært en stor fordel for Norge, og det slutter vi oss til. Vi er derfor ikke så ikke så begeistret for den fremgangsmåten regjeringen har benyttet i denne saken, som vi mener ikke har bidratt til den forutsigbarhet og trygghet som vi er avhengig av, og som gir Norge et komparativt fortrinn i bransjen som sådan. I likhet med Høyre ber vi regjeringen vurdere effekten av dette fram til fremleggelsen av ordinært statsbudsjett for å se om virkningene kan gjøre at man bør foreta noen justeringer. Så til representanten Geir-Ketil Hansen som lurte på om vi var strålende fornøyd, eller om vi var betenkt. Det er to forhold her. Det representanten Ropstad har uttalt seg om, er selve utbyggingen av Årsaken til hans – hva skal vi si – gledesutbrudd var ifølge statsråd regjeringens beslutning at man ville avvente utbyggingen av Castberg-feltet. Dette var, etter Ropstads mening, en gledens dag, fordi Statoil hadde valgt et konsept der de ikke ville gå for elektrifisering fra land. For øvrig er det gå for elektrifisering fra land. For øvrig er det et konsept som statsråden hadde presentert som en mulighet for Stortinget, men som det aldri ble noe av. Gleden går på at vi gjennom utsettelsen kanskje får en ny anledning til å se på om det blir elektrifisering fra land for det utbyggingsprosjektet. Nå kan vi jo i ettertid se – og der tror jeg Geir-Ketil Hansen og undertegnede er enige – at det ikke bare

Vi er helt enig i det regjeringen har som mål, men vi mener at forslaget er for vidtrekkende, og at det kan ivaretas på en bedre måte gjennom det forslaget Advokatforeningen selv har ført fram for Stortinget. I tillegg har vi jo et eget advokatutvalg i sving, så vi mener at det hadde vært en riktigere måte å håndtere disse utfordringene på, også for å få inn opplysninger til myndighetene. Det er også et par andre forslag fra oss og andre i opposisjonen. Vi foreslår i dette opplegget å øke skattefradraget for gaver som kan gis til frivillige organisasjoner – opp til 25 000 kr for enkeltpersoner og 100 000 kr for bedrifter. Vi er av den klare oppfatning at gaver som kommer inn på denne måten, gir de frivillige organisasjonene frie driftsmidler og ikke bare all den prosjektstøtten som de nå etter hvert har blitt avhengig av. Det tror vi er et gode for Frivillighets-Norge. Så styrker vi SkatteFUNN, og det gjør vi som en samlet opposisjon. Vi styrker også avskrivningsmulighetene. Det er effekter som ville ha kommet inn allerede i 2013, ikke i 2014. Med dette tar jeg opp våre forslag i

at det skal være lønnsomt å arbeide, spare, investere i norske bedrifter og arbeidsplasser og ikke minst bidra til en miljø- og klimavennlig samfunnsutvikling. Derfor er kjernen i Venstres skatte- og avgiftspolitikk et skifte fra rød til grønn skatt. men det vil bli mindre lønnsomt å forurense. Venstre ønsker å legge til rette for et nyskapende næringsliv, hvor innovasjon og utvikling i eksisterende bedrifter er viktig, og hvor flere starter sin egen bedrift. Venstre vil derfor legge forholdene bedre til rette for enkeltpersonforetak, ikke minst gjelder det bedre og likestilte sosiale rettigheter. Ulike statsråder har på oppfordring fra Venstre gjentatte ganger sagt at de vil vurdere å styrke de sosiale rettighetene for selvstendig næringsdrivende. Ingenting har skjedd så langt. Derfor er det viktig for de drøyt 230 000 selvstendig næringsdrivende at det blir et regjeringsskifte til høsten. Venstre fremmer i dag en rekke forslag som vil bedre vilkårene for de selvstendig næringsdrivende; fra bedre sosiale rettigheter, inkludert sykelønn og økt maksimalt sparebeløp i tjenestepensjonsordning, til bedre og mer fornuftige regler når det gjelder innbetaling av skatt. Samtidig som Venstre vil gjøre vilkårene for næringslivet bedre, vil vi stimulere til at næringslivet blir mer klima- og miljøvennlig. Gjennom skattesystemet kan det gjøres på to måter: enten ved å øke miljøavgiftene, eller ved å innføre differensierte satser som premierer ønsket miljø- og klimavennlig atferd. Venstre foreslår derfor at det blir innført en egen miljøavskrivningssats i saldogruppe d, slik at det er mulig med en ytterligere avskrivning på 5 pst. dersom investeringen åpenbart gir en miljø- og/eller klimagevinst. Samme tankegang følger Venstre når det gjelder SkatteFUNN-ordningen. I dag er det kun 10 pst. av forskningsaktiviteten innenfor SkatteFUNN som kan relateres til klima-, miljø- og effektiviseringsgevinst. Dette vil Venstre øke og foreslår derfor at det innføres egne beløpsgrenser i tillegg for slike FoU-aktiviteter, med henholdsvis 2 mill. kr og 4 mill. kr, avhengig av om forskningen er intern i bedriften eller eksternt utført. Det samme gjelder for Venstres forslag i dag om å innføre skattefritak for arbeidsgiverbetalt månedskort på kollektivtransport og skattefradrag for energiøkonomiseringstiltak i egen bolig. Venstre mener at det er viktig å stimulere til sparing. Derfor foreslår vi å øke fribeløpet for aksjekjøp i egen bedrift, styrke BSU-ordningen og ordningen med individuell pensjonssparing. Vi foreslår også å avvikle arveavgiften, fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger og gi arbeidsgiveravgiftsfritak for nystartede bedrifter med inntil fem ansatte i de første tre årene. På tirsdag i forrige uke feiret vi l00-årsjubileet for kvinners stemmerett. Det var en viktig milepæl for likestillingen i Norge. Det betyr imidlertid ikke at vi har reell likestilling på alle områder. Et av områdene hvor det ikke er reell likestilling, er i arbeidslivet. Det er uakseptable lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, og mange arbeidsgivere ansetter heller menn enn kvinner fordi mange kvinner har høyere sykefravær knyttet til bl.a. svangerskap. Venstre foreslår derfor at folketrygdloven endres, slik at det offentlige dekker alle kostnader knyttet til sykefravær under svangerskap. På den måten forsvinner et hinder for reell likestilling i arbeidslivet. De siste ukene har vi dessverre sett at regjeringen og regjeringspartiene er på vikende front når det gjelder personvern og rettssikkerhet, bl.a. i dag med forslaget om unntak i advokaters taushetsplikt på skatte- og avgiftsområdet. Slik Venstre ser det, er dette et unødvendig forslag som også Riksadvokaten stiller seg sterkt kritisk til.

I dag starter G8-møtet i Belfast. En av sakene som står på dagsordenen, er skatt og den diskusjonen som vi nå ser internasjonalt, som dreier seg om å beskytte skattegrunnlaget og prøve å unngå at skatteoverføringer skjer mellom høy- og lavskatteland. I tillegg er også spørsmålet om opplysninger i skattesaker satt på dagsordenen, ikke minst gjennom det arbeidet som OECD har gjort. Stortinget blir i dag også invitert til å fatte vedtak om en skatteavtale med USA, den såkalte FATCA-avtalen, som dreier seg om automatisk utveksling av informasjon mellom amerikanske og norske skattemyndigheter. Dette er en type avtale som sannsynligvis også i framtiden vil danne en mal for det vi vil se på det internasjonale skatteområdet. Så dette er viktige områder. Derfor ligger det også et viktige områder. Derfor ligger det også et viktig forslag på bordet i det som Stortinget i dag diskuterer – ikke bare spørsmålet om skatteavtalen mellom USA og Norge, men også den skattevekslingen som skjer ved at en vil foreslå innstramminger i fradragsmulighetene for bl.a. flernasjonale selskaper når det gjelder å føre inntekter dit det er lave skattesatser og utgifter dit skattesatser. Ut fra dette foreslår regjeringen at en fra 1. januar 2014 skal redusere selskapsskattesatsen med 1 prosentpoeng. Dette skal da bl.a. – og i all hovedsak – dekkes gjennom denne skattevekslingen mellom å stramme inn på fradragsmuligheter og å utvide skattegrunnlaget. Dette er en måte å tenke skatt på som er godt i tråd med grunnleggende prinsipper i norsk skattedebatt. Så vil Scheel-utvalget jobbe videre med problemstillingen fram til høsten 2014. La meg si noen ord om oljeskatten, i tillegg til det som saksordføreren var inne på. Jeg er enig i at stabilitet og forutsigbarhet er viktig for selskap som gjør store investeringer. Derfor har også hovedtrekkene i oljeskattesystemet ligget fast Likevel har en gjennomført justeringer over tid – bl.a. har skattesystemet på sokkelen gradvis utviklet seg til et system basert på nettoinntekt. Det er også viktig å legge merke til at i motsetning til i mange andre land, har ikke Norge skjerpet vilkårene i oljeskatten den siste tiårsperioden når vi har hatt en sterkt stigende oljepris.

Så selskapene kan ikke ha det du kan kalle en «berettiget forventning» om at skjevheter i et skattesystem skal bestå. For øvrig er det slik at det å foreta enkelte justeringer i oljeskattesystemet, nok ikke er det som først og fremst rokker ved den grunnleggende stabiliteten i oljeselskapene – de store svingningene i oljeprisen viser jo at dette er en sektor som er vant til å forholde seg til store og uforutsigbare endringer. Men som sagt: uforutsigbare endringer. Men som sagt: De endringene vi nå gjør i oljeskattesystemet, er etter mitt syn justeringer og rokker ikke ved den grunnleggende stabiliteten i dette systemet. La meg til slutt bare si to ord om Dokument 8-110 S, om kompensasjonsordningen. Den ordningen er jo der i dag for at S, om kompensasjonsordningen. Den ordningen er jo der i dag for at kommuners valg av om en skal drive egenproduksjon eller sette ut produksjon, ikke skal bli påvirket av merverdisystemet. Dette er ingen støtteordning, men en ordning som dekkes inn gjennom inntektssystemet for kommunene. For øvrig vil jeg vise til at Husbanken har ganske omfattende støtteordninger for tilpasning av egen bolig.

Så det er åpenbart at noen har behov for å endre på beskrivelsen. Da saken ble framlagt, sa representanten Marthinsen fra Arbeiderpartiet at dette ville redusere tendensene til overinvestering – altså at en synes at tempoet er for høyt, og da skal det åpenbart ned. Petoro har også bekreftet at de frykter at det vil bli færre prosjekter som følge av dette. Og SVs Lars Egeland i energi- og miljøkomiteen skrev på sin blogg 5. juni at det vil bli færre prosjekter som følge av dette. Og SVs Lars Egeland i energi- og miljøkomiteen skrev på sin blogg 5. juni at skatteendringen «vil gjøre det mindre lønnsomt å bygge ut såkalte marginale felter» – altså det samme som vi har skattestimulanser for å oppnå, og da er denne politikken selvmotstridende. Kan regjeringen være ærlig på om dette skal gi færre prosjekter? Hovedformålet med og dette er et tema som jeg har registrert at bl.a. Fremskrittspartiet selv har vært betydelig opptatt av. Senest nå i helgen så jeg i et intervju at representanten Solvik-Olsen nok en gang satte søkelyset på de store og høye investeringer i oljesektoren, men uten egentlig å komme med noen forslag om hva de har tenkt å gjøre med det – men de stemmer jo imot forslaget vi har her i dag. Men formålet med endringen er først og fremst å bidra til en sterkere kostnadsbevissthet på sokkelen over tid å bidra til at du får en kostnadsutvikling som viser en annen kurve, og som i sin tur kan bidra til å styrke norsk fastlandsindustri. Det er formålet, og det er poenget med det forslaget som ligger på bordet nå.

ved siden av det som er hovedfeltet, men hvor nå endringene kan komme til å gjøre at de må regne på nytt. Og da blir spørsmålet: Vil finansministeren se på tilpasningsordninger her, slik at man unngår de uheldige virkningene for selskaper som har havnet i den typen problemer, som har bundet opp store beløp i investeringer som kanskje ikke kommer dem til nytte fordi man ikke vil bygge ut? man ikke vil bygge ut? For det første: I forbindelse med det forslaget som ble lagt fram 5. mai, hadde en også en skjæringsdato for selskaper som hadde levert inn såkalt PUD, eller PAD, altså planer som dreier seg om utbygging, og at planene var i departementet. Så her ligger det en overgangsordning som gjør at selskaper som hadde kommet langt i beslutningsprosessen, skjærer fri fra denne endringen. Det andre som vi ser på, er en selskaper som hadde kommet langt i beslutningsprosessen, skjærer fri fra denne endringen. Det andre som vi ser på, er en egen ordning for det vi kaller «kompenserende virkemidler innen tiltakssonen», altså for Nord-Troms og Finnmark, for der åpner jo EØS-avtalens statsstøtteregelverk for investeringsstøtte på visse vilkår.

om dette er starten på noe eller om dette er en engangsforeteelse. Uavhengig av hva vi mener om prosess – og manglende prosess, sett fra vår side – og det som skal skje fremover: Er statsråden enig i at det har vært en stor fordel for oljeselskapene å ha kjennskap til rammene for den virksomheten de har i Norge, også på det skattemessige området? Og er statsråden enig i at det også fremover er viktig for norske myndigheter å fremstå som forutsigbare – ikke minst når det gjelder skatteregimet? Jeg deler den oppfatningen som representanten Syversen har, at det i stor grad er viktig å ha forutsigbarhet rundt rammevilkår. Samtidig pekte jeg i innlegget mitt på at svingende oljepriser og kostnadsutvikling også er faktorer som denne næringen i aller høyeste grad vil og må leve med i framtiden. Samtidig har vi vært tydelige på – og det har også vært en diskusjon rundt det – at det er visse svakheter ved oljeskattesystemet, og gjennom det forslaget som ligger her nå i dag, bidrar vi til å rette opp den skjevheten. Regjeringen har ingen ytterligere planer om å endre oljeskattesystemet. Det er også interessant å se at ved den siste tildelingsrunden som var, var det veldig stor interesse for å delta på norsk sokkel. Det kan tyde på at selskapene ser på deltagelse på norsk sokkel som både forutsigbart og forhåpentligvis også lønnsomt for seg. Nytt tema: Venstre foreslår i dag flere endringer i momsreglene. Det gjør vi for å stimulere til sunnere kosthold og for å forenkle systemet. Så sa representanten

Det er en viktig side ved avgiftssystemet, i tillegg til det at avgiftssystemet også skal skaffe gode inntekter i statskassen. Men her og nå har jeg ikke tenkt verken å signalisere konkrete endringer eller si at noe skal bli som før, men at dette er et spørsmål som naturlig blir vurdert i forbindelse med statsbudsjettet som legges fram den 14. oktober. – Det er riktig dato, president? Det er bra.
Ja, det skulle tatt seg ut om finansministeren feilinformerte Stortinget. Replikkordskiftet er omme. Regjeringa viser gjennom de forslag som vi behandler i dag, men også i dem vi skal behandle på fredag, en forutsigbar og god kurs i skatte- og avgiftspolitikken. Samtidig som man makter å holde sitt løfte om et samlet nivå på skatter og avgifter som i 2004, bruker man strengt tatt – og viktig nok – de muligheter som politikken gir oss til å tilpasse oss en veldig krevende økonomisk situasjon. Som flere har vært inne på: Vi lever i en tid med betydelige økonomiske utfordringer i landene rundt oss, store statsfinansielle utfordringer, og for mange land kritisk stor ledighet som påvirker oss. Vi ser det allerede i mange lokalsamfunn også hos oss sjøl. Det er ikke blitt lettere å selge våre varer til andre land når kjøpekraften for så mange reduseres dramatisk. Dette merker vi. Fastlandsnæringslivet møter utfordringer. Eksempelvis velger det multinasjonale selskapet Takeda Nycomed å legge ned sin produksjon av legemidler på Elverum. Nær 200 arbeidsplasser blir borte, til tross for at denne virksomheten drives svært godt av svært kompetente medarbeidere, og mange vil vurdere det dit hen at man fortsatt har en god lønnsomhet – gode overskudd gjennom 40 år, solid arbeidsstokk, god kompetanse. Men de japanske eierne ser mer lønnsomhet i å flytte produksjonen til Polen og Tyskland og til sin ledige kapasitet der. Jeg beklager selvfølgelig veldig sterkt en slik beslutning, men skjønner på mange måter kapitalismens resonnement. Kostnadsnivået er høyere her. Derfor er det mer enn noen gang avgjørende at vi anstrenger oss for å kunne ta de grep som Stortinget inviteres til i dag, og som vi også skal behandle på fredag, for å kunne få til en mindre todelt økonomi. Når regjeringa – vedrørende petroleumsskatten – nå foreslår å sette ned satsen på friinntekten og samtidig foreslår å sette ned selskapsskatten, vil dette kunne bidra til å lette situasjonen for mange i fastlandsnæringslivet. Det er et godt grep, det er en god tenkning. Det bidrar fortsatt til at ressursene på sokkelen skal komme den norske befolkningen til gode. vi som eier dem, ressursene er i vårt alles eie. Samtidig er det etter min mening fortsatt slik at beskatningen vil gjøre det svært lønnsomt å operere på norsk sokkel. Det vil fortsatt være gode muligheter for lønnsomme investeringer, og det er en moderat innstramming i friinntekten. Denne mindre justeringen av skattebyrden rokker ikke ved hensynet til forutsigbarhet og stabilitet i rammevilkårene for Norsk sokkel innbyr etter min mening fortsatt til et investeringsvennlig regime. Reduksjonen i selskapsskatten vil være et viktig tiltak for å redusere kostnadene på fastlandet. Sånn sett er dette riktig tenkning. Så noen få ord om to saker som er nevnt av flere. Jeg er helt enig med representanten Gundersen i hans beskrivelse av ROS- og ROT-fradraget. Jeg mener at det for det første veldig kostbart forslag som skal ha sin inndekning, men jeg understreker også, og mener, at Finansdepartementet har rett når de i sitt svarbrev skriver at dette også er et forslag som kan ha svært uheldige fordelingsmessige effekter. Så bare kort til forslaget vedrørende advokaters taushetsplikt og mulighetene for å gi innsyn i klientkonti. Jeg har lyst til bare å bemerke kort til den debatten: Taushetsplikten for advokatene er svært viktig. Taushetsplikten er generelt for mange profesjoner svært viktig, og det er viktig at man har en diskusjon om den. Men det er ikke sånn at taushetsplikten på mange måter er hogd i stein og er en gitt størrelse for evig og alltid. Det er alltid en balansegang mellom det behovet det offentlige har for å få informasjon, og det behovet profesjonen – her advokatene – har for å beskytte sine klienter. klienter. I så måte syns jeg dette er en god endring som også bidrar til å gjøre det mulig og praktisk gjennomførbart å få den informasjonen som er nødvendig for bl.a. å forhindre ulovligheter knyttet til pengetransaksjoner. Det er også sånn at når det gjelder sjølve nivået for taushetsplikt, må det i noen tilfeller være lavere når det gjelder sjølve nivået for taushetsplikt, må det i noen tilfeller være lavere når det gjelder det å beskytte informasjon som vedrører penger, kroner og øre, istedenfor personlige opplysninger som er knyttet til klienter som sådan. I så måte mener jeg at regjeringa er kommet fram til en god løsning som er

Utleieboliger i Alta fikk kompensasjon så fremt det var private som drev oppføring og utleie, mens kommunen sto for omsorgstjenestene til beboerne. Den dommen åpnet for en forståelse for at også flere private kunne starte lignende oppbygging for mennesker som var sterkt funksjonshemmet og ikke hadde egen boevne. Men i høyesterettsdommen fra 5. februar 2013 om Torneby-saken fikk Torneby

hevdes at det overordnede formål også skulle tilsi at erverv av egen bolig like gjerne burde kunne skje i egenregi, som i regi av kommunen.» Jeg siterer videre: «Det at det formål som begrunner regelen også kunne ha begrunnet en mer omfattende regel, kan da ikke i seg selv føre til en annen regel enn den som er gitt.» Jeg oppfatter det slik at den måten loven er utformet på, kan man ikke gi momskompensasjon, men at det hadde vært fornuftig å gi i slike tilfeller, som bl.a. Torneby. Jeg registrerer at finansministeren i et brev den 29. januar 2010 skriver til Stortinget: «I lys av formålet med momskompensasjonsordningen og av at bygging av boliger for funksjonshemmede/pleietrengende organiseres på ulike måter i kommunene, ser jeg at det kan være behov for en gjennomgang av kompensasjonsregelverket på dette området.» Derfor hadde det vært ønskelig at regjeringen la frem en gjennomgang av dette. Det er over tre år siden man skrev det ovenstående til Stortinget. Jeg har lyst til å si hva dette egentlig handler om. Jeg har selv besøkt en familie som har et meget sterkt funksjonshemmet barn. Det er en familie med et barn som ikke har fremtidig boevne. Saken ble godt dokumentert og omtalt i Dagbladet den 8. juni.

Men det gjelder ikke for alle. De foreldrene som prioriterer å være delvis eller fullt ute i arbeidslivet, vil mest sannsynligvis ha for høy inntekt til å få støtte fra Husbanken. Dette gjelder iallfall hvis de skal bygge nytt hus. Hadde de kjøpt et gammelt hus og bedt om støtte til ombygging av det huset, som ville blitt dyrere, kunne de fått støtte. Jeg har sett brev til den familien, som jeg viser til, der dette dokumenteres.

hatt et egenkapitalkrav på 750 000–1 mill. kr, som kunne vært brukt til å realisere den drømmen, slik at familien kunne bo sammen. Med tanke på at vi mangler boliger for sterkt funksjonshemmede – og når foreldrene selv tar initiativ for å være sammen med barnet sitt og vil bygge en fremtidsrettet bolig for at det skal kunne fungere

vil redegjøre for at vi subsidiært vil støtte … Det blir ikke noe mer redegjørelse nå. Det begynner å bli lenge siden taletiden var ute. Først til saken om revidert budsjett. I forbindelse med at Høyre ønsker å fjerne arveavgiften, gjør vi to grep. Høyre foreslår å fjerne det første intervallet, på 470 000 kr, den første satsen. Dessuten, i trinn 2, ønsker vi å halvere de resterende satsene og vil komme tilbake i andre statsbudsjetter når det gjelder å fjerne hele arveavgiften. Vi har også noen merknader når det gjelder dobbel virkemiddelbruk, som Finansdepartementet, til tross for at dette ble påpekt fra Stortingets og flere aktørers side gang på gang, ikke kommer tilbake til

Det er en dårlig løsning som må ut. Vi har valgt å støtte opp om økt avgift allerede nå, for vi har også vært med på klimaforliket om at oljefyring skal vekk innen et visst årstall. Når det gjelder representantforslaget, som nettopp er nevnt, om momskompensasjon for dem som bygger bolig til egne barn med funksjonshemning, er dette egentlig relatert

hadde 25 pst., eller momssatsen, i tillegg til prisen. Dermed ble selvsagt husleien betydelig høyere enn hvis kommunen gjorde det. Vi i Høyre har sagt at vi må sørge for at det ikke er momsregelverket som skal avgjøre om det blir lønnsomt for en kommune å kjøpe tjenester fra kommunen selv eller ulike private tilbydere, enten det er foretak eller individuelle boliger. Det som har vært viktig for Høyre, er å understreke at når man bygger en bolig til privat bruk, skal man betale moms for dette i dag. Det gjør vi alle som kjøper hus. Så mener vi at dersom kommunen i sin boligsosiale handlingsplan legger den slags boliger inn i planen, kan man få momsrefusjon dersom man blir tildelt en tjeneste fra kommunen og har et behov som er godkjent av kommunen. Det er det som gjør at Høyre har har et behov som er godkjent av kommunen. Det er det som gjør at Høyre har et annet forslag enn Fremskrittspartiet her. Men i praksis er det det samme. Det er et poeng. Jeg skal ikke sitere høyesterettsdommen fra Alta-saken, men jeg tror førstvoterende i den dommen har en ganske god analyse av hvorfor det må være likebehandling også for framtiden. Det Stortinget har gjort med hensyn til Samhandlingsreformen, det som skjer med helseforetak og botilbud, botilbud, fører til at kommunene er nødt til å ha større grad av fleksibilitet i forbindelse med botilbudene og tjenestetilbudene sine. Hvis man da med vitende og vilje lager et momsregelverk som man ikke klarer å tilpasse kommunenes ulike behov, er det et kjempeproblem. I kommunen min, Haugesund, skal man nå lyse ut Problemet for veldig mange kommuner er at sentrumsnære tomter ikke lenger er i offentlig eie. Dermed må man bygge på privat grunn eller kanskje kjøpe tomter, som kanskje er verre. Det gjør at man får store utfordringer med rettferdig konkurranse. Vi mener at den generelle betingelsen bør være at folk må stimuleres til å bo i sin egen bolig, også når de er blitt pleietrengende. Da kan ikke staten gjøre det mer lønnsomt for beboerne å bo i kommunal leieleilighet eller i privat leid leilighet eller sin egen leilighet. Det er ikke momskompensasjonsordningen som skal avgjøre det. Det må være opp til den enkelte kommune og den enkelte beboer og ikke Stortinget. Herved tar jeg opp forslaget fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre i sak nr. 3. Da er alle forslag knyttet til de fire sakene der det foreligger forslag, tatt opp.

Vi synes derfor dette er et område som fortjener grundig vurdering før man eventuelt gjør vedtak om endringer. For det andre har kompensasjonsordningens grenser vært omdiskutert. Høyesterett har avsagt to dommer, og Riksrevisjonen har undersøkt feilutbetalinger. Flertallet ser det som viktig at det klargjøres hvem som er kompensasjonsberettiget, slik at momskompensasjonsordningen kan virke etter formålet. Finansdepartementet har uttalt at det kan være behov for å vurdere enkelte presiseringer og eventuelle endringer for å gjøre regelverket klarere og mer brukervennlig. Dette omfatter bl.a. å vurdere utformingen av regelverket nærmere når det gjelder private og ideelle virksomheters rett til kompensasjon ved oppføring av omsorgsboliger. Departementet uttaler at det vil vurdere disse spørsmålene nærmere og eventuelt komme tilbake med konkrete lovforslag på et senere tidspunkt, etter at saken har vært på høring. Komiteens flertall imøteser en gjennomgang av status i nasjonalbudsjettet for 2014. På den måten vil dette området kunne følges opp videre politisk. I innstillingen viser flertallet til at Norsk Forbund for Utviklingshemmede har foreslått at kompensasjonsloven bør endres slik at det ikke lenger gis kompensasjon for merverdiavgift på anskaffelser til boliger med helseformål eller sosiale formål som er beregnet på å være permanente hjem. NFUs begrunnelse er at kompensasjonsordningen bidrar til en overinvestering i institusjonslignende kompleks, mens det er en politisk målsetting om at mennesker med utviklingshemning i størst mulig grad skal ha ordinære hjem i en ordinær bebyggelse. Flertallet ber Finansdepartementet vurdere innspillet fra NFU, og om avgrensningene av kompensasjonsordningen på dette området er hensiktsmessige ut fra formålet. Like sikkert som vi er

I tillegg er det ei klar målsetting i tiltaket å få ned bruken av svart arbeid. Innføringa av desse frådraga har vore ein suksess i Sverige og har ført til at mange fleire har nytta seg av ordninga. Frådraget handlar om mykje meir enn eit skattefrådrag. Eg registrerer at det i svarbrevet frå statsråden blir uttrykt ei form for bekymring over at skattefrådraget vil ha uheldige fordelingsverknader – og viser med dette til følgjande: «Det er grunn til å anta at skattytere med høye inntekter vil utnytte fradraget i større grad enn de med lave inntekter, slik tilfellet er i Sverige.» Dette er ein argumentasjon Framstegspartiet har lita forståing for. I Sverige var dette berre tilfellet då frådraget blei innført i 2007, mens det etter kvart har vist seg å vera flest barnefamiliar med to barn og som er dobbeltarbeidande, og mange pensjonistar, som gjer bruk av frådraget,

av dei som kjøper reinhaldstenester i heimen sin, kjøper svart arbeid, er det veldig lite igjen. Då er det litt feil å seia at vi må tenkja på at det kostar 16 mrd. kr – om vi innfører dette. Vi må tenkja på at vi får mykje igjen i form av arbeidsgivaravgift, personskatt og ikkje minst moms.

Det er bekymringsverdig at fleire unge blir gåande passive på offentlege ytingar i staden for å vera i eit arbeidsrelatert forhold. Vi har også sett at fleire verksemder flytter ut av landet fordi vi har eit skatte- og avgiftsnivå som kan ta knekken på dei fleste som ønskjer og starta opp med noko for seg sjølv. Eg må seia at i staden for å legga til rette for å løysa dei utfordringane som ligg i svart arbeid, med seg både kriminalitet, menneskehandel, unndraging av skattepengar og ein marknad dominert av useriøse aktørar, er det viktigare for regjeringa å seia nei til forslaget frå Framstegspartiet, med ei grunngivinga om at dette er eit frådrag berre for dei rike. Når sant skal seiast er det mange av dei rike i dette landet som faktisk har sørgja for og skapt både arbeidsplassar og nye verksemder, også til glede for veljarane til denne regjeringa.

Grunnen er veldig enkel: Dei seriøse handverkarane er ikkje like viktige for denne regjeringa. Ei heil næring blir ofra til fordel for useriøse bedrifter. Næringa sjølv roper på at ein må innføra ROT, slik som i Sverige, for å kunna overleva. Framstegspartiet lyttar til desse aktørane, dei er ekspertar på si eiga næring. Denne månaden har det vore like mange konkursar som det var under finanskrisa – kanskje endå eit varsel om at ein må bidra med tiltak. Dette er eit av våre bidrag til næringslivet skal overleva – og då kvitt. Til sist kan eg berre konstatera: Bak skyene er himmelen alltid blå, og Framstegspartiet skal kjempa for at den seriøse delen av byggenæringa skal bestå. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Me har fleire gonger i denne perioden diskutert både ROS og ROT, skattefrådrag for handverkstenester og serviceoppdrag i eigen bustad og fritidsbustad. I år er

og fritidsbustad. I år er det det same: Det er berre Framstegspartiet som går inn for forslaget, dei andre stemmer imot. Det er eg glad for. Eg vil seia at eg er einig med saksordføraren i hans merknader i saka. I Sverige er skatteutgiftene, eller tapt proveny, sett til 13,7 mrd. kr for handverkstenester og 2,5 mrd. kr for serviceoppdrag i heimen. Så skriv forslagsstillarane at bakgrunnen for forslaget «har vært å stimulere til økt aktivitet i byggenæringen og skape flere arbeidsplasser». No er det sånn at byggjenæringa går veldig bra i Noreg, og me har veldig låg arbeidsløyse i Noreg. Me er vel òg i ein situasjon som tilseier at me ikkje bør bruka endå sterkare incentiv når det gjeld å investera i eigne bustader.

Ein annan ting er at det er mange fleire sjølveigarar her i Noreg. Det vil seia at overslaget hadde vore endå større, for i Sverige er det berre dei som er sjølveigarar, som har moglegheit til å bruka dette frådraget. Når det gjeld frådrag som gjeld tenester i heimen,

Så har eg lyst til å koma med berre ein liten kommentar til ein annan: I replikkordvekslinga med statsråden før i dag var Venstre opptatt av sunt kosthald, og ønskte å endra Likevel står dei inne for eit forslag, saman med Høgre, i saka om å fjerna skulefrukta – eitt av dei beste tiltaka for sunt kosthald for alle. Eg synest at det forslaget er dagens pinlegaste forslag og årets

treforedlingspakken som representanten Meltveit Kleppa og andre skryter av: La oss huske at to tredjedeler av de bevilgningene er utenfor handlingsregelen. Hadde de pengene vært innenfor handlingsregelen, kunne ikke finansministeren skrytt av at han brukte mindre penger enn det som var planlagt i tråd med handlingsregelen. Men her har han altså flyttet penger til Investinor utenfor handlingsregelen – et selskap som har 2,5 mrd. kr på konto allerede, og så skal regjeringen skryte av at de skal få 0,5 mrd. kr til, som skal stå på konto. Hvorfor ikke heller gi de pengene til veibygging og avskrivingsregler i dag, sånn at treforedlingsnæringen får forbedringer i dag, istedenfor at et selskap som allerede er stint av penger, skal få penger som de kanskje bruker om mange, mange år? Det er handlingsregelen som skaper problemer, fordi regjeringen skal skryte av at de holder seg innenfor handlingsregelen samtidig som de må komme opp med en treforedlingspakke – men med virkemidler som ikke har noen effekt. ikke har noen effekt. Noen her mener at ROT- og ROS-forslaget til Fremskrittspartiet er unødvendig – det koster bare penger. Det er interessant å merke seg at alle de som vanligvis er bekymret for svart arbeid, for hvordan det ødelegger for ærlige bedrifter og tapper staten for mye penger, plutselig mener at svart arbeid ikke er et problem. I Sverige får en skrive av utgifter på skatten, og så taper staten de skatteinntektene, men poenget fra Sverige er at det plutselig er mange håndverksbedrifter som begynner å få synliggjort sine inntekter. inntekter. Hvis en tar begge sider av dette regnestykket, ser en at den svenske stat sannsynligvis har tjent penger på dette, fordi en mengde håndverkere nå begynner å betale skatt for sine inntekter. Og det er poenget, da sørger en for at en får en bane der de ærlige konkurrerer på like fot med de uærlige, istedenfor – sånn som vi ser norske håndverksbedrifter bekymrer seg over – at de blir utkonkurrert av de uærlige. Så til finansministeren: Vil skatteøkningen for oljeselskapene medføre at det blir færre oljeprosjekter, eller blir det like mange? Hvis det blir like mange, klarer ikke jeg å se hvordan det skal motvirke todelingen i norsk økonomi, som statsråden hevder er poenget. Kunne statsråden svare på det, hadde jeg blitt veldig glad. Det er et par innlegg som jeg har lyst til å kommentere. Jeg synes at en må holde tungen rett i munnen, og enhver skatteendring bør ses i lys av at man bør få et best mulig samsvar mellom samfunnets interesser og den enkelte beslutningstakers interesser. Det bør ligge som en overordnet leveregel. Da sikrer man også stabilitet, forutsigbarhet, langsiktighet osv., for da blir det ikke nødvendig med store endringer brått. Det er i det lyset jeg finner det litt underlig å høre på Geir-Ketil Hansen og i og for seg også Knut Storberget. Finansministeren sa at vi har beholdt gunstige skatteregler for oljenæringen gjennom en lang oppgangsperiode når det gjelder oljepris – det er vi også enige om. Da vil særlig Geir-Ketil Hansens innlegg kunne ses på som en kritikk av regjeringens eget arbeid. arbeid. Hvis man skal bruke det som konjunkturvirkemiddel, hvilket jeg mener er en dårlig idé, burde man vært ute mye tidligere. Man kunne heller snakke om den næringsdiskriminering som har foregått i forhold til mye annet næringsliv. Vi vet at avskrivningsreglene er dårligere enn hos våre handelspartnere, veier, samferdsel, alt sammen – man har forsømt investeringer som kan kompensere for det kostnadsnivået vi har.

Det er det man har gjort ved å åpne landet for mange utenlandske investeringer, og diskriminere privat norsk eierskap, hvilket virkelig har gjort seg utslag i den farmasøytiske bransjen, som i løpet av en 10–15-årsperiode stort sett har gått fra å bestå av mange norskeide bedrifter til snart ikke noen. Så det ligger mye kritikk av egen regjering i både Geir-Ketil Hansens innlegg og Knut Storbergets innlegg.

og desse 170 000 kvinnene har ikkje skikkelege arbeidsvilkår. Regjeringa seier at dei berre får halda på. Ho vil ikkje ha skikkelege pensjonsordningar, ho vil ikkje ha skikkeleg lønn, og ho vil ikkje ha skikkelege rettar til sjukefråvære og permisjonar. Eg håpar folk merkar seg det. Ein annan ting som eg er skuffa over, er det at ein ikkje vil jobba for å få ein ny kultur, ei haldningsendring i heile landet, for at det skal svara seg å kjøpa kvitt arbeid i staden for

bare si helt kort – for helsefolkene har kommet – til representanten Eldegard: Jeg ser på ingen måte det ulogiske i det hun refererte til. Bakgrunnen for vårt forslag om å droppe skolefrukt er jo at vi prioriterer, og det Venstre prioriterer, er kunnskap og etterutdanning av lærere. kunnskap og etterutdanning av lærere. Kunnskap er det vi skal leve av i fremtiden, og en ny regjering må definitivt bruke mer ressurser på kunnskap enn det denne regjeringen gjør. Når det gjelder frukt og grønt, vil foreldre få rikelig adgang til å kjøpe billigere frukt og grønt, så dette var, med respekt å melde, en underlig angrep. Dette er nok et
minutter. Vær så god.

Jeg har aldri registrert en slik bekymring fra Senterpartiet når en har behandlet landbruksoppgjøret, som faktisk innebærer at både direkte og indirekte kostnader for husholdninger går betydelig opp. Jeg håper at representanten Meltveit Kleppa nå kan gå opp på talerstolen og skissere en ny retning fra Senterpartiet om dette temaet. Så tilbake til oljeskatten. Regjeringen har sagt at oljeskatteendringen er for å stimulere til kostnadseffektivitet på Jeg håper at representanten Meltveit Kleppa nå kan gå opp på talerstolen og skissere en ny retning fra Senterpartiet om dette temaet. Så tilbake til oljeskatten. Regjeringen har sagt at oljeskatteendringen er for å stimulere til kostnadseffektivitet på norsk sokkel, slik at en bidrar til å redusere todelingen i norsk økonomi. Men for at dette skal skje, må det investeres mindre på norsk sokkel, slik at en skal kunne gi bedre vilkår andre steder, under forutsetning av at kapitalen som en ville investert på norsk sokkel, heller investeres i Norge og ikke forsvinner ut av landet. Alternativ forklaring er at mindre press på norsk sokkel gjør at men overskridelsene i prosjektene. Den logikken ser ikke jeg. Derfor hadde det vært interessant om finansministeren kunne forklart: Er det færre prosjekter som er hensikten, eller skal en opprettholde prosjektene? Hvis hensikten er færre prosjekter, er det logikk i det regjeringen foreslår, mens hvis en egentlig sier at antall prosjekter skal opprettholdes, kan en ikke si at denne oljeskatteøkningen

Da trenger vi en finansminister som oppklarer. Det var representanten Gundersen som fikk meg til igjen å ta ordet. Jeg syns det er underlig at når man står overfor forslag fra regjeringa om endringer av skatte- og avgiftsregimet som også kan ha en viss innvirkning på den økonomiske fordelingen i dette landet,

den fleksibiliteten som skal til for å justere kursen på flere områder, når det er nødvendig. Treforedlingssatsingen som nå har kommet, er en god oppfølger til hva man gjorde i fjor på samme tidspunkt. Sånn sett er ikke dette noe som plutselig har dukket opp av hatten. Jeg er av den oppfatning at regjeringa gjennom disse årene har klart å sikre at vi fortsatt får vekst, at vi har så høy sysselsetting som vi har, og å bidra til å gi næringslivet de nødvendige signaler som gjør det mulig å drive næringsvirksomhet i en svært broket tid. En av grunnene til at jeg trakk fram Takeda Nycomed, er at det er et veldig godt eksempel på hva slags type utfordringer vi står overfor. overfor. Jeg syns representanten Gundersens stadige argumentering om at det nærmest er norsk formuesskattelovgivning som har gjort det vanskelig for denne bedriften, er helt på siden – virkelig helt på siden. Jeg tror ikke norsk formuesskatt var særlig med i vurderingene til de internasjonale selskapene da de kjøpte seg opp i Norge. Og det kan umulig være utslagsgivende når det gjelder spørsmålet om man skal trekke seg de eierne som i dag sitter på aksjene i Takeda Nycomed, ikke betaler en øre i formuesskatt til Norge. Jeg syns at man noen ganger må stikke fingeren i jorda og spørre: Hva er driven i det som skjer? I så måte syns jeg at de tiltak som man behandler i dag, og tiltak i forbindelse med særlig selskapsskatten, som skal behandles på fredag, er gode tiltak for rett og slett å bidra til å sikre at flere arbeidsplasser blir værende i Norge.

økte investeringene på sokkelen har bidratt til. Det er et press som er svært alvorlig, og som kan bidra til at en rekke bedrifter i annen industri kan gå over ende – ikke minst innen treforedling, som jeg vet Gundersen er opptatt av. Derfor er dette tiltaket riktig. Det er svært bra om det bidrar til at investeringer i en del felt en del felt blir utsatt, slik at dette blir gjort over lengre tid. Det er et nødvendig og et riktig grep, som jeg er glad for at regjeringen har tatt. Når jeg hører på Gundersen, konstaterer jeg at Høyre begrenser seg til å kommentere det problemet som dette presset, denne todelingen, medfører. Selv har de ingen relevante tiltak mot dette, annet den tradisjonelle skattelettepolitikken som Høyre har stått for over tid. 25 mrd. kr har de ikke har finansiering for – ut fra de påplussinger på andre budsjetter som de bidrar med her i salen. Høyre har begrenset seg til kun å konstatere dette problemet, men har ingen politikk for å motvirke det. Det har derimot regjeringen. Derfor er dette tiltaket så riktig. Bare en kort merknad til Venstre, som markerer seg med en kritisk merknad til som markerer seg med en kritisk merknad til frukt i skolen – nå er jo helsekomiteen kommet til salen, og de skal debattere folkehelsemeldingen senere i denne uken. Det er helt riktig som representanten Eldegard kommenterte: Det er ikke sammenheng i Venstres politikk når det gjelder forebyggende helse, når de går imot et så godt forslag og et så godt tiltak som

Finansministeren har altså ikke villet delta i denne debatten. Hadde en vært fra et av de andre partiene, hadde en gjerne sagt det var feigt. Slike ord bruker vi ikke i Fremskrittspartiet. Jeg er veldig glad for at i hvert fall SV har avklart hva som er regjeringens politikk, nemlig at prosjektene skal utsettes og skal avlyses. Det fikk vi bekreftet av forrige taler. Jeg håper at også Arbeiderpartiet er mann nok til å vedkjenne seg – når de er ute i debatter – hva som er konsekvensene av deres politikk. Neste taler er representanten Gunnar Gundersen. Gundersen er saksordfører i sak nr. 4, og dersom innlegget gjelder sak nr. 4, har han en taletid på 3 minutter. Det ristes på hodet, da har han 1 minutts taletid. Det er helt riktig, president. Jeg måtte reagere når Geir-Ketil Hansen sier at vi ikke har finansiering. Kan Geir-Ketil Hansen påpeke ett budsjett hvor vi ikke har holdt oss innenfor samme ramme som regjeringen? I revidert nasjonalbudsjett nå bruker vi nettopp fordi vi ikke gjentar mye av skatteopplegget vårt – det finner vi ganske fornuftig. Det kan i hvert fall ikke bli stående at Høyre ikke stiller med finansiering. Vi har en rekke tiltak som vi har klart å prioritere innenfor samme ramme som regjeringen. Det gjelder bl.a. bedre samferdsel, forskning og utvikling, det gjelder å stimulere norsk eierskap, og det gjelder å gi skattemessige betingelser som er konkurransedyktige med internasjonalt næringsliv gjennom avskrivningsregler, SkatteFUNN og den type ting.

kan så være at representanten Solvik-Olsen ikke var fornøyd med svaret, ikke tok innover seg svaret eller ikke skjønte svaret – det må representanten Solvik-Olsen for så vidt forholde seg til selv. Det andre jeg vil si, er at finansministeren verken er feig eller ønsker å unngå debatt. Et velment råd til representanten Solvik-Olsen: Et minstemål av saklighet er på sin plass.

imot det, tok Solvik-Olsen som eit teikn på ein ny landbrukspolitikk. Eg kan roe både han og dei som er meir opptekne av norsk landbrukspolitikk enn Solvik-Olsen: Den store ueinigheita som er mellom på det feltet, ligg nok fast. Så til petroleumsskatten. Når regjeringa varsla dette grepet den 5. mai, sette det i verk frå same tid og la til grunn overgangsordninger for dei prosjekta som er komne i departementet, synest vi i Senterpartiet at det er ei ryddig ordning. Desse ulike pakkane inneheld fleire delelement som skal verka saman, både vekstpakken og pakken for treindustrien. Så må eg

som seier til det norske folk at dei vil regjera saman frå hausten av, men du verden så store punkt med ueinigheit det er. Det blir ikkje enkelt – verken for dei eller for veljarane – å forhalda seg til det. En rekke av de debattene det nå vises til, kommer i løpet av den uka vi nå er inne i, og man kan kanskje ha de innleggene i de debattene! Representanten Borghild Tenden har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Veldig, veldig kort: Jeg tar ordet på grunn av det representanten Geir-Ketil Hansen sa. Hadde regjeringspartiene vært opptatt av sunn mat

gjør at det blir færre prosjekter, altså at lønnsomheten til bedriftene vil si at det blir færre prosjekter, og at regjeringens mål om mindre todeling i norsk økonomi står ved lag? Hvis det ikke blir færre prosjekter – som statsråden antydet i sitt svar til Solvik-Olsen – hvordan kan det da bli mindre todeling i norsk økonomi? Da blir det akkurat de samme ingeniørene og de samme talentene som går ut i bransjen og fortsetter å være i bransjen, og todelingen fortsetter som før. Man kan ikke gjøre begge deler, både tilfredsstille SV på den ene siden og lure velgerne på den andre siden. Jeg må si at statsråden skal ha all mulig respekt, men han kan også vise respekt tilbake til representantene i salen. Å si at Ketil Solvik-Olsen ikke var saklig i sitt innlegg, innlegg, er meningsløst. Det som mangler her nå, er et svar på spørsmålet. Statsråden kan komme opp her og si om det blir færre prosjekter, flere prosjekter eller like mange prosjekter. Det synes jeg statsråden kan svare på. Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 1–5. Etter ønske fra helse- og omsorgskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 6 og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

Dagens regelverk innebærer jo at det sannsynligvis er de mest ressurssterke pasientene som finner fram i et komplisert system. Derfor ser vi også at en veldig liten andel av pasientene tar kontakt med helseøkonomiforvaltningen når tidsfristen blir brutt. At helseforetakene får ansvar for å ta kontakt – ikke minst at de får ansvar for å ta kontakt umiddelbart – når de ser at de ikke har muligheten, vil sannsynligvis føre til at flere pasienter får innfridd sin rett til undersøkelse eller behandling innenfor den fristen som er satt. Det andre, som er et forslag som også kommer til å bety mye for pasientene, er at helseforetakene ved første svar på henvisning får ansvar for å gi dato og time for undersøkelse eller behandling til dem som får en frist innen fire måneder. De som får en frist utover fire måneder, skal også få et tidspunkt, men da innenfor et ukesintervall. Dette vil føre til at veldig mange pasienter vil oppleve svaret de får tilbake, som mye mer konkret og forståelig, og at mange vil slå seg til ro med det fordi man har en sykdom eller lidelse som det er greit å vente med, fram til den tiden man har fått, så lenge man har fått en konkret dato og time. Ikke minst vil det føre til at helseforetakene må ha bedre oversikt over egen tidsbruk og ledige timer. Forslaget innebærer også at alle med rett til helsehjelp får en medisinsk frist, og at man opererer bare med to grupper: De som har rett til helsehjelp, og de som ikke har rett til helsehjelp. Forslaget innebærer også at dagens frist for vurdering på 30 dager endres til en 10-dagers frist for vurdering av henvisning. Det er i all hovedsak også realiteten og praktiseringen innenfor dagens system. Videre omfattes radiologi ved private røntgeninstitutter som har avtaler med helseforetakene, av ordningen med fritt sykehusvalg. Alle disse forslagene innebærer i sum en forbedring av pasientenes rettigheter og er noe som Stortinget enstemmig slutter seg til.

som også burde ha blitt vedtatt i dag, men som dessverre ikke blir vedtatt. Det første forslaget innebærer at man allerede nå hadde løftet rehabilitering sammen med røntgen inn i ordningen med fritt sykehusvalg. Det var en del av høringsutkastet til denne saken og fikk bred tilslutning, og opposisjonen mener at lovendringen kunne ha blitt gjennomført allerede i dag. Så kunne man ha utredet de praktiske

eller hadde en medisinsk begrunnelse for at det ikke var nødvendig å følge forløpstidene. Sist, men ikke minst, foreslår opposisjonen at det ikke bare skal være helseforetakenes plikt å opprette en pasientkoordinator; den enkelte pasient skal også ha rett til dette. Det er en sak som også har vært framme i mediene i det siste, og den har fått bred tilslutning bl.a. fra alle pasient- og brukerombudene og fra Per Fugelli i Aftenposten i forrige uke. Så behandler vi også et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å innføre det danske «pakkeforløpet» innen kreftomsorgen. Det får også tilslutning fra opposisjonen. Jeg tar opp de forslagene som Høyre fremmer sammen med andre i sakene. Representanten Høie har tatt opp de forslagene han refererte til. Saken vi behandler nå, er til. Saken vi behandler nå, er en lovendring som vil bety mye for mange. I dag er det slik at man først venter i opp til 30 dager før man får svar på henvisningen, for så å vente enda lenger før man får tidspunkt for behandling. Er du ikke rettighetspasient, får du kanskje ikke noe konkret tidspunkt da heller. Den lovendringen vi nå vedtar, vil endre dette systemet. Noen sykehus er allerede i gang, og ved Sykehuset Østfold har de vedtatt en målsetting om at folk skal få tidspunkt for behandling i svarbrevet på henvisningen. De er ikke helt der ennå, men de er på god vei. Det å gi rettigheter er flott for dem som omfattes av rettigheten, men det kan føre til at det går på bekostning av andre. Derfor er jeg glad for at vi nå fjerner begrepet «rettighetspasient». I dag er det slik at noen pasienter blir vurdert til å ha rett til nødvendig spesialisthelsetjeneste andre kun til å ha behov for helsehjelp, mens en tredje gruppe avvises eller henvises tilbake til den kommunale helsetjenesten. Dette skillet mellom rettighetspasienter og ikke-rettighetspasienter er vanskelig å forstå og praktisere for både helsepersonellet og pasientene. Nå vil du enten ha behov for spesialisthelsetjeneste, eller du vil ikke ha det. Om du har behov, har du krav på at henvisningen din vurderes fortløpende og senest innen ti virkedager. Videre har du krav på at du innen ytterligere ti virkedager skal få et tidspunkt for når helsehjelpen skal starte. Det gjelder alle som har behov for spesialisthelsetjeneste – ikke bare en gruppe. Det er veldig positivt at det nå blir helseforetakene selv som må melde fra til HELFO, når de ikke klarer å holde fristen for behandling. Det er bra på flere måter, og jeg tror det vil ha en større effekt på helseforetakene når de selv må melde fra. Jeg tror også at mange flere fristbrudd vil bli meldt til HELFO. I dag er det slik at den enkelte pasient må gjøre det selv, og mange kvier seg nok for å gjøre det. Det er viktig å påpeke at selv om helseforetakene nå blir pålagt dette, kan pasientene selvfølgelig fortsatt selv ta kontakt med HELFO. Komiteen viser i innstillingen til spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 a om pasientkoordinator. Komiteen viser i innstillingen til spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 a om pasientkoordinator. Komiteen er bekymret for at denne lovbestemmelsen ikke følges tilstrekkelig opp av spesialisthelsetjenesten. Komiteens flertall mener derfor at det er behov for å vurdere ordlyden i bestemmelsen for å sikre at pasientenes rett til oppfølging og samordning av tjenestetilbudet blir

og behandling samt såkalt pakkeforløp etter dansk modell. La meg først få understreke at jeg i disse sakene opplever de forslag og de merknader som ligger, både fra regjeringspartiene og fra opposisjonen, som et uttrykk for at vi alle ønsker å styrke pasientrettighetene, og at vi alle i denne sal er opptatt av å forbedre norsk helsevesen til beste for norske pasienter.

dersom den ikke er i stand til å oppfylle den juridiske fristen for når helsehjelp senest skal gis, samt forslaget om at retten til fritt sykehusvalg også skal omfatte private radiologiske institusjoner som har avtale med et regionalt helseforetak, er begge forslag gode eksempler på at vi står sammen om å gå i riktig retning, selv om sistnevnte forslag kunne vært gjennomført med en gang. Et faktum for oss alle som jobber med helsepolitikk – og for pasientene – er dessverre at ventelistedata fra Norsk pasientregister viser at det er store forskjeller i rettighetstildelingen mellom de regionale helseforetakene, og at det til dels er betydelige forskjeller selv på helseforetaksnivå og innenfor de enkelte pasientgrupper. Fremskrittspartiet mener at regjeringens grep er positive, men dog utilstrekkelige. Selv om fristen for henvisning nå settes til ti virkedager, har dette etter vår oppfatning i realiteten liten innflytelse på hvor raskt pasienten faktisk får konsultasjon og behandling. Det er helt klart positivt at pasientene nå i større grad har rett på informasjon enn tidligere, men vi tror de fleste pasientene faktisk er mer opptatt av hvor raskt man får behandling, og ikke bare den informasjonen de har behov for. Jeg tror dessverre den nye fristen ikke vil medføre vesentlig bedre tilbud for pasienter som har behov for rask behandling. Omlegging der man endrer dagens ordning med pasienter som er inndelt i kategoriene rett til helsehjelp og ikke rett til helsehjelp, vil etter min oppfatning i stor grad kunne bli en teoretisk omlegging. Fremskrittspartiet mener det er sentralt at alvorlig sykdom blir prioritert først, og det skal selvfølgelig også gjelde etter omleggingen og reguleres gjennom prioriteringsforskriften. Jeg tror nok at proposisjonens forslag vil bety at helsetjenestenes prioriteringer vil fortsette som i dag, og at pasientene dessverre vil Fremskrittspartiet deler Kreftforeningens bekymring over at pasientgrupper som ikke er tydelig diagnostisert med kreft – og som forskningen viser at det er ganske mange av – kan falle lenger bak i prioriteringen. Dette faktum understreker nok en gang behovet for et pakkeforløp innen kreftbehandling i tråd med Dokument 8:102 S, som også behandles i dag. Fremskrittspartiet mener det er behov for en større gjennomgang av alle rettigheter til norske pasienter enn det regjeringen legger opp til i denne proposisjonen, og at pasientrettighetene bør styrkes på flere områder. I Danmark opereres det med to ulike behandlingsgarantier. Den ene garantiene er på en måned og gjelder eksempelvis for kreftpasienter og pasienter med alvorlig hjertesykdom. Den andre garantien gjelder øvrige pasienter som er Dersom denne fristen ikke overholdes, får pasientene tilbud om å velge behandling ved andre offentlige eller private sykehus. I tillegg til dette innføres det i Danmark i disse dager en ny garanti for forundersøkelser og diagnostisering på en måned. Fremskrittspartiet mener det er på høy tid å gi norske pasienter tilsvarende rettigheter som man har i Danmark. Jeg registrerer at regjeringspartiene er bekymret over et slikt forslag og mener at det vil koste for mye. Fremskrittspartiet er ikke bekymret over å bruke mer penger på å få pasienter friske, det er derimot god økonomi. Jeg vil ta opp det forslaget som ikke på annen måte er tatt opp i de to nevnte saker. Representanten Per Arne Olsen har tatt opp det forslaget han refererte til.

Dagens lovendring styrkjer pasientrettane i forhold til rett til vurdering, òg ved fristbrot. At det frå no av skal vera spesialisthelsetenesta og ikkje pasienten sjølv som varslar HELFO om fristbrot, er ei endring som har vore etterlyst. Det styrkjer òg pasientrettane at fristen for retten til vurdering vert endra frå 30 til 10 dagar. Ved alvorleg eller livstruande sjukdom har pasienten rett til raskare vurdering og akutt hjelp.

I tilfelle med rett til vurdering er det viktig at fokuset på spesialisthelsetenesta vert følgd av eit tilsvarande fokus på allmennmedisinaren sin kompetanse til raskast mogleg å oppdaga symptom som krev tilvising. EU-domstolen har slått fast at helsetenester vert omfatta av reglane for fri rørsle av tenester i EFTA-traktaten, og dette er fundamentet pasientrettsdirektivet byggjer på. Rett til sjukehusbehandling i andre land, dekt av trygdesystemet i heimlandet, vil påverka helsevesenet. Vi veit ennå ikkje korleis. Når ein behandlar pasientar i eit anna land enn der pasientane har sine andre plikter og rettar som borgar, vil behovet for å kategorisera og prisa ulike pasientgrupper og behandlingar auka. Behandlaren må sikra seg rett pris for utført teneste, ein rettferdig handel. Pasientrettsdirektivet er resultat av ein lang prosess i EU-systemet, der drivarane ikkje har vore folket eller nasjonane, men EU-systemet. I forhandlingane var medlemslanda si bekymring dei behova for planlegging, kostnadskontroll og prioritering landa har. I Noreg er pasientrettsdirektivet eit godt eksempel på korleis EØS-avtalen fungerer i det norske demokratiet. Det har ikkje vore eit folkekrav å verta ein del av eit felles europeisk helsevesen, og ingen politiske parti har hatt dette som ei kampsak,

Direktivet fastsett at pasientane skal ha rett til å få helsehjelp i alle land som vert omfatta av den indre marknaden i EU. Pasientane skal ha rett til refusjon opp til kva behandlinga kostar i pasienten sitt heimland. Medlemslanda kan krevja førehandsgodkjenning for refusjon av enkelte helsetenester. Dersom ventetida i heimlandet er etter måten for lang, skal slik I prinsippet er nasjonal lovgiving underlagd EU-lovgivinga på alle område som vert omfatta av avgjerdene om fri rørsle av tenester. Idet eit område vert opna, vil rettsutviklinga på området verta fastsett i EU-domstolen. Dagens norske tolking av direktivet vil derfor kunna verta korrigert av EU-domstolen. Direktivet tillèt nasjonal førehandsgodkjenning, men krev det ikkje. Refusjonsordning og store avstandar kan utfordra likebehandling som viktig verdi i helsevesenet. Moglegheit for endringar i nasjonale helsetilbod til eiga befolkning som følgje av at land med svært ulik betalingsevne skal verta harmoniserte, har vore lite omtalt. Det er lang tradisjon for at land samarbeider om helsetenester over landegrenser. Det er sjølvsagt positivt når eit land sine spesialitetar vert gjorde tilgjengelege for pasientgrupper i andre land.

ikke blir overholdt, og de nødvendige lovendringene for å kunne gjennomføre pasientrettighetsdirektivet fra EU. Fra Kristelig Folkepartis side vil jeg understreke noen tilleggspunkter. I gjeldende lov er det pasientenes helsetilstand som skal vurderes innen 30 virkedager, mens det nå er henvisningen. Dette er en endring i loven. men det er også viktig for å komme i gang med et godt og forsvarlig pasientforløp. I proposisjonen pekes det på at det arbeides med å igangsette et prosjekt for Dette må bli et prosjekt med ekspressfart. Jeg ber om at statsråden redegjør nærmere for dette i sitt innlegg, hvordan dette prosjektet skal ivareta pasientene, for en dårlig henvisning til sykehus gjør at noen andre må gjøre jobben. Det er unødvendig, men det kan man leve med. Det man ikke kan leve med, er at mangelfulle henvisninger gjør at pasienten den som er henvist – ikke får den hjelpen den trenger. Videre gjøres det i proposisjonen et skille mellom uavklart og avklart tilstand hos pasient. Hos pasienter som har avklart tilstand, skal den individuelle juridiske fristen gjelde behandling, men har pasienten en uavklart tilstand, skal fristen gjelde utredning. fra det vi i dag kaller avklart tilstand og dermed rett til behandling, over til de uavklarte tilstandene, som bare gir rett til utredning. Det er det viktig at statsråden legger seg på sinne. Utover dette støtter jeg de bemerkninger som saksordføreren, representanten Høie, hadde i sitt innlegg når det gjelder pasientrettigheter, og at de kan velge rehabiliteringssted, når det gjelder dette med forløpstid til pasientbehandling, og dette med individuell rett til pasientkoordinator. Så til representantforslaget fra Fremskrittspartiet om et «pakkeforløp» innen kreftomsorgen.

men også når det gjelder det behandlingsmessige. Derfor er det viktig at man legger til rette for god behandling og behandlingsforløp. Det er viktig for meg å understreke her at informasjon til den pasient som er rammet, og pårørende rundt også er viktig. Derfor støtter Kristelig Folkeparti forslaget fra Fremskrittspartiet om et «pakkeforløp» for

Jeg er glad for at en samlet komité slutter seg til de forslag til endringer regjeringen har fremmet i proposisjonen. Det er viktige endringer som vil bidra til å sikre at pasientene får gode og forsvarlige pasientforløp. Jeg vil også vektlegge det forholdet at sykehusene nå får ansvar for å ta affære om det bærer mot et fristbrudd. Det er å gi likeverdige tjenester, fordi det ofte er de ressurssterke som lettest har kunnet se at det bærer den veien, mens andre som ikke har innsikt og ressurser, kan bli stående igjen i en vanskelig situasjon. Jeg vil understreke at vi ikke når målene våre alene ved å gjøre endringer i regelverket. Jeg er litt urolig for at det kan bli en tendens i løpet av denne dagen at vi tror at bare vi diskuterer rettighetsfesting, lovfesting og formulerte tekster, endrer virkeligheten seg i den kliniske hverdagen. Nei, dette er en bred utvikling i retning av bedre kommunikasjon, tydeliggjøring av rettigheter praksis. Dette må gjøres hver dag ute i sykehusene. De må arbeide med kompetanseheving, og de pasientadministrative systemene og bedre informasjon til pasientene må komme på plass for å kunne overholde de nye lovforslagene. De løftene vi gjør innenfor IKT, vil hjelpe til dette. Regjeringen, kan jeg love, skal være med og bidra til å sette sykehusene i stand til å nå målene. Enkelte har kommentert forslaget om å endre vurderingsfristen. Blant annet har Kreftforeningen vært urolig for at alvorlig syke kan bli nedprioritert som følge av forslagene. Jeg vil understreke at dette forslaget ikke handler om å svekke rettighetene til dem som er alvorlig syke – tvert imot. Lovendringene skal gjelde alle pasienter som har behov for helsehjelp, både de som har kreft, og de som har tilstander som ikke krever like rask behandling. De nye reglene skal fungere som et sikkerhetsnett for alle pasienter. Det er selvsagt slik at de som blir akutt syke, eller der legen mistenker alvorlig sykdom, sykdom, skal vurderes og behandles raskere enn dem med mindre alvorlige tilstander. Jeg er enig med representantene fra Fremskrittspartiet i at kreftpasienter skal sikres rask, effektiv og god behandling. Samtidig vil jeg understreke at vi har god kvalitet i norsk kreftomsorg i dag, noe som gjør at stadig flere overlever sin kreftsykdom. Vi kjenner statistikken over det. Riktig og rask diagnostikk og utredning legger grunnlaget for gode behandlingsresultater. Vi har derfor et ambisiøst mål, fastsatt i dialog med fagmiljøene, om at 80 pst. av pasientene skal ha startet behandling innen 20 virkedager. Vi strekker oss mot det målet, og vi gjør fremskritt. Regjeringens nye kreftstrategi, lagt fram for to uker siden, trekker opp nasjonale målsettinger på flere viktige områder. Et viktig mål er å få til godt koordinerte og forutsigbare pasientforløp. Det skal bl.a. gjøres gjennom å etablere standard pasientforløp i alle handlingsprogrammene og å videreutvikle de nasjonale handlingsprogrammene til å omfatte hele pasientforløpet. Godt organiserte pasientforløp med anbefalte forløpstider skal sikre pasienten et raskt, forutsigbart og helhetlig forløp gjennom diagnostikk, utredning, behandling og oppfølging. Innholdsmessig vil standardiserte pasientforløp ha klare likhetstrekk med den danske modellen med «pakkeforløp» for kreftbehandling, tilpasset organiseringen av vår helsetjeneste. Når det gjelder spørsmålet om lovfesting av forløpstider, mener jeg at dette ikke er veien å gå. Den enkelte pasient må vurderes individuelt ut fra hvor alvorlig sykdommen er, og hvor mye det haster for ham eller henne. Jeg mener det blir feil å lovfeste bestemte tidsfrister knyttet til diagnoser. Regelverket vil da bli mer komplisert og byråkratisk for både helsepersonell og pasienter, uten at det nødvendigvis fører til bedre pasientforløp. Regjeringen er opptatt av at alle pasienter skal være trygge på at de får den hjelpen de trenger, når de trenger den. Disse lovendringene mener jeg vil bidra til dette.

det å endre lovteksten er å styrke pasientrettighetene, når 30-dagersfristen for vurdering av helsetilstand bortfaller? Det jeg opplever, er at med den delen av 30-dagersfristen som representanten viser til her – at man skal være utredet innen 30 dager – er det en meget blandet praksis. For hva er en utredning? Det kan være en utredning som tar sikte på å gi svar fordi utredning i seg selv gir avklaringer, og det kan være en utredning for å begynne behandling. Det er et veldig lite treffsikkert mål, slik jeg hører det fra den kliniske hverdagen. Poenget med den gjeldende teksten, som vi samles om i dag, er jo at en praksis som i dag ligger rundt 10 dager – den ligger til og med litt under, våre fastleger er gode til å henvise, og sykehusene mottar det – nå skal settes til 10 dager, slik at du som pasient blir innkalt og begynner ditt forhold til sykehuset. Da mener jeg det er viktig at sykehuset tar din tilstand til vurdering individuelt. Om det er behov for å komme i gang med en utredning med en gang på grunn av tilstanden, må den beslutningen tas. Hvis det er en avklart tilstand som kan behandles litt fram i tid, må det tas, og hvis det er akutt og alvorlig, som for kreftpasienter, skal det selvfølgelig tas på det alvor som det er. Jeg mener det ikke er en svekkelse, men tvert imot en forenkling – og en forenkling er stort sett bra for pasientene.

sånn at det som systemet ikke kan passe på, er det i alle fall et menneske som passer på? Det viktige her er at det er en lov, og at det er en plikt for sykehusene å sørge for at pasienten får den veiledning som han eller hun trenger. Om vi kaller det en kontaktperson eller en koordinator – eller hvilken kvalifikasjon vedkommende har – mener jeg må ses i lys av det behovet pasienten har. Derfor mener jeg at hvorvidt det må være en lege – at – avhenger av hvilket behov koordinatoren eller kontaktpersonen skal ivareta. Jeg merker meg i dag at Kreftforeningen og LHL sier at det ikke er avgjørende at det er en lege – det må være en person med kompetanse, slik at helsebehovet blir ivaretatt. Men det representanten har helt rett i, er at forbedringspotensialet i norske sykehus når det gjelder kommunikasjon, ivaretakelse av hele mennesket, det menneskelige behovet, er stort. Vi har dyktige behandlere, vi har mindre god kommunikasjonskunnskap i sykehusene. Men det å gjøre dette til Men det å gjøre dette til en rettighet mener jeg er å skape mer byråkrati, mer av det som sykehusene roper at det er for mye av: skjemaer, rapporteringer, klager – alle mulige slike tilsyn. I dag har man en plikt, det står også i loven. Og Helsetilsynet har slik sett et ansvar for å se sykehusene i kortene. Etter at vi i dag har behandlet disse lovendringene, blir det slik at etter at det har gått ti virkedager, skal man kunne få et behandlingsløp når henvisningen er behandlet. Men det som da er alfa og omega, er at henvisningen er god, at man klarer å kommunisere kunnskap gjennom henvisningen, slik at spesialisthelsetjenesten ser de behovene som pasienten har. har. Slik som jeg leser proposisjonen, har også regjeringen vært opptatt av at henvisningene må være gode, for man skal igangsette et prosjekt om å utvikle nasjonale henvisningsveiledere. Jeg spurte i mitt innlegg om statsråden kunne kommentere dette i sitt innlegg. Det gjorde han ikke, og derfor spør jeg nå om statsråden kan redegjøre når dette prosjektet vil være ferdig, slik at de henvisningene som trengs, blir gode. Det jeg hører, er at norske fastleger er ganske gode til å henvise – gjennomgående er det gode henvisninger. Men det sier seg selv at når en henviser videre til spesialisthelsetjenesten, er det fordi den må overta en stafettpinne. Det jeg mener det da er viktig å gjøre, er å utarbeide slike veiledere som kan bidra til en type standardisering og veiledning for hvordan man tar det utarbeide slike veiledere som kan bidra til en type standardisering og veiledning for hvordan man tar det imot. Jeg kan ikke i dag gi en tidsfrist for det, men det jobbes med høy prioritet for å få dette ferdig. Når dette lovverket nå skal implementeres – det skal gi mange flere rettigheter, og det skal bli en forenkling – skal det også bli et løft for kompetansen. Jeg tror dét er en bedre vei å gå for å styrke ansvaret ute i sykehusene for å gjøre dette bedre, enn at vi som lovgivere skal komme opp med stadig nye rettigheter, stadig nye lover, stadig flere oppgaver som kommer til å føre til flere ord og mer byråkrati i en virkelighet i hverdagen. Så denne veilederen skal vi snart få på plass og få den ut til sykehusene – til hjelp for dem som skal gjøre den viktige jobben. Replikkordskiftet er dermed omme. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil

mye lidelse og utrygghet med kreftsykdom. Alle forslag for rask og minst like god utredning og behandling er derfor viktige. Dette forslaget knytter seg til et «pakkeforløp», slik det brukes i Danmark. Ordet «pakke» skal være et mindre poeng i mitt innlegg, men jeg synes ordet passer dårlig og assosieres med noe kaldt og teknisk. Det vi ønsker å bruke, er prosesser som er godt planlagt, som har god fremdrift, og der de faglige ressursene finner hverandre i riktig rekkefølge – og der effektivitet ikke skader den gode omsorg. Forslagsstillerne viser til erfaringer fra Danmark og tidsfrister der. Det er mange likheter mellom faglig organisering og samhandling for kreftpasienter i Danmark og i Norge. Vi har nasjonale handlingsplaner med faglige retningslinjer for en rekke kreftsykdommer. Dette har bidratt til felles behandlingsregimer i hele landet og gode resultater. For å bli enda bedre innførte regjeringen i 2011 anbefalte forløpstider for utredning og behandling av visse kreftsykdommer, og disse integreres i de nasjonale handlingsplanene. Vi sier at henvisning skal være vurdert innen fem dager, utredning skal være startet innen ti dager og behandling Sykehusene måles på om de oppnår dette for minst 80 pst. av pasientene. Av gode grunner, f.eks. svært vanskelig utredning på vei mot diagnose, vil forløpet for en del pasienter ta lengre tid. Vet vi egentlig hva som er det ideelle målet på området, målt i antall dager? Jeg tror ikke det. lntuitivt kunne målet være at samme dag som symptomet på kreft – eller uroen for kreft eller ikke kreft – kom fram, skal vi rett inn i et strømlinjeforløpet forløp. Kanskje ville det også være vanskelig for mange. Det er en erfaring at noe tid til bearbeiding av sjokk og angst, sammen med sine kjære, er viktig. Den delen av helingsprosessen er individuell, men må også få sin riktige tid.

Første taler er sakens ordfører.

Formålet med lovendringene er å hindre at innsamlede data går tapt, og slik unngå at Kreftregisteret mister sin mulighet til å drive forskning, gi råd og veiledning om helsehjelp mot kreftsykdommer og gi informasjon til forvaltning og befolkningen om tiltak som kan forebygge kreftsykdom. Av 33 høringsinstanser har én ytret seg imot et slikt forslag, og alle partier i helse- og omsorgskomiteen, unntatt Kristelig Folkeparti, støtter forslaget. Jeg vil redegjøre for flertallets syn og regner med at Kristelig Folkeparti eventuelt redegjør for sitt. Slik vi ser det, reiser saken to hovedspørsmål. Det første: Hvordan kan personvernhensyn ivaretas? Det andre: Siden lovendringen gjelder allerede innsamlede data, har den tilbakevirkende kraft? Personvern er en grunnleggende rettighet, og personvernet utfordres på en rekke samfunnsområder. Stortinget behandlet 28. mai personvernmeldingen, som bl.a. peker på at ny teknologi gjør lagring og bruk av personopplysninger mulig i et omfang det tidligere var vanskelig å forestille seg. I denne saken og i mange, mange andre saker må hensynet til den enkeltes personvern og andre behov avveies. Det er ikke enkle vurderinger. Arbeiderpartiet og flertallet legger til grunn at den foreslåtte reservasjonsretten er uttrykk for en fornuftig avveining av personvernhensyn mot behovet for data i Kreftregisteret som skal brukes til forskning og behandling av kreftsyke. Datatilsynet og Personvernnemnda har fattet vedtak om å slette data om friske personer i Kreftregisteret. For at disse dataene ikke skal gå tapt, har regjeringen foreslått at endringen skal gis virkning også for opplysninger som allerede er innsamlet. Saken reiser dermed det andre hovedspørsmålet: om tilbakevirkende kraft. Innebærer forslaget at ny lovgivning får tilbakevirkende kraft i strid med Grunnloven? Flertallet har merket seg vurderingen fra Justisdepartementets lovavdeling, der det heter: «Etter vår mening kan det ikke være tvil om at den påtenkte forskriftendringen ikke rammes av Grunnloven § 97.» Flertallet deler denne vurderingen og legger avgjørende vekt på at den enkelte har rett til å kreve opplysninger om seg selv slettet. Vi lever i en tid og i et samfunn der vi kontinuerlig må være på vakt mot endringer som svekker den enkeltes rett til privatliv. Personvernet må veie tungt, men andre hensyn er også legitime. Den politiske oppgaven består i å avveie hensyn og søke å finne fram til løsninger som samtidig kan ivareta personvernet og samfunnets øvrige behov. Vi mener løsningen med reservasjonsrett er en god, balansert løsning. Vi unngår et alvorlig tilbakeslag for norsk kreftforskning og gir samtidig den enkelte eiendomsrett til egne persondata. Personvern er

Beskyttelse av helse er et slikt område. Men likevel forteller dette meg at det vi diskuterer nå, er av stor prinsipiell art. Kreftregisterets forskrift gir regler for innsamling og behandling av helseopplysninger. I § 1-2 tredje ledd, som regulerer opplysninger i screeningsprogrammet, står det følgende: «Kreftregisteret kan videre inneholde helseopplysninger om personer som har deltatt i undersøkelsesprogram for tidlig diagnose og kontroll for kreftsykdom. Ved negativt funn kan direkte personidentifiserende opplysninger bare registreres permanent Direkte personidentifiserende opplysninger kan oppbevares midlertidig slik at opplysningene kan kvalitetssikres.» Dessverre har Kreftregisteret ikke opptrådt i tråd med denne forskriften. Datatilsynet har gjennom sine vedtak fra 2009 og framover vist dette. Samtykkekravet er ikke oppfylt, et samtykke om at det skal være frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte om at hun eller han godtar behandling av helseopplysninger om seg selv. La det ikke herske noen tvil om at de to screeningprogrammene vi i dag behandler, er to viktige screeningprogrammer. Vi mener at det er mulig å fortsette å kunne opprettholde samtykkeprinsippet. Helse Fonna skriver i sitt høringssvar at de «er av den formening at det av hensyn til personvern og respekt for enkeltindividet fortsatt bør være krav om informert samtykke. Ved grundig informasjon og åpenhet mener vi at hensynet til samfunnets behov vil bli ivaretatt, og behov vil bli ivaretatt, og personen det gjelder, vil kunne beholde kontroll over egent liv og egen integritet på en bedre måte enn gjennom reservasjonsrett. Informert samtykke krever større innsats og aktpågivenhet fra helsepersonellets side, men med gode rutiner vil ikke forskjellen bli stor, og det må være mulig å oppnå samme datagrunnlag som ved bruk av

der man godtar en registrering til at de som er med i registeret og i screeningprogrammene til Kreftregisteret, må motsette seg en registrering. Kristelig Folkeparti mener at dette er en så stor inngripen i personvernet at vi ikke kan støtte regjeringen i de endringene som er foreslått, og vi går derfor imot endringene i Prop. 160

Over hele verden finner forskerne sine riktige tellere – de vet hvor mange kreftpasienter som fikk en diagnose og hvor mange som overlevde. Men de har vanskelig for å sammenligne egne resultater over tid med andre eller med seg selv, fordi det er enkelt å finne telleren, men vanskelig å være sikker på nevneren. I mange land er den eksakte størrelsen på befolkningen ikke et sikkert tall. Mange land har f.eks. folketelling bare hvert tiende år og da med store feilkilder. Våre kreftforskere har verdens beste data når det gjelder forekomst og overlevelse av kreft fordi vi har et kvalitetsregister, og fordi forskerne kan arbeide med sikre nevnere fra folkeregisterdata og personnummersystem. Jeg støtter forslagene i saken og er glad for at den politiske støtten er svært bred. Dette er viktig politisk backing til forskning av høy kvalitet for nye generasjoner. Vi får del i ny kunnskap fra internasjonal forskning, og Norge bør bidra til det internasjonale fellesskapet på områder hvor vår kompetanse og våre forutsetninger er helt unike. Dette er

robust og i stand til å ivareta den viktige samfunnsoppgaven. Når man går inn i denne saken og ser på betydningen særlig for kvinners helse, men kreftforskningen generelt, ser vi at det er av usedvanlig stor betydning at vi kan gjøre det vedtaket vi gjør i dag. La meg bare understreke: Personvernhensyn er et tema av aller viktigste kategori. Jeg mener det er godt ivaretatt her. Her er det full mulighet for å reservere seg, og vi kommer selvfølgelig til å følge opp at det blir fulgt videre. Men, som sagt, jeg synes det er en god sak at Stortinget i dag kan gjøre dette så bredt og samlet, og det legger et godt grunnlag videre. Så skal jeg også si at vi vil følge med på måten Kreftregisteret nå håndterer denne siden av sitt arbeid, for det er klart at det å være fremragende i forskning på feltet er én ting, og det å kunne organisere det arbeidet er en administrativ like viktig å holde orden på de sysakene, og det må vi følge opp overfor registeret. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 8. Etter ønske fra helse- og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

Toppe, som er sakens ordfører. Vi har nettopp vedtatt et debattopplegg der Senterpartiet skal ha 5 minutter, og da får saksordfører Toppe 5 minutter. Vær så god.

Komiteen sluttar seg like fullt til meldinga sitt fokus på at gode velferdstenester er avhengige av at alle tar ansvar og deltar aktivt i fellesskapet. Alt kan ikkje overlatast til offentlege ordningar og profesjonelle utøvarar aleine. Aktivt medansvar – formelt gjennom frivillige organsisasjonar, brukarorganisasjonar eller uformelt gjennom familie og sosialt nettverk – bidrar til å skapa tillit og solidaritet mellom generasjonar. Komiteen meiner dette er verdiar som utviklinga av framtidas omsorgstenester må byggja vidare på. Komiteen viser i innstillinga til at undersøkingar tyder på at fysisk, sosial og kulturell aktivitet er dårlegare varetatt i dagens tilbod enn grunnleggjande oppgåver som omsorg og pleie. Komiteen meiner dette viser at Samhandlingsreforma må vidareutviklast i retning av meir aktiv omsorg, meir førebygging, meir habilitering og rehabilitering og det å ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsmetodar. Omsorgssektoren er langt ifrå berre eldreomsorg. Det er likevel rett å nemna at talet på personar over 67 år vil verta meir enn fordobla frå 2000 til 2050. Talet på personar med demens i Noreg er forventa å kunna verta fordobla til om lag innan ein periode på 25–30 år. Desse endringane vil sjølvsagt utfordra den kommunale pleie- og omsorgstenesta. Stortingsmeldinga om morgondagens omsorg har følgjande hovudsiktemål: Ein skal leita fram og mobilisera samfunnet sine samla omsorgsressursar, ein skal utvikla nye omsorgsformer gjennom ny teknologi og nye faglege metodar, ein skal styrkja kommunane og ein skal gjera eksisterande bustader meir tilgjengelege, i tillegg til å ta i bruk ny velferdsteknologi og leggja større vekt på meistring og kvardagsrehabilitering. Den største omsorgsressursen ligg ofte hos brukaren sjølv. Aktivisering og hjelp til og til at brukarane klarar seg lenger heime i eigen heim. For å få dette til er det nødvendig med fagleg omstilling av den kommunale helse- og omsorgstenesta med større vekt på rehabilitering, førebygging og tidleg innsats. Komiteen støttar regjeringa si satsing for å stimulera kommunar til å ta i bruk ulike modellar for kvardagsrehabilitering. Komiteen understrekar behovet for kunnskapsformidling og for å styrkja både ergoterapi- og fysioterapisatsinga i kommunane. Det vert òg vist til behovet for utbygging av dagaktivitetstilbod for personar med demens. I meldinga vert det lagt fram eit program for ein aktiv og framtidsretta Komiteen understrekar at ei sterk offentleg pleie- og omsorgsteneste er nødvendig for at pårørande skal få den hjelpa og den støtta som dei treng. Undersøkingar viser at mange pårørande sjølve vert utslitne, og at norske kommunar gjennomgåande ikkje kartla eller vurderte pårørande si omsorgsbyrde. Dette vil meldinga ta fatt i. Fleirtalet understrekar betydninga av at omsorgslønnsordninga vert forbetra og meir rettferdig og føreseieleg. Ein samla komité støttar regjeringa sitt forslag om å utvikla ein nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet, der målet er å rekruttera og halda på frivillige i omsorgstenesta, styrkja sosiale nettverk og Det vert vist til satsinga på opplæring av frivilligheitskoordinatorar i regi av Verdighetssenteret i Bergen, og òg sertifiseringsordning for «livsgledesykehjem» i regi av Stiftelsen Livsglede for Eldre. Komiteen er òg opptatt av og støttar den varsla satsinga på ombygging av der det vert vist til ei styrking av tilskota til tilpassing av eigen bustad. Ein støttar òg at investeringar skal fortsetja utover 2015 med omsyn til sjukeheim- og omsorgsbustader, og at det òg skal inkludera tryggleiksbustader. Det skal verta eit nasjonalt program for velferdsteknologi,

Det er litt seint å seia det når eg har prøvd å gjera meg ferdig, så det får heller stå si prøve. Presidenten refererte det vanlige opplegget når det gjelder fordeling av taletid, og da må også komiteen være litt oppmerksom på om det er i henhold til de ønskene som komiteen har. Neste taler er Håkon Haugli, som presidenten har fått opplyst skal ha en taletid på inntil 5 minutter. minutter. At fellesskapet har ansvar for å gi oss omsorg når vi trenger det, er for Arbeiderpartiet en av bærebjelkene i velferdsstaten. Vi er opptatt av at generasjonene etter oss skal ha samme trygghet. Alle som har behov for hjelp og omsorg, skal få det. Ordet «mulighetsmelding» er brukt om Morgendagens omsorg. Det handler om å tenke nytt, annerledes og bedre. Ingenting kan eller skal erstatte personlig omsorg, men ny teknologi og nye måter å gjøre ting på kan gi større trygghet, større frihet og økt livskvalitet. Flere vil kunne bo der de aller helst vil bo: hjemme hos seg selv. Utfordringene på omsorgsfeltet er beskrevet mange ganger tidligere. Alt tyder på at omsorgstjenestene løser sine grunnleggende oppgaver – behandling og pleie – på en god måte. Men tjenestene kommer ofte sent inn og er ikke like gode på å forebygge og rehabilitere eller på å se helheten i fysisk, sosial og kulturell aktivitet. Hagen-utvalget har også pekt på flere utfordringer: vekst i yngre brukergrupper, flere eldre med større hjelpebehov, færre frivillige omsorgsytere og knapphet på helse- og omsorgspersonell, for å nevne noe. Det er mulig å løse disse utfordringene. Det handler om å se de ressursene som ligger hos brukerne selv, deres familier og nettverk, i organisasjoner og lokalsamfunn. Det innebærer også omstilling, mer forebygging og rehabilitering i tillegg til utvikling og styrking av den pleiefaglige kjernevirksomheten. Komfyrer som slår seg av automatisk, hindrer brann. Sensorer som utløser en alarm om noen faller, redder liv. GPS-sendere kan gi demente frihet til å bevege seg i naturen, mestringsfølelse og livskvalitet. En fuktsensor i senga kan bidra til at hjemmetjenesten slipper å låse seg inn og stikke en hånd inn i sengetøyet. Å unngå vekking og opplevelse av å få sin personlige integritet krenket er viktig for begge parter. Trygghetsalarmen har vist seg bare å være begynnelsen på en teknologisk revolusjon som vil forenkle livet, og gjøre eldre og pårørende tryggere. Et annet eksempel på nytenkning og omstilling er det viktige arbeidet som pågår på demensfeltet, bl.a. gjennom Demensplan 2015. 70 000 personer har demens i Norge i dag, og tallet kan være doblet i 2040. Det bygges ut dagplasser for demente i hele Norge, dagtilbud som aktiviserer, stimulerer og gir gode opplevelser, og som avlaster de nærmeste på dagtid. Et godt utbygd dagaktivitetstilbud gir økt livskvalitet og bidrar i tillegg til å forhindre eller utsette institusjonsinnleggelse. For Arbeiderpartiet handler dette om at vi ikke bare skal forsvare, men kontinuerlig utvikle velferdsstaten. Det er viktig at det offentlige har ansvaret for pleie- og omsorgstjenestene. Ideelle aktører og frivillig sektor er gode og viktige samarbeidspartnere. Frivillighet har en egenverdi. I tillegg er frivilligheten en ressurs for mange eldre, og eldre en ressurs for frivilligheten. Likevel er det gjennom en offentlig modell samfunnet best sikrer at ressursene kommer pasienter og brukere til gode, at det skapes forutsigbarhet i tjenestetilbudet, og at ressurser fordeles rettferdig. Erfaringene med utstrakt kommersialisering viser at det ikke gir bedre kvalitet, og at tjenestene heller ikke kan utføres billigere uten at det går ut over lønns- og pensjonsvilkår for de ansatte. Vi er grunnleggende skeptiske til det vi ser i Sverige, der stadig større og færre helsekonsern med adresse i utlandet driver den konkurranseutsatte delen av pleie- og omsorgsfeltet. Det bidrar til at betydelige beløp bringes ut av landet uten skattlegging. I fremskrittspartistyrte Austevoll kommune tar selskapet Aleris nå over alle omsorgstjenester. Et privat omsorgsmonopol gir ikke mer valgfrihet. Men det gir mer byråkrati: Et bestillerkontor med flere årsverk har nå som eneste oppgave å inngå og følge opp kontrakter med kommersielle leverandører. Hva skjer med omsorgen om den private leverandøren går konkurs, slik vi nylig så en privatskoleleverandør i Sverige gjøre? Og om nye tanker kun forstås som «bedriftshemmeligheter» og vernes av konkurransehensyn, hvordan kan da nytenkning komme andre deler av omsorgstjenestene til nytte? Vi har vanskelig for å forstå høyrepartienes ukritiske begeistring for private løsninger, og registrerer at vi bl.a. har Pensjonistforbundet med oss i denne skepsisen. Vårt svar er et annet. Vi vil videreutvikle de gode fellesskapsløsningene vi har i Norge. Vi vil ha faglig omstilling og dele kunnskap. Vi vil utvikle tjenester i samarbeid med og i respekt for dem det gjelder: brukerne, de pårørende, ansatte i helse og omsorg, ideelle organisasjoner, forskningsmiljøer og næringsliv.

eldre. Eldre mennesker er som alle andre mennesker forskjellige, med ulike behov, erfaringer, tradisjoner, interesser og smak. Eldre mennesker kan være mer sårbare enn andre. Sykdom, aldring og svekket helse gjør at mange eldre ikke orker så mye som tidligere. Kvaliteten i samfunnet blir ofte målt opp mot hvor godt det tar vare på sine eldre. I flere år har Norge hatt eksempler på til dels store mangler innen eldreomsorgen. De verste historiene har prydet tabloidavisenes forsider og framstår som skrekkeksempler på vanskjøtsel og overgrep. Mange stiller seg spørsmålet om hvordan slike ting kan være mulig i et så rikt og velutviklet land som Norge. Vi har faktisk hatt en kontinuerlig debatt om eldreomsorgen siden vi fikk lov om kommunehelsetjenesten på midten av 1980-tallet. Det vi har kunnet registrere, er at landets kommuner har svært ulike forutsetninger for hvordan de klarer å løse oppgavene innen dette viktige velferdsområdet. Samtidig ser vi at kommunene blir pålagt stadig flere oppgaver, og kravene til kvalitet blir strengere, men virkemidlene, og da spesielt de økonomiske virkemidlene, står i mange tilfeller ikke i forhold til behovet. Kommunenes gjeldsbyrde har jo også økt formidabelt de senere år, og handlingsrommet har da blitt redusert. Fremskrittspartiet har i en årrekke tatt til orde for at vi må få på plass en statlig finansiering av eldreomsorgen. I Norge er det jo slik at det er staten som sitter på pengesekken, mens det er kommunene som møter behovet i første linje. Motstanderne av vårt forslag viser ofte til at det er kommunene som er best egnet til å vurdere behovet siden de står nærmest brukerne og pasientene. Det er selvsagt helt riktig, men det blir jo ikke flere penger av det. Jeg kunne ha forstått det om de som ikke støtter vårt forslag, hadde gått inn for fri kommunal skattøre, og samtidig senket de nasjonale skattene og avgiftene, slik at kommunene kunne ha skaffet seg den nødvendige økonomi til å yte tjenester av den kvalitet som stortingspolitikere prater om, men det er det ingen som foreslår. Det vi ser i norske kommuner, er at de legger seg på en standard som kalles godt nok. Det viktigste er å balansere på grensen av hva som kreves gjennom lov og forskrift, og å unngå anmerkninger og avvik ved tilsyn til en billigst mulig penge. Dessverre ser vi altfor ofte at tilbudet havner på den gale siden av denne grensen, med de tragiske og uverdige konsekvenser det kan få. I en årrekke tok Fremskrittspartiet til orde for at staten måtte få Vi ble utskjelt og latterliggjort fordi det var en opplest og vedtatt sannhet at fylkeskommunen var nærmere pasienten enn staten, og derfor bedre egnet til å være sykehuseier. Vi hadde det årlige svarteperspillet mellom stat og fylkeskommune, som hadde røde tall i sine sykehusregnskap. Så plutselig skjedde det et politisk gjennomslag, og sykehusene ble overtatt av staten, slik at staten fikk ansvaret for finansieringen. Som konsekvens fikk sykehusene tilført mer økonomiske midler, og vi fikk en mer rettferdig fordeling i forhold til produksjonen av spesialisthelsetjenester. Dermed var det mulig å få orden på sykehusøkonomien, til beste for pasientene. Hadde vi i tillegg beholdt den innretningen på forholdet mellom basisfinansiering og innsatsstyrt finansiering som Fremskrittspartiet fikk gjennomslag for, er jeg overbevist om at helsekøene hadde blitt langt mindre. Jeg venter nå på at vi skal få se en tilsvarende politisk oppvåkning når det gjelder finansieringen av eldreomsorgen. Kommunene og primærhelsetjenesten er nærmest pasienten, og de er ofte de beste til å fortelle om behovet. Poenget er at når behovet er faglig begrunnet og fastslått, skulle pengene ha kommet automatisk fra staten, slik vi ser i forhold til sykepenger, arbeidsledighetstrygd, svangerskapspermisjon osv. Hvorfor er motstanden mot dette så stor? Jeg tror at det er en av to grunner: Enten har en ikke tiltro til de faglige vurderingene som gjøres av de ansatte i primærhelsetjenesten, eller så frykter en at en slik ordning vil bli for dyr. har ikke jeg tro på at det er det første alternativet som er aktuelt, for vi blir jo hele tiden minnet på av våre politiske motstandere at de ansatte der ute gjør en fantastisk jobb, og vi kan slutte oss til at det gjøres masse godt arbeid i pleie- og omsorgssektoren. Da må det jo bety at det er det andre alternativet som er den store frykten: Det blir for dyrt. Det vil bli for dyrt å gi gamle og syke eldre pleie og omsorg av den kvalitet og av det omfang stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer prater og det vil bli for dyrt å gi et tilbud med den verdighet som statsministeren garanterer i sin nyttårstale. Norge er et fattig land som ser seg nødt til å rasjonere helsetjenester på en slik måte og gjennom en slik organisering og ansvarsfraskrivelse. Norge er et fattig land som kan tillate slik uverdighet som blir resultatet av dette systemet. Norge er fattig som ikke kan se enkeltmennesket, og møte det på en helhetlig måte ut fra den enkeltes behov. Norge er et fattig land som ikke kan tilby det nødvendige sikkerhetsnett som ligger i at behovet styrer tilbudet til våre gamle og syke som har bygget opp dette samfunnet. Fremskrittspartiet vil derfor fortsette sin kamp for et bedre tjenestetilbud til våre gamle, syke og funksjonshemmede, og vi fremmer da også her i dag en rekke forslag til forbedringer. Vi fremmer forståelig nok forslag om at finansieringsansvaret for eldreomsorgen skal flyttes til staten. Vi fremmer forslag om å innføre et pålegg slik at kommunene gjennomfører forebyggende hjemmebesøk hos personer over 75 år som ønsker et slikt tilbud. Dette er noe de har hatt stor suksess med i Danmark. Det virker forebyggende. Det gir større trygghet for brukeren, og det gir mulighet til å komme tidlig inn med tiltak hvis det er nødvendig. Vi vet at det utføres mye godt omsorgsarbeid av familien og de nærmeste til den omsorgstrengende. Slik omsorgslønnsordningen praktiseres mange steder i dag, blir den nærmest en vits. Vi foreslår derfor at det innføres bindende normerte satser og kriterier for omsorgslønn, slik at denne ordningen kan fungere slik den var tiltenkt. Vi mener eldresenter er viktige tiltak for å gi mange muligheten til å bo hjemme lenger og allikevel ha en sosial og stimulerende arena å kunne delta i. Derfor ønsker vi øremerkede driftstilskudd til slike eldresenter. I Danmark har de også hatt suksess med prosjektet «Længst muligt i eget liv», som ble startet i Fredericia kommune. Dette er et av få prosjekt i primærhelsetjenesten som har blitt gjennomført med følgeforskning, og som har vist seg å bli en suksess på alle plan. Brukerne er fornøyd. De ansatte er fornøyd. Og kommunen sparer penger. Dette har Fremskrittspartiet foreslått flere ganger, og vi har blitt nedstemt, for så i neste omgang å oppleve at kommunalministeren kommer nærmest nyfrelst hjem fra Fredericia, hvor hun hadde sett lyset. Mange norske kommuner har fattet interesse for denne tilnærmingsmetoden, hvor hjemmehjelpere går over til å bli hjemmetrenere. Men det er vesentlige forhold en skal være oppmerksom på, ellers kan det hele ende med fiasko. Det har forskningen vist oss. Selve omstillingen vil koste noe ekstra, men på sikt kan det føre til vesentlig reduserte kostnader. Vi mener kommunene her trenger særlige omstillingsmidler, slik at de kan endre sitt tilbud og fokus fra å gjøre brukerne mer hjelpetrengende til i større grad å bli selvhjulpne. Vi vil ha fritt brukervalg, og vi vil ha Vi ser at det er et stort problem med feilernæring og underernæring i eldreomsorgen, og viser til Sverige, som har tatt et aktivt grep ved å ansette personer med klinisk ernæringsfaglig kompetanse i alle kommuner. Et slikt tiltak vil hindre mye unødig lidelse og er samfunnsbesparende. Vi vil ha en gjennomgang av refusjonsordningene for fysioterapi for å få et enhetlig regelverk for hele landet. Mange får i dag ikke det fysioterapitilbudet de har behov for. Vi vil ha en nasjonal opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering etter modell av opptrappingsplanen for psykisk helse. Dette er et forsømt område. Vi mener det er urimelig at brukere med behov for ressurskrevende tjenester skal få forringet sitt tilbud fordi det statlige tilskuddet bortfaller når de fyller 67 år. Vi vil ha en BPA-ordning hvor det er brukerens assistansebehov som er avgjørende for når og hvor og til hvilke oppgaver assistansen skal ytes. Vi vil ha en lovfestet rett til sykehjemsplass ved dokumentert behov. Vi vil ha en framdriftsplan for å kunne dekke behovet for heldøgns pleie- og omsorgsplasser. Etter vår oppfatning har ikke omsorgsboligene blitt slik de var tiltenkt å bli. Omsorgsboliger skulle være et alternativ til sykehjemsplass. De skulle ha livsløpsstandard, og bemanningen skulle økes når pleiebehovet økte. I dag ser vi dessverre at omsorgsboliger har blitt et lavere trinn på omsorgstrappa, og at gamle syke og ofte demente mennesker flyttes til sykehjem når de kun har måneder igjen å leve. Dette er uverdighet satt i system. Vi trenger den avklaring en slik plan vil gi, og sikre at brukere og pasienter får tilbud på rett nivå. Vi vil bidra til å sikre at alle får enerom på sykehjem, slik ni helseministre har lovet, men som ennå ikke er oppfylt. Vi mener at pasienter som må dele rom mot sin vilje på sykehjem, kun skal betale 50 pst. av vederlaget. Det vil hindre den fortettingen vi ser en tendens til i dag. Vi vil ha statlige bemanningsnormer for sykehjem både for leger og sykepleiere. De stadig økende oppgavene i primærhelsetjenesten med pasienter og brukere med sammensatte lidelser krever at den faglige kompetansen sikres. Jeg vet at mange frykter at bemanningsnormer kan føre til at det blir en minstestandard, og jeg kan være med på å diskutere det den dagen det blir et problem. I dag ser vi at vi har opptil 80 pst. ufaglærte, og vi ser at når faglærte er borte på grunn av sykdom, ferie eller annet fravær, blir de erstattet av ufaglærte, hvis det i det hele tatt settes inn ekstrapersonell. Dette er nemlig et av de få tiltakene virksomhetene kan bruke for å spare noen kroner i et stramt budsjett. Baksiden av medaljen er at kvaliteten på tilbudet reduseres betraktelig, og det kan nærme seg det uforsvarlige i forhold til pasientsikkerheten. Dette vil vi endre. Vi mener også det må satses langt sterkere på å sikre plasser til alvorlig syke og døende. Dette skal være plasser som kan disponeres av personer i alle aldre, hvor det er mulighet for å kombinere institusjonstid og hjemmetid, og hvor det er mulighet for å ha sine nærmeste hos seg og få et tverrfaglig tjenestetilbud som tar hensyn til hele pasientens behov. Vi mangler, ut fra befolkningstallet, rundt 600 slike plasser i dag, og vi vil sikre at disse

La oss slutte med svarteperspillet mellom forvaltningsnivåene. Gi fagpersonellet mulighet til å gjøre det de er opplært til, og la pasienter og brukere oppleve den trygghet og forutsigbarhet som skal ligge i våre velferdsordninger. La mennesker få muligheten til å beholde sitt menneskeverd og sin verdighet selv om sykdom eller funksjonstap har rammet dem. Med dette vil jeg ta opp de forslagene Fremskrittspartiet står alene om, og de som Fremskrittspartiet er medforslagsstiller til.

men meldingen inneholder få konkrete tiltak. Den inneholder riktignok en rekke ideer til hva kommunene, frivillig sektor og næringslivet kan gjøre, men det foreligger ingen særlig konkrete tiltak om hvordan regjeringen har tenkt å løse f.eks. de utfordringene og problemene kommunene har, og som de sliter med, i forbindelse med Samhandlingsreformen. Tiden tillater ikke at jeg går i dybden på alle områdene, men jeg vil trekke fram noen områder stikkordsmessig og utdype andre, områder stikkordsmessig og utdype andre, som Høyre mener er grunnleggende for å få et godt og velfungerende velferdstilbud. Det gjelder brukerstyrt personlig assistent, som nå må på plass. Det er flere år siden Stortinget gjorde vedtaket. Det gjelder modellen med samfunnskontrakt med frivilligheten og tiltak rettet mot å ivareta pårørenderessursen på en bedre måte. Private og frivillige aktører må inn på rehabiliteringsfeltet, og de har behov for bedre og mer forutsigbare rammebetingelser. vil også vise til vårt forslag om fritt rehabiliteringsvalg. Når det gjelder boliger, vil jeg trekke fram vårt forslag om en rentekompensasjonsordning for sykehjem og omsorgsboliger, slik man har hatt på skolebygg. Jeg viser også til forslaget om at private skal ha like tilskuddsordninger som offentlige aktører i bygging av omsorgsboliger og sykehjem. Det er også behov for å satse mer på hospice og på økt faglig kompetanse innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, og ikke minst er det behov for å ivareta barnepalliasjon og sikre alvorlig syke barn bedre hjelp i spesialist- og primærhelsetjenesten. Jeg vil vise til det gode arbeidet som organisasjonen JA til lindrende enhet og omsorg for barn gjør. Det er behov for flere dedikerte sykehjemsleger, og vi mener de bør lønnes på lik linje med sykehusleger. Jeg vil også vise til vårt forslag om nasjonale krav til legedekning og gjenta vårt krav om økt forskning i primærhelsetjenesten og behovet for flere undervisningssykehjem. Dette er konkrete tiltak som vi mener allerede nå ville kunne bidra til å øke både kapasiteten og kvaliteten innen omsorgstjenestene. For Høyre er det viktig at omsorgspolitikken fremover gir muligheter for alle. Vi er avhengig av nye ideer og bedre løsninger i omsorgen dersom vi skal lykkes med å bygge ut et robust og godt omsorgstilbud. Da må vi slippe alle gode krefter til. Frivillige, ideelle organisasjoner og private kan delta i arbeidet, sammen med det offentlige, for å utvikle flere og bedre omsorgstilbud av høy kvalitet. Jeg vil utdype tre områder som vi mener er grunnleggende for å møte morgendagen. For det første – rehabilitering: Høyre er – i likhet med mange av høringsinstansene – svært bekymret over situasjonen på rehabiliteringsfeltet. Vi støtter regjeringens forslag om å løfte hverdagsrehabilitering som en viktig del av pleien for eldre og omsorgstrengende, men samtidig vil vi understreke behovet for en sterkere satsing på rehabiliteringsfeltet gjennom en forpliktende opptrappingsplan. Det er behov for en mer sømløs overføring av pasienter som trenger rehabilitering – fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten. primærhelsetjenesten. Det er nødvendig å skille mellom hverdagsrehabilitering og spesialistrehabilitering. Riksrevisjonen påpekte i sin rapport til Stortinget i fjor at det ikke har vært noen styrking av rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten siden 2005. Regjeringen har ikke løftet dette fram i større grad i stortingsmeldingen vi nå behandler. Det synes vi er skuffende, og vi mener – i likhet med fagmiljøene og pasientorganisasjonene – at dette er svært alvorlig. Et mangelfullt tilbud om rehabilitering betyr tapte muligheter for mange mennesker. For mange er rehabilitering veien tilbake til jobb. Det handler om politisk vilje til å skape mer frihet og økt livskvalitet, slik at flere kan få være en del av det viktige jobbfellesskapet. Gjennom rehabilitering gir vi flere mulighet til å mestre sine liv mer selvstendig og med flere valgmuligheter. Men også for dem som ikke skal tilbake i arbeid, gir rehabilitering en mulighet til å være selvstendig og slippe å være avhengig av andre, andre, til å oppleve friheten ved å komme seg opp trappen og inn i sitt eget hjem, til å kunne lage middag selv og til å legge seg så tidlig eller sent som man selv vil. Derfor har Høyre foreslått at den neste store helsepolitiske reformen må komme innen rehabilitering. Det ble det faktisk bred politisk enighet om i Stortinget. Men da det kom til det konkrete, sviktet regjeringspartiene igjen og stemte ned Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkepartis forslag om en forpliktende økonomisk opptrappingsplan over flere år, for å bygge opp rehabiliteringsfeltet. En opptrappingsplan mener vi er viktig, både for å ta et krafttak for å styrke tilbudet i dag og ta igjen det store etterslepet, og for å ruste opp rehabiliteringsområdet for morgendagen. Jeg vil også i denne sammenhengen nevne konsekvensen av en profesjonsnøytral helselov, som de rød-grønne vedtok, og som vi allerede nå ser har ført til færre fysioterapeuter i kommunene. Det betyr at det er mange som ikke får nødvendig rehabilitering, med de alvorlige konsekvenser det får for den enkelte. Det gjelder også på andre fagområder. Et annet område jeg vil trekke fram spesielt, er kompetanse: Kompetanse og erfaring hos de ansatte i omsorgssektoren er helt avgjørende for å styrke kvaliteten på tilbudet. Høyre har foreslått at det må satses mye mer enn hva som gjøres i dag, og de ansatte må få større muligheter til faglig utvikling. Jeg viser til Høyres forslag om et kompetanseløft i omsorgssektoren. Regjeringen peker i meldingen på at personellbehovet er økende og stort fremover. Det er vi enig i, men vi trenger ikke bare flere hender i omsorgen – vi trenger flere og mer kompetente hender. Økt kompetanse vil gi den ansatte større trygghet i arbeidet og dermed også øke kvaliteten på tilbudet som gis. Én av tre ansatte er ufaglærte, samtidig som omsorgstjenesten får et stadig økende ansvar for mennesker med alvorlige og komplekse lidelser og hjelpebehov. Det er et problem at for få av de ansatte i omsorgsyrkene følges opp med tilbud om etter- og videreutdanning. Det må arbeides aktivt for at sykehjemmene skal bli en attraktiv arena for sykepleiere. I Bergen kommune har de tatt denne utfordringen på alvor. De har nå innført en trainee-ordning for sykepleiere. Høyres helsebyråd, Hilde Onarheim, sier at ordningen skal gi nyutdannede sykepleiere faglig trygghet, slik at de kan tilby enda bedre tjenester til de eldre og omsorgstrengende. De nyutdannede sykepleierne får arbeidserfaring, både fra hjemmesykepleien og fra sykehjem. sykehjem. Dette er et godt eksempel på å ta aktive grep både for å rekruttere høyt kvalifisert personale og for å øke kvaliteten på tjenestene for dem som trenger hjelp og bistand. Så til den delen av meldingen som vi i Høyre hadde størst forventninger til, men hvor vi mener regjeringen ikke har innfridd, nemlig den delen som gjelder ny innovasjon og velferdsteknologiske løsninger i helse- og omsorgsfeltet. Vi hadde forhåpninger til at regjeringen i større grad skulle ta tak i de mulighetene som ligger i de nye teknologiske løsningene. Dette er løsninger som kan gi mennesker med bistandsbehov og/eller pleiebehov, et mer selvstendig liv, økt trygghet i hverdagen, større valgfrihet, mer verdighet og økt livskvalitet. Teknologien kan imidlertid aldri erstatte menneskelig kontakt og omsorg. Men en bevisst, etisk forsvarlig og fremtidsrettet bruk av teknologi på velferdsområdet, kan gjøre det mulig for flere å bli boende hjemme lenger og klare seg godt i hverdagen. Det kan også gi et bedre tilbud til dem som allerede har omsorgsplass. Det dreier seg rett og slett om å gi flest mulig mennesker økt livskvalitet og større kontroll over egen livssituasjon. Kåre Hagen, som ledet det viktige offentlige utredningsarbeidet i forkant av denne meldingen, sa på en konferanse arrangert av NITO, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon, i vår at Norge er annerledeslandet i Norden når det gjelder velferdsteknologi. velferdsteknologi. På konferansen uttrykte Hagen at det er ufattelig trist å se en sektor som higer etter mer personell og flere ansatte, men som samtidig bruker spesialutdannede sykepleiere til å plukke ut medisiner, legge i dosetter og kjøre ut til pasientene. Løsningene i omsorgssektoren er ikke nødvendigvis mer penger, flere plasser og mer personell, men en bedre organisering, bruk av nye ideer og bedre løsninger, bl.a. ved hjelp av ny teknologi.

Høyre vil ha en omsorgssektor som møter morgendagens utfordringer på en innovativ, trygg og effektiv måte, hvor pasientene har en reell valgfrihet, hvor pårørende spiller en viktig rolle , og hvor pasientsikkerhet og høy kvalitet må stå i

ble det opprettet 22 000 nye årsverk i denne sektoren. Bare i 2013, altså i år, har Statistisk sentralbyrå meldt at det er opprettet 3 200 nye årsverk. 21 000 personer har fullført grunnutdanning, etter- og videreutdanning innenfor helse- og sosialfag. I forhold til befolkningen er andelen årsverk i omsorgstjenesten høyest i Sverige og Norge. Og til slutt: OECD har kåret Norge til verdens beste omsorgsland. Det burde være greit å ha dette perspektivet som utgangspunkt når vi diskuterer utfordringene framover. De blir ikke noe mindre av dette, men det forteller at vi ligger på topp i verden når det gjelder å ha en god eldreomsorg og en god pleie- og omsorgssektor. De utfordringene som vi vil møte i årene som kommer på dette området, vil være av

Denne stortingsmeldingen peker på framtidens utfordringer, men også på framtidens muligheter. Her er «omsorgsteknologi» et stikkord – hvordan omsorgsteknologi, samarbeid mellom kommuner og ideelle organisasjoner og forskningsmuligheter kan legge til rette for en tjeneste som kan gjøre det mulig å leve og bo hjemme så lenge som mulig. Det er vist til mulighetene som ligger innenfor forskning på området, og det er foreslått et nasjonalt senter for forskning på omsorgsteknologi. Jeg var for ikke så veldig lenge siden på et debattmøte om nettopp dette temaet og har lyst til å understreke at i årene som kommer, er det viktig å ha et stort fokus på forskning og utvikling på dette området, sentralt og nasjonalt, men også lokalt og regionalt altså legge til rette for gode samarbeidsmuligheter og samarbeidsløsninger mellom kommunene regionalt, næringslivet regionalt og også forskningsmiljøene regionalt. For dette blir en politikk i skjæringspunktet mellom helse- og omsorgssektoren og næringslivet, og det kan være en sektor som kan gi grunnlag for lokal og regional verdiskaping. Det er et viktig poeng. Så har jeg lyst til å påpeke at at denne sektoren i årene som kommer, må være en viktig del av det offentliges ansvar. Det offentlige må altså ha ansvaret for pleie- og omsorgssektoren. Jeg nevner det fordi det er forslag fra høyrepartiene om at det i større og større grad bør legges til rette for at sektoren skal være privatisert. Skal man sikre at alle får lik tilgang på omsorgstjenester, uansett hvor man bor i landet, og uansett størrelsen på pengeboka, er det, og må det være, et offentlig ansvar i framtiden. Privatisert pleie- og omsorgssektor med økt andel av stykkprisfinansiering, som Fremskrittspartiet foreslår, betyr økte forskjeller og ikke minst oppbygging av et statlig byråkrati. Det er ikke Jeg nevnte innledningsvis at dette i framtiden vil komme til å kreve betydelig flere årsverk innen pleie- og omsorgssektoren. Her opererer vi med tall på opptil 100 000 flere hvis man ser det i et litt lengre perspektiv. Det kommer til å bety store utfordringer for oss – store utfordringer for utdanningssektoren, men ikke minst store utfordringer når det gjelder rekruttering. rekruttering. Da kan vi ikke ha en sektor som hovedsakelig byr på deltidsstillinger. Da må heltid være hovedregelen, og deltid unntaket. Da må kommunene settes i stand til økonomisk og ressursmessig å legge til rette for heltidsstillinger i årene som kommer. Det er en svært viktig del av SVs politikk, og det vil jeg understreke også i mitt innlegg. Til slutt: Skal vi også i mitt innlegg. Til slutt: Skal vi makte å finansiere denne sektoren i framtiden , kan ikke skattelette være hovedsaken, da må man ha en økonomisk politikk som kan finansiere dette. Presidenten vil minne om taletiden. Det inkluderer de to siste talerne, og da er dette et varsel også til kommende talere. Takk for advarselen! Stortingsmeldingen Morgendagens omsorg og behandlingen i Stortinget i dag er starten på noe som kan bli veldig bra. For det første er det bra å tenke nytt og ønske utvikling. Definisjonen av innovasjon er å skape noe nytt. Det er kjent eller ny viten kombinert på en ny måte eller brukt i nye sammenhenger. Det er ideer omsatt til en bedre praksis, som skaper merverdi. Innovasjon er driftig, dristig

vektlegger helsefremmende aktivitet og forebyggende tiltak er fleksibel, forutsigbar og tilbyr koordinerte og helhetlige tjenester er lærende, innovativ og nyskapende. En framtidsrettet tjeneste i tråd med disse prinsippene er brukerstyrt personlig assistanse, BPA. Forslaget regjeringen har sendt på høring, bryter med prinsippet om et helhetlig tilbud. Tjenestene, slik regjeringen foreslår, vil bli fragmentert fordi funksjonshemmede må forholde seg til flere tjenester og personer. BPA vil bli begrensende for muligheten til deltakelse og uavhengighet fordi BPA ikke kan benyttes utenfor egen kommune. Kristelig Folkeparti foreslår en rett til BPA som er slik at brukeren selv, ut fra egne assistansebehov, kan avtale hvor, hvordan, når og til hvilke oppgaver BPA kan benyttes.

var både Norsk Epilepsiforbund og Norsk Forbund for Utviklingshemmede svært opptatt av de foreldrene som plutselig har mistet pleiepenger, og dermed har de ikke inntekt når de må ta seg av alvorlig syke barn. En slik praksis er det motsatte av å verdsette pårørendes innsats. Kristelig Folkeparti mener at regjeringen snarest må legge fram en sak for Stortinget med forslag til forbedringer av Frivillige og ideelle organisasjoner er viktige samarbeidspartnere for å fremme innovasjon og utvikling i helse- og omsorgstjenestene. Historisk sett har frivillige organisasjoner sett behovet for tiltak blant utsatte grupper og startet tilbud som det offentlige senere har overtatt. I den offentlige utredningen Innovasjon i omsorg ble det foreslått at 25 pst. av den samlede omsorgssektoren skal være organisert og drevet av ideelle aktører innen 2025. Kristelig Folkeparti mener dette er et godt forslag, vi fremmer i dag et forslag, der vi ber regjeringen legge til rette for dette. Kristelig Folkeparti fremmer også et forslag om at regjeringen snarest må finne løsninger for pensjonsutgiftene som ideell sektor har innen helse-, omsorgs- og barnevernstjenester. Innovasjonsprosesser er forbundet med villighet til å ta risiko. Dette er en av de største barrierene for innovasjon i den kommunale omsorgssektoren. Kristelig Folkeparti mener derfor at det for å lykkes med innovasjon, må etableres fond som kan gi støtte til prosjekter, slik det bl.a. er gjort i Danmark. Kristelig Folkeparti har tidligere foreslått et fond for sosial innovasjon. Mye i meldingen, og i behandlingen i Stortinget, er ikke nytt. Faktisk er det slik at ergoterapeuter, fysioterapeuter og annet helsepersonell lenge har lengtet etter det som nå er trenden – hjemmerehabilitering, eller hverdagsrehabilitering. Som flere sier: Det var dette vi lærte i utdanningen å jobbe med hendene på ryggen, slik at pasienter selv får trene seg opp og gjenvinne tapte ferdigheter. Kristelig Folkeparti foreslår at det fremmes en nasjonal opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering – for utbygging av tilbud, både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Dermed vil jeg ta opp de forslagene som Kristelig Folkeparti har fremmet i saken. Min taletid er nå ute. Representanten Line Henriette Hjemdal har tatt opp de forslagene hun refererte til. Morgendagens omsorg er en viktig stortingsmelding. Den løfter fram mange gode tiltak, som støttes fullt ut av Venstre. Vi trenger uten tvil en aktiv og fremtidsrettet økt bruk av frivillige, økt satsing på hverdagsrehabilitering, mer innovasjon, forskning og bedre teknologi, for å nevne noen hovedpunkter i meldingen. For Venstre er fellesskapsløsninger en viktig del av velferdsstaten. Vi skal ha gode, likeverdige offentlige omsorgstjenester. Samtidig er jeg veldig glad for at en samlet komité er enig i at alle omsorgsoppgaver ikke kan overlates til det offentlige. Skal et samfunn gå rundt, er vi avhengig av at vi tar ansvar for hverandre. Venstre er enig med de andre opposisjonspartiene i at det må bygges flere sykehjemsplasser for de aller eldste og sykeste. Samtidig mener jeg det er viktig å bruke mye ressurser på hjemmebasert omsorg for dem som kan og vil bo hjemme. Venstre pleier å si at kommunene må tilby en fullstendig omsorgstrapp, dvs. både omsorgsboliger med og uten heldøgns bemanning og gode sykehjem for dem som trenger det. Morgendagens omsorg legger opp til et eget pårørendeprogram, som bl.a. skal gjøre det enklere å kombinere yrkesaktivitet med omsorg. Jeg er glad for at det fokuseres særskilt på dette i meldingen. Det er også et riktig grep å legge til rette for gode og fleksible støtteordninger. Jeg vil rette oppmerksomheten mot en gruppe som ikke opplever at det har kommet signaler om en bedre hverdag, verken i Kaasa-utvalgets rapport eller i denne meldingen. Det gjelder foreldre til sterkt funksjonshemmede barn over 18 år og deres mulighet til å kombinere ordinært arbeid med tunge omsorgsoppgaver. Det offentlige hjelpeapparatet har dreid bort fra institusjonsomsorg, og flere foreldre har fått et større omsorgsansvar for barn med nedsatt funksjonsevne, Det gjør at det er behov for å endre regelverket, spesielt med tanke på retten til pleiepenger og omsorgspenger – ikke bare en forbedret omsorgslønnsordning. Om vi ikke klarer å løse disse utfordringene på en god måte, risikerer vi flere situasjoner hvor unge mennesker bor på sykehjem, selv om foreldrene ønsker at barnet skal bo hjemme. Det er ikke en god pårørendepolitikk, og det er ikke til det beste for den funksjonshemmede. Det heller ikke særlig samfunnsøkonomiske lønnsomt. I stortingsmeldingen vi debatterer i dag, står det at fremtidig knapphet på arbeidskraft og frivillige omsorgsytere krever løsninger som gjør det lettere å kombinere arbeid og omsorg. Men jeg ser ikke konkrete tiltak for å oppnå dette. Da jeg utfordret tidligere helseminister

Dette har blitt sterkt kritisert av Sivilombudsmannen, uten at det har fått noen positive utslag for familien. Det er et rigid regelverk for pårørende til omsorgskrevende barn under 18 år, men det er enda vanskeligere for dem som har barn som er over 18 år, men som mentalt fungerer som et barn. Det er for mange omsorgskrevende barn naturlig å bo hjemme ytterligere noen år mens de er Enkelte ønsker å fortsette å bo hjemme og motta omsorg og pleie fra foreldrene, også etter endt skolegang. Jeg hadde ønsket meg noen konkrete tiltak i meldingen som hadde gjort situasjonen bedre for yrkesaktive pårørende til svært omsorgskrevende barn. Jeg håper dette er noe denne, eller neste, regjering vil sørge for, selv om det ikke står noe om dette i denne stortingsmeldingen.

Torsdag inviterer vi til et partnerskap for folkehelsen. Vi får debattert folkehelsemeldingen i salen. Med dagens debatt om stortingsmeldingen Morgendagens omsorg inviterer vi hele samfunnet til et aktivt medansvar. I kommunene må alle – brukere og pårørende, fagfolk og lokalpolitikere, ideelle organisasjoner, lokalsamfunn, forskning og næringsliv – trekkes med i et nyskapende samarbeid for å utforme morgendagens omsorg. Innovasjon handler om å finne nye veier og bærekraftige løsninger, som å ta i bruk ny teknologi som gjør hverdagen enklere. Men like mye handler det om å spille sammen med sivilsamfunnet for å utløse gode og lokale omsorgsmodeller. Jeg er derfor glad for – selv om innstillingen har mange forslag på kryss og tvers – at en samlet komité slutter opp om at en god velferdstjeneste er avhengig av at alle tar ansvar og deltar aktivt i fellesskapet. Aktivt medansvar – enten formelt gjennom frivillige organisasjoner og brukerorganisasjoner eller uformelt gjennom familie og sosialt nettverk – bidrar til å skape tillit og solidaritet mellom generasjoner. Det bygger vår sosiale kapital – verdier som utvikling av fremtidens omsorgstjenester må bygge videre på. Vi vil bli mange flere eldre i Norge i årene som kommer. Det er velferdsstatens bonus og noe vi skal være stolte av. Mange av de nye eldre vil være friske og bidra i samfunnet i større grad enn tidligere. Det er en ressurs vi ikke har råd til å la være å benytte. Men fortsatt vil eldre, og spesielt de eldste eldre, ha behov som de trenger Det er behov vi har en forpliktelse til å imøtekomme. Kåre Hagen, som ledet arbeidet med NOU-en om Innovasjon i omsorg, sa: «Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag.» Det er en oppfordring til å tenke nytt. I meldingen viser vi mulighetene som vi som samfunn og felleskap har for å løse fremtidens behov. Vi skal fortsatt bruke de store pengene på helse og omsorg. Men samtidig må vi jobbe annerledes for å lykkes med å mobilisere samfunnets samlede ressurser på en bedre måte. Jeg håper denne debatten i dag vil kaste lys over løsninger for morgendagen, og at det ikke blir terping på gårsdagens strid. Mitt ønske er at meldingen skal skape trygghet for at vi gjennom fornying og nyskaping fortsatt kan satse på de fellesskapsløsninger vi har bygget opp i landet vårt. Meldingen har tre hovedsiktemål: Vi skal få kunnskap om, lete fram, mobilisere og ta i bruk samfunnets samlede omsorgsressurser på nye måter.

Det skal bli enklere å kombinere yrkesaktivitet med omsorg for barn og unge, voksne og eldre med alvorlig sykdom og funksjonsnedsettelse. Vi skal forbedre omsorgslønnsordningen og utvikle fleksible avlastningsordninger. Flere menn må inn i omsorgsyrkene – vi gjør det vellykkede prosjektet Menn i helse fra Trondheim til et nasjonalt tiltak. Vi skal satse ytterligere på opplæring av frivillighetskoordinatorer i regi av Verdighetssenteret i Bergen. Vi vil la ideelle organisasjoner spille en sterkere rolle som driftere av velferdstjenester i kommunene. Gjennom samarbeid vil kommuner og ideelle aktører bedre kunne utvikle nyskapende tiltak. Vi skal legge til rette for skjermede anskaffelser for ideelle aktører og for langvarige driftsavtaler. Eldresentrene er et godt eksempel på tiltak som forebygger ensomhet og passivitet, noe Pensjonistforbundet har vært opptatt av. I frivillighetsstrategien vil vi stimulere til utvikling av ulike former for eldre- og seniorsentre, for å nevne noen eksempler. Morgendagens omsorg skal bestå av så vel aktiv omsorg som pleie og lindring. Begge deler krever kompetanse. Samhandlingsreformen har ført til bedre samarbeid mellom sykehus og kommunale helse- og omsorgstjenester og bedre lokale helsetjenester. Mennesker som trenger sykehjemsplass, skal få det. Sykehjem er et alternativ når dine behov ikke lar seg løse ved at du fortsatt bor hjemme, selv med tilrettelegging. Derfor henger behovet for sykehjem tett sammen med hvilke andre tilbud kommunen har. Fremtidens sykehjem vil se annerledes ut, bære mer preg av å være et hjem, ha knyttet til seg frivillige og ha et bedre samarbeid med pårørende. De vil invitere nærmiljøet inn. Og de skal ha kompetent personell. Sykepleiere og fagarbeidere skal være stolte av å jobbe på en av Norges viktigste arbeidsplasser. Vi varsler allerede nå at ordningen med tilskudd til nybygde og rehabiliterte heldøgns omsorgsplasser skal videreføres etter 2015. I sykehjemmene ligger også mulighetene til å jobbe annerledes og bedre, heve livskvaliteten for dem som bor der. Man var inne på tidligere i debatten at når Bergen Røde Kors sykehjem ved hjelp av musikk og kartlegging av pasientenes historie, greier å få opp trivsel og ro blant pasientene, få ned medikamentbruken, få mer tilfreds pårørende, få ned sykefraværet og lykkes med dette uten å ha nevneverdig flere ressurser enn andre avdelinger, må vi spørre oss: Er vi flinke nok til å lære av suksesshistoriene? Hvis det virker der, i Bergen, må det kunne gjøres tilgjengelig ellers i landet. Vi vil få fram disse suksesshistoriene, gi nye metoder den faglige status de fortjener og spre dem systematisk. Ordningen med livsgledesertifisering av sykehjem skal bli en nasjonal ordning. Men en ensidig fokusering på sykehjem vil være å gå baklengs inn i fremtiden. Jeg tror at når mange generasjoner nordmenn tenker omsorg for eldre, tenker de automatisk sykehjem. De aller fleste ønsker å bo hjemme lengst mulig. Hjemmetjenester må utvikles slik at brukerne fortsetter å ha mest mulig kontroll over eget liv. Kommunene bør ha som mål at de som har bruk for for koordinerte tjenester, og søke å begrense antall forskjellige personer så langt som mulig. Dette vil vi utvikle i samarbeid med KS og de ansattes organisasjoner. Sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter har sammen utviklet et konsept for hverdagsrehabilitering for at forebygging og opptrening kan skje i ens hjemmemiljø, slik at brukerne kan mestre dagliglivets gjøremål. Det betyr tidligere innsats, og at brukerens egne personlige mål settes i sentrum. Vi vil styrke og spre dette konseptet til stadig flere kommuner. Kunnskapen og modellene er der. Alle kommuner bør nå ta hverdagsrehabilitering i bruk. Når det nærmer seg slutten på livet, er som oftest god pleie det aller viktigste. Det handler om å lindre smerte, bli sett og hørt, vasket og stelt og få hjelp til å møte livets siste dager. Målet er at uhelbredelig syke og døende og deres pårørende skal oppleve livets sluttfase så trygg og meningsfull som mulig. Vi vil utvikle et opplæringsprogram for ansatte i omsorgstjenesten som skal gi grunnleggende kompetanse i lindrende behandling. Folks boliger må tilrettelegges slik at de fortsetter å være trygge hjemme, også når fysikken eller husken svikter – eller når man nærmer seg livets avslutning. Vi lanserer også i meldingen et program for velferdsteknologi for å gi mennesker redskap som gir bedre mestring og bedre liv. Også mennesker med omsorgsbehov skal kunne ta i bruk teknologi på en måte som beriker livet. Allerede i revidert nasjonalbudsjett har vi satt i gang stimulanser til dette programmet. Målet er at velferdsteknologi skal være en del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020. De vellykkede erfaringene med å bygge opp en offentlig omsorgstjeneste i det omfang og på det nivå vi har gjort i Norge, tilsier at fremtidens utfordringer må møtes med to tanker i hodet på samme tid: Vi skal videreføre det beste av det som er bygd opp de siste 40 årene, og være åpne for å endre kursen på viktige områder. De offentlige omsorgstjenestene har vært i kontinuerlig vekst i flere tiår. Tjenestetilbudet dekker nå brukere i alle aldersgrupper. Det er faktisk tallet på tjenestemottakere under 67 år som har hatt sterkest vekst de siste 20 årene. Med de demografiske utfordringer som venter oss for fullt om 10–15 år, må vi organisere innsatsen slik at den støtter og utløser de ressurser som ligger hos brukerne selv, deres familie og sosiale nettverk, i nærmiljø, organisasjoner og lokalsamfunn. Det vil kreve omstilling av den faglige virksomheten, med større vekt på forebygging, tidlig innsats og hverdagsrehabilitering. Sosialt nettverksarbeid, mer bruk av ny teknologi og nye arbeidsmetoder blir viktig. Samtidig må den pleiefaglige kjernevirksomheten foredles og den medisinske oppfølgingen styrkes. Usikkerhet om den økonomiske utviklingen, slik vi ser i mange land i Europa, tilsier at ikke alt «støpes i betong». Vi må kunne gi gode tjenester selv om det skjer endringer i økonomi, arbeidsmarked og pårørendes yrkesaktivitet. De nærmeste årene vil De demografiske endringene taler derfor for at veksten i tjenester bør skje i hjemmetjenester, dagtilbud, rehabilitering og forebyggende innsats, sammen med en styrket primærhelsetjeneste. Tenk på dette: Om vi går 40 år tilbake i tid, jobbet det 20 000 personer i omsorgsyrket. Nå jobber det 130 000. Den gang hentet vi fortsatt vann i brønner i deler av Oslo. Folk flyttet fra boliger med utedo til moderne blokker på Manglerud. Vi løftet dette samfunnet fordi vi løftet i flokk, og fordi vi satset på fellesskapsløsninger. Direktøren og vaskekona lå på det samme sykehuset og det samme sykehjemmet. Vi klarte det før, og vi kan klare det igjen. Den enkeltes lommebok skal ikke avgjøre om man får god omsorg. Vi skal tilby løsninger for alle – men ikke like for alle, fordi rettferdighet handler om å behandle folk ulikt basert på individuelle hensyn og ulike behov. Bare slik kan mennesker som i større eller mindre grad er avhengig av fellesskapets omsorg, fortsette å være sjef i eget liv, også når fysikken og Vi skal forsvare og utvikle velferdsstaten sammen. Denne stortingsmeldingen viser mulighetene for det. Det blir replikkordskifte. Regjeringen er motstander av automatisk statlig finansiering av eldreomsorgen når behovet er fastslått på et faglig grunnlag. Bunner regjeringspartienes motstand mot denne automatikken i en generell mistro mot primærhelsetjenestens evne til å foreta faglige vurderinger, eller er det frykten for økte kostnader som gjør at regjeringspartiene fortsatt velger å rasjonalisere disse tjenestene gjennom rammefinansiering? Jeg må si at ingen av de forklaringsløsningene som representanten trekker fram, er dekkende. Vi søker å organisere denne delen av vår omsorgssektor nær der pasientene bor – det oppfattet jeg av innlegget til representanten at han var enig i. Vi mener det er riktig at også samfunnets bevilgning av midler til det – som vi har stor vilje til, bl.a. gjennom å sikre en sterk kommuneøkonomi, bl.a. ved å avstå fra å gi titalls milliarder i skattelettelser til dem som har mest fra før – er den beste måten å kanalisere de midlene på. Så mener jeg at diskusjonen om hvilke lover og regler vi setter for tjenesten, er en politisk diskusjon vi skal ha. Men jeg vil advare mot at alle udekte behov i denne sektoren skal løses gjennom en ny rettighet, en ny lov, en ny forpliktelse. Det er rett til helsehjelp som er det levende prinsippet. Det løses etter vår mening best – jeg forstår også det på de regjeringspartnerne som representanten ser fram til å samarbeide med, om han får muligheten – gjennom den måten vi organiserer tjenestene på. Høyre er enig i det som er

Men det har vært litt usikkerhet om hva regjeringen mener når den snakker om nye plasser, flere plasser eller tilsagn om tilskudd osv. – om det er flere eller nye eller rehabiliterte. Derfor vil jeg benytte denne anledningen til å spørre statsråden helt konkret: Når det i stortingsmeldingen under kapittel 6.3.1 står: «Basert på nøkterne forutsetninger antyder nye framskrivninger at det i tillegg er et behov for om lag 15 000 nye plasser fram mot Og videre at det vil «være behov for om lag 3000 enheter per år ved en mest mulig jevn utbyggingstakt fram mot 2030.» Er det da snakk om flere plasser eller flere rehabiliterte plasser? Det kan være en variasjon. Som vi har hatt mange diskusjoner om i denne salen, kan en plass som f.eks. blir bygget om til et enerom – fra å ha vært to rom vært to rom – bli modernisert. Det kan kvalifisere til å være en slik plass. I andre sammenhenger kan det være at det bygges helt nytt. Det kommunene har behov for når det gjelder innbyggernes behov, er det som er styrende. Jeg mener fortsatt at den debatten er morsom – tilsvarende om tilskudd. Jeg skjønner at det nesten er et uendelig muntrasjonsråd i det bildet, men det er måten man gjør det på. Man gir tilsagn om tilskudd basert på hva kommunen har behov for, for, så blir det bygget, og når nøkkelen står i døren, kommer pengene. Vi er i rute med å fylle opp de målene vi har satt, og det kommer vi også til å være om vi får anledning til å ta dette videre fram mot de tidshorisontene som representanten viser til. 70 000 mennesker har demens i dag. Det blir kanskje en dobling Vi vet at 9,3 pst. av menneskene med demens, har et dagtilbud. I 2005 var det 4 pst. som hadde et slikt dagtilbud. Det vil si at det i de siste åtte årene har vært en økning på 5 pst. – under 1 pst. økning hvert år. Vi vet at regjeringens politikk er at de vil lovfeste retten til dagtilbud når dette tilbudet er bygd ut. Mitt spørsmål til statsråden er om dagtilbudet til mennesker med demens – 9,3 pst. – er tilstrekkelig bygd ut, slik at regjeringen nå kan gå inn for en lovfesting av dette viktige tilbudet? Svaret er nei, det er ikke nok. Når vi sier at det må være en realitet, tror jeg ikke vi nødvendigvis skal vente på at det er men det må være en realitet før man går til lovfesting. Jeg blir mer og mer tilbakeholden med hensyn til at lovfesting er svar på alle disse løsningene – som jeg har sagt flere ganger i denne debatten. Nå er det slik at vi har trappet opp virkemiddelbruken som gir kommunene muligheter til å finansiere igangsettelse av etablering av dagtilbud. Det har vært en utfordring å få kommunene oppmerksomme på denne ordningen og se mulighetene som ligger i den. Jeg har vært urolig for det, men jeg ser at det nå er en akselerasjon i kommunenes benyttelse av ordningen, og de som gjør det, er tilfreds. Jeg håper at vi kommer til å se en klar økning i disse plassene. Det er en helt reell økning i livskvalitet for de demente – og ikke minst for deres pårørende. Da kommer det et passende tidspunkt hvor man kan gjøre dette til en lovfestet rettighet, som også mitt parti gikk inn for på sitt landsmøte.

Velferdsteknologi kan gi den enkelte både mer frihet og mulighet for å delta mer aktivt. Vi har nylig vedtatt en lovendring som åpner for at demente kan utstyres med GPS når de skal ut på tur. Det gir trygghet for pårørende, men ikke minst gir det frihet til den enkelte bruker, frihet til å gå hvor du vil, når du vil – og alene, om du vil det. For noen år siden var komiteen i Japan. Der fikk vi se den elektroniske selen og hva den betydde for demente. Her i Norge har selen fått et ufortjent dårlig rykte. Vi fikk være med og se hvordan de brukte selen i samtaler med de demente – pasienter som helt hadde mistet språket, men som når de sammen med personalet hadde kontakt med selen, igjen begynte å prate. Det var veldig flott å se hvordan Det fins mange gode teknologiske løsninger som ennå ikke er tatt i bruk. Derfor er jeg glad for at vi har kommuner som er innovative og villige til å tenke nytt, som bl.a. Fredrikstad og Sarpsborg, som er deltakere i EU-prosjektet eSenior. De har involvert brukerne, hatt samtaler og kartlagt hva behovet er for den enkelte. Prosjektet har som mål å pilotere inntil 250 boliger med velferdsteknologi for seniorer, slik at de kan bo lenger hjemme med god trygghet og livskvalitet. De er godt i gang og har allerede tatt i bruk mye ny teknologi. Mange engster seg for at teknologien skal overta for de varme hendene. Det skal den selvsagt ikke. Men jeg må si at jeg ville ha foretrukket å ha en sensor i sengen min som kunne varsle om det ble vått der, framfor at noen skulle komme til meg midt på natten for å stikke hånden under dynen for å kjenne etter om det var ikke bare slapp pleieren å dra ut til meg for å sjekke, men jeg slapp også å bli vekket midt på natten. Innovasjon og det å tenke smart behøver nødvendigvis ikke å bety at du skal snu opp ned på alt. Noen ganger er det helt små, enkle løsninger som gir uttelling – som de som tok i bruk vester på pleierne som delte ut medisiner til pasientene, slik at andre ikke skulle forstyrre dem mens de delte ut medisiner. De klarte å redusere feilmedisineringen betydelig et enkelt grep som ga stor gevinst. Det er eksempler som viser at det er mye å hente på innovasjon innenfor omsorgen. Derfor er det bra at regjeringen nå gjennomfører teknologiprogram som vil jobbe med etablering av åpne standarder for velferdsteknologi, utvikling og utprøving i kommunene – og spre kunnskap og erfaringer om velferdsteknologiske løsninger samt utvikle gode modeller for innføring og

Det er ikke noe i rettighetsfestingen som svekker BPA-ordningen, men man løser ikke alle utfordringene rundt organiseringen BPA. Det er utfordringer vi er svært opptatt av, og som vi vil jobbe videre med. Det viktige nå er å få rettighetsfestingen på plass. De talerne som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Denne meldingen føyer seg inn i rekken av politiske saker som tar pulsen på – og

Jeg vil likevel peke på en liten gruppe personer som har store utfordringer på omsorgsfeltet. Det er personer som har Huntingtons sykdom og deres ektefeller og barn. Det er en utfordrende progressiv lidelse, selvfølgelig i første rekke for pasienten, men også for ektefelle og barn – og ikke minst for omsorgsgivere. Norske Kvinners Sanitetsforening har i samarbeid med den offentlige pleie- og omsorgstjenesten utviklet kompetansenettverk i Nord-Norge, Vest-Norge, Midt-Norge og Øst-Norge, som pårørende og brukere er veldig fornøyd med. Jeg vil gjerne at Huntington-pasienter og deres pårørende i Sør-Norge også skal få et sånt tilbud, og jeg regner med at det er noe det skal jobbes videre med fram mot neste års budsjett. Så vil jeg berømme Sørlandet sykehus og alle kommunene på Agder.

de med kroniske og sammensatte lidelser, somatiske, psykiske eller rusrelaterte, og deres barn. Disse gruppene blir eldre i dag enn for få år siden, og de har behov for omsorg og behandling – ofte i et livsløpsperspektiv. Jeg er helt overbevist om at den beste måten å gi trygghet til omsorgstrengende på også i framtida, er å sikre trygg, forutsigbar finansiering av tjenestene. Høyresidens løsning – skattekutt og kommersialisert privatisering – trekker fellesskapets verdier fra statsregnskapet til direktørers bankkonti, der overskudd ofte plasseres i såkalte skatteparadiser. Ikke er det nytt, og ikke er det godt, spesielt ikke for de grupper som trenger mest omsorg. Målene i omsorgstjenestene er like. Virkemidlene for å nå dem er imidlertid svært forskjellige.

utviklings- og kompetansearbeid lokalt og regionalt. Stortingsmeldinga trekker opp viktige premisser for et aktivt samarbeid mellom kommunene og frivillig sektor og med familie, nært nettverk og det sivile samfunnet for øvrig. Det innovasjonsarbeidet som skal finne gode løsninger, må bl.a. fokusere på utforming og utprøving av nye modeller for framtidas institusjons- og boligløsninger, og på utvikling av gode hverdagsverktøy for at vi skal kunne mestre de daglige utfordringene. «Samarbeid» blir et nøkkelord når vi skal realisere de nye ambisiøse målene for dette viktige velferdsområdet, og vi må søke å hente ut det innovasjonspotensialet som finnes i næringsliv, forskningsmiljøer og andre nyskapende miljøer for øvrig.

Vi mener at erfaringene med utstrakt kommersialisering av pleie og omsorg viser at dette ikke gir bedre tjenester, at det ikke fremmer innovasjon, og at tjenestene heller ikke kan utføres billigere uten at det går ut over lønns- og pensjonsvilkår for de ansatte. Både i Sverige og i en del andre land ser vi at større og færre helsekonsern med adresse i skatteparadiser driver den konkurranseutsatte delen av pleie- og omsorgsfeltet. Det bidrar til at betydelige beløp bringes ut av landet uten at skatt betales, og det er en praksis som Arbeiderpartiet ikke ønsker at skal få fotfeste her hos oss. Noe av det viktigste vi kan gjøre for å styrke morgendagens omsorg, er å gi anerkjennelse til ideen om at menneskene har åndelige og kulturelle behov hele livet uansett livssituasjon, at vi er sosiale vesener som søker meningsfullt fellesskap, at gode opplevelser, livsglede og livsmot er kvaliteter vi aktivt må bygge inn i de nye omsorgsløsningene. Vi kan se at dagens omsorg ikke har klart godt nok å motvirke ensomhet og isolasjon. Derfor trenger vi ikke bare nye ideer om fysiske og økonomiske verktøy, men også mer vidtfavnende tanker om hva det vil si å være et helt menneske i livets
neste som skal ha ordet, er representanten Magnhild Meltveit Kleppa – deretter

men det er altså ein samanheng mellom ord og handling som nå blir fylgt opp år for år. Samhandlingsreforma var avgjerande viktig. Helse- og omsorgstilbodet blir nå styrkt der folk bur. Samhandlingsreforma var eit eksempel på at lokale ildsjeler blei tekne på alvor, lokale initiativ kunne fylgjast opp, distriktsmedisinske senter kom på plass og står der for seg sjølve som ei konkretisering av kor viktig det er å byggja opp ulike tiltak lokalt. Steinkjer, Fagernes, Egersund og endå fleire – ulike innbyrdes, men med eit felles mål tilpassa lokale tilbod. «Førebygging», «tidlig innsats» og «pleie ved livets slutt» er nå begrep som folk flest snakkar om korleis dei skal løysa lokalt. Så har komiteen understreka noko som eg synest er veldig viktig. Det er at Samhandlingsreforma betyr ei desentralisering av helse- og omsorgstenester som berre blir vellykka om kompetanse og fagfolk òg blir desentraliserte, og kommunane blir sette i stand til den satsinga som er venta. Av dei distriktsmedisinske sentra – vi kjenner alle nokon – har eg fylgt mest med på Dalane distriktsmedisinske senter. Eg får av og til ein følelse av at det er nokon i den sentrale sjukehusleiinga som ikkje at det kan føregå innovasjon òg utanfor dei største sjukehusa. Så må eg til slutt få understreka kor flott det er at ein nå har eit mål om ein ny pårørandepolitikk. Det må fylgjast opp med handling. Eldresentra – med den store betydninga dei har – må byggjast vidare ut, og så må ein byggja endå meir konkret på det store potensialet som er i frivillig sektor òg på dette feltet. Representanten Meltveit Kleppa fortalte at det er mye som har skjedd. Det er mye vi har snakket om tidligere

omsorgsbehov. Det er nettopp derfor Kristelig Folkeparti er utålmodig, for vi har dokumentasjon på at dette hjelper og at det gir økt livskvalitet, både for den enkelte og for de nærmeste. Derfor har vi tidligere foreslått å lovfeste disse tiltakene, og vi gjør det også i dagens innstilling. Særlig ønsker vi en lovfesting av dagtilbudet til demente. I dag – i 2013 har i underkant av 10 pst. av alle mennesker med demens et dagtilbud. Da mener vi at tiden er inne for å løfte noe av det viktigste for å øke livskvaliteten, både for dem det gjelder, og for de pårørende. Vi mener at hvis vi hadde lovfestet dagtilbudet til mennesker med demens, hadde vi gitt et tydelig signal til kommunene

til disse dagtilbudene. Man har investeringsmidlene – ja, de er der. Under høringen til denne meldingen ble det spurt om man ikke kunne få lov til å føre investeringsmidlene over til drift. Det var det pasientorganisasjonene tok opp under høringen når det gjelder dette området. Men at man ikke er klar over de virkemidlene man har, det er ikke meg bekjent. Kristelig Folkeparti og jeg ønsker nok en gang å fremme et forslag om lovfesting av dette tilbudet for å vise hvor viktig det er for å gi økt livskvalitet til denne gruppen. Når vi i løpet av de siste åtte årene ikke har klart å øke dagtilbudet til demente med mer enn 5 pst., må det kraftigere lut til enn bare ønsket om en bedre hverdag for disse.

blir de eldre også mer kvalitetsbevisste på de tjenester de etterspør, og dette stiller nye krav til kommunene i deres rekrutterings- og ansettelsespolitikk. Helsesektoren – med alle de tusener av flinke folk som jobber der hver eneste dag – må i langt større grad snakkes opp, eller framsnakkes, for å kunne fange interessen til nye generasjoner helsearbeidere. En annen utfordring ligger i å rekruttere gutter generasjoner helsearbeidere. En annen utfordring ligger i å rekruttere gutter som helsearbeidere. Her ligger det en stor uutnyttet reserve som vi framtida er helt avhengig av. Vi blir stadig flere eldre. Det er velferdssamfunnets kvalitetsstempel. Våre eldre pleie- og omsorgstrengende fortjener en aktiv omsorg av høy kvalitet. Noen av disse tjenestene ytes som hjemmebaserte tjenester,

I et tenkt tilfelle der alle sjukehjemsplassene i kommunen er privatisert, vil valgfriheten bli borte. La meg som eksempel tegne et bilde av en privatisert omsorgstjeneste hvor stoppeklokka har talt. Den har sagt 10 minutter til vask, 3 minutter til bleieskift, 6 minutter til påkledning, 15 minutter til frokost – et opplegg konkurranseutsatt gjennom et internasjonalt anbud, med påslag for ønsket profitt. Jeg ønsker frihet til å velge en kommunal tjeneste uten stoppeklokke, men styrt av helse-, pleie- og omsorgspersonell som har tid til å vise respekt for min situasjon. Når jeg blir omsorgstrengende, skal en kommunalt ansatt stå for en eventuell bleieskift og vask. Profitten fra denne hos et helsekonsern med adresse i et skatteparadis. Jeg håper at jeg slipper å oppleve det scenariet jeg her har skissert. Jeg vil heller glede meg over det bildet Morgendagens omsorg tegner – en trygg, nytenkende og framtidsrettet omsorgstjeneste som utnytter teknologiske muligheter og menneskelig kompetanse på best mulig måte og i offentlig regi.
Neste taler er representanten

etter freden i 1945 doblet fødselstallet seg i Norge, og alle innbyggere som er født i 1946, kommer til å bli 67 år i år. Helse- og omsorgssektoren vil trenge mange gode medarbeidere i årene som kommer. Statistisk sentralbyrå beskriver i rapporten «Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot 2030» hvordan tilbud og etterspørsel for i alt 20 grupper personell vil utvikle seg. Når alle grupper vurderes under ett, vil det samlet bli en underdekning på opp mot 40 000 årsverk i slutten av perioden. Hvis et høyere alternativ på etterspørselssiden legges til grunn, vil tallet bli mer enn dobbelt så stort. Vi vet at det tar tid å utdanne fagpersoner, og derfor må vi få på plass god rekruttering i tide. Utdanningssektoren og helsetjenesten må samhandle. En vellykket omsorgssektor er avhengig av både riktig utdanningskapasitet og status for omsorgsyrkene, slik at unge mennesker velger sektoren. Underbalansen i fremtidig helsepersonell varierer betydelig mellom forskjellige grupper. Hovedbildet er at kapasiteten i universitetsutdanningene er nær dekket, mens det vil bli stor underdekning av helsefagarbeidere fra videregående skole. Det er derfor grunn til uro når tall fra Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten viser at antallet helsefagarbeidere i norske sykehus har gått betydelig ned i perioden Den trenden forsterkes av stor mangel på praksisplasser. Jeg er bekymret for denne utviklingen. Det fremtidige behovet for årsverk i helse og omsorg kan bedres ved riktig bruk av kompetanse, ved at flere årsverk kommer i direkte kontakt med dem som trenger bistanden, og ved at pleie- og omsorgssektoren reduserer bruken av ufrivillig deltid. Det politiske alvoret i situasjonen er at vi ikke kan klare å skape likeverdige helsetjenester for alle i fremtiden uten flere helsefagarbeidere. Både offentlig og privat sektor må, i egen interesse, samarbeide godt med de videregående skolene og tilby flere

fordelt på 41 000 i institusjon og 22 000 beboere i boliger med heldøgns bemanning. Så er det en fremskrivning av befolkningen, som viser at behovet for heldøgns omsorgsplasser vil kunne øke med nesten 15 000 fram mot 2030 og med 45 000 fram mot 2050, og dette er en trend som er den samme som for personellbehovet, og det tar særlig av fra 2025. Men det som er interessant – og som jo er tittelen på

til å utsette behovet for heldøgns omsorgsplasser. Men dette er godt omtalt i meldingen, så det skulle ikke være noen misforståelse om det. Til representanten Hjemdal vil jeg si at jeg er veldig engasjert i det å få til dagtilbud for demente. Jeg har besøkt flere av dem, og jeg tror dette er en veldig viktig innsats. Så det er vi helt enige om, men der jeg tror vi kan skille lag, er når Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti vil at det fra 1. januar 2015 ved lov skal være både plikt og rett til dagtilbud for personer med demens. Representanten sier også at det med demens. Representanten sier også at det er rundt 10 pst. dekning i dag. Det tallet har ikke jeg her, men la oss nå si at det er riktig – da skal vi på ett år og noen måneder gå fra 10 til 100 pst. Det mener jeg er en gal bruk av å vedta slike forpliktelser. Jeg mener det er riktig å si at vi skal vedta den retten når vi er i nærheten av å ha nådd målet. Og representanten sier at det holder ikke med investeringsmidler og driftsmidler, men at det må «kraftigere lut» til – nemlig lov. lov. Da vil jeg si at vi må satse mer på midlene som skal til for å gjøre det. Det krever også personell. De må finnes, de må motiveres og de må opplæres. Det er ikke det at kommunen ikke vet om denne ordningen, men det har nok – både på grunn av dette med drift og investering – vært en vegring mot å satse på dette. Nå begynner vi å se at dette løsner, og da må vi satse mer på det, bevilge pengene, sørge for at personellet får opplæring – Demensomsorgens ABC så kan vi gradvis nærme oss det målet vi alle deler, nemlig at dette er en rett. Men vi er altså ikke helt der, og derfor er jeg skeptisk til forslaget. Jeg vil avslutningsvis i denne debatten si litt mer om velferdsteknologi. Høyre har både nasjonalt og

jeg skeptisk til forslaget. Jeg vil avslutningsvis i denne debatten si litt mer om velferdsteknologi. Høyre har både nasjonalt og i kommunene vært pådriver for å ta i bruk denne teknologien, og vi vedtok allerede på vårt landsmøte i 2011 en rekke forslag om en mer offensiv politikk på dette området. De fleste eldre ønsker å bli boende i sitt hjem så lenge som mulig, også når behovet for ekstra omsorg og mer bistand melder seg. For den enkelte handler det om å bevare sin verdighet og selvstendighet, sitt engasjement og sin aktivitet. I dette perspektivet åpner den teknologiske utviklingen for mange nye muligheter og løsninger som vil kunne skape større trygghet både for den enkelte og for pårørende. Vi vet at omsorgsoppgavene vil dobles i løpet av få år, og at det blir færre helsearbeidere til å utføre dem. Omsorgen vi tenker altså borte bra, men hjemme best. Det finnes i dag teknologi utover trygghetsalarm som kan bidra til større selvhjulpenhet, trygghet og sikkerhet. Det finnes opplagte etiske problemstillinger knyttet til velferdsteknologi, og det er derfor viktig å bruke tid på å vurdere grensene mellom trygghet og overvåkning. Hensynet til personvernet skal ivaretas på en forsvarlig måte. Samarbeid med brukerne, pårørende, ansatte og myndigheter omkring de etiske spørsmålene må stå sentralt. Et sentralt spørsmål er hvilke verdier som kan trues ved bruk av omsorgsteknologi, og hvilke verdier som kan trues av at man ikke benytter omsorgsteknologi. Denne problemstillingen mener jeg viser behovet for at etisk refleksjon er helt avgjørende for vår evne til å handle til beste for brukeren. Omsorgsteknologi skal ikke erstatte menneskelig kontakt og omsorg. Den ivaretar ikke møtet mellom mennesker, og omsorgen blir uten ansikt og kan aldri bli en erstatning for det forholdet vi skal ha til de svakeste blant oss. Den kan skape ensomhet og fremmedgjøring, men også dempe opplevelsen av det samme. Teknologien kan oppleves som frigjørende, fremme mestring og selvstendighet, men også være krenkende og kontrollerende. kontrollerende. Det er behov for å styrke den etiske kompetansen blant fagfolk og politikere, slik at etisk utfordrende situasjoner håndteres på en reflektert og god måte. Omsorgsteknologi i kombinasjon med menneskelig kontakt og omsorg kan være positivt, men Høyre tar klart avstand fra en omsorgsteknologi som tas i bruk for å styrke lønnsomhet og effektivitet på bekostning av menneskelig verdighet og kontakt.
Neste taler er Håkon Haugli,

Det vil handle om kapasitet, det vil handle om god nok kompetanse i tjenestene, men ikke minst vil det også handle om innovasjon, muligheten til å finne nye løsninger for å klare å ivareta dem i samfunnet vårt som har behov for hjelp, assistanse eller rehabilitering, så de i større grad Det som kanskje – iallfall slik jeg ser på det – er en av de største utfordringene, er rett og slett å få en endring i kultur. Vi kan alle sammen telle oss fram til kapasitet, vi kan telle oss fram til antallet som har fått etter- og videreutdanning eller har en fagutdanning i tjenesten, men det er mye vanskeligere for oss å vedta å telle oss fram til en kulturendring i tjenesten. Det er også den erfaringen komiteen opplevde da vi fikk en gjennomgang av forskningen som er gjort på de endringene man har forsøkt i Danmark – at mange har prøvd å kopiere, men få har fått det til, fordi det har vært vanskelig å endre måten en jobber på. Det handler om å gå fra den tradisjonelle tenkningen om å gå inn og levere en tjeneste, til å endre seg til at en faktisk skal bidra til at den enkelte selv i større grad kan velge ut hva som er viktig for en og kunne fortsette å gjøre det – altså å tenke rehabilitering istedenfor tradisjonell omsorg. Hva er det så som er kvalitet i disse tjenestene? Når en snakker med brukerne og deres pårørende, er det ofte andre ting som trekkes fram når det gjelder kvalitet, enn de tingene som kommunene eller det offentlige Det er muligheten til å få lov til å drive med de interessene, de hobbyene en hadde før. Det er muligheten til å stimuleres gjennom en god samtale med mennesker som en har felles interesser med, få kulturopplevelser og ikke minst oppleve gleden over et godt måltid. Vi må kanskje også tydeligere få fram denne opplevde kvaliteten når vi diskuterer innholdet i Representanten Lillehovde var opptatt av at profitten for hans eventuelle framtidige bleieskift ikke havnet i et skatteparadis. Jeg er ikke så veldig opptatt av det, men jeg er veldig opptatt av at de som er eldre og har behov for bleieskift, skal slippe å oppleve at det hver eneste dag kommer nye mennesker inn og utfører det bleieskiftet, men at en får noen få mennesker å forholde seg til som en kjenner, og slipper den usikkerheten som mange opplever i dagens tjenester. Presidenten antar at det ikke har noen hensikt, men vil likevel minne om at vi har en veldig lang kveld og en lang natt foran oss i denne salen. Takk for påminnelsen. Det gleder meg at representanten Hjemdal er så opptatt av dagtilbud for demente, men jeg blir nødt til å kommentere hennes noe kreative prosentregning. Faktum er at da representantens parti gikk ut av regjering i 2005, var det 4 pst. av hjemmeboende demente som hadde et dagtilbud. Tallet i 2012 var 9,3 pst. av de 42 000 hjemmeboende. Dette sier representanten Hjemdal er en økning på Hadde hun enda brukt begrepet «prosentpoeng», hadde det kanskje vært mulig å la det passere. En annen måte å se på det er at det er en økning på 120 pst., altså mer enn en dobling. Det er uansett ikke poenget; vi er enige om behovet for å styrke dette tilbudet. Fra 2007 til 2012 har 14 000 ansatte i 370 Legetjenesten i sykehjem er styrket med mer enn 50 pst. Nær 240 kommuner har pårørendetilbud. 243 kommuner har demensteam eller demenskoordinator – det er en dobling fra 2007. Midlene til omsorgsforskning er økt kraftig – satsingen i 2005–2015 er på 250 mill. kr – og ikke minst har vi kraftig bedret kommuneøkonomien, noe som gjør det mulig for kommunene å prioritere omsorgstilbud i bredden. Og som sagt: Andelen hjemmeboende demente med dagtilbud er mer enn doblet.

kapasiteten, og at vi erkjenner at det har vore og er manglar – spesielt med omsyn til aktivitet og moglegheita for sosialt fellesskap, og dette med å ta kultur, musikk og meistringsfokus inn som ein kvalitet i omsorgstilbodet. Eit eksempel er at menn over 80 år i Noreg er dei som toppar sjølvmordsstatistikken. Det meiner eg er ein statistikk som vi ikkje kan vera nøgde med, og den omlegginga som no skjer, trur eg faktisk vil kunna bidra òg på det området. Vi erkjenner at vi ikkje er i mål, men at det skal skje ei fagleg omlegging, og eg synest det er veldig kjekt å vera her på Stortinget i dag når vert vedtatt. Ein skal ta i bruk samfunnets totale omsorgsressursar, ny pårørandepolitikk og auka satsing på frivillig innsats. Vi har trass alt eit godt tilbod samanlikna med veldig mange andre land – med høg dekning både av sjukeheimsplassar og heimetenester. Men vi må erkjenna at dette ikkje er nok når vi ser dei utfordringane som vi vil få i framtida. Vi må tenkja på ein ny måte. Eg har reist ein del i Hordaland i samband med denne saka, og eg vil nemna to kommunar. Den eine er Lindås, som er pilotkommune for velferdsteknologi. Deira klare melding var at like viktig som ny teknologi var å implementera den teknologien som finst – for det finst mykje. Problemet er at kommunane ikkje har vore gode nok til å ta han inn. inn. Det andre dei sa, var at dette må skje samtidig med fagleg omlegging. Det er ikkje teknologien som er målet, men det må skje saman med ei fagleg omlegging. Den andre kommunen er Voss. Dei er prosjektkommune for kvardagsrehabilitering. Dei vart valde ut fordi dei hadde 100 pst. kommunale tenester. Dei hadde ingen private

demens. Slik jeg skjønner det, regner regjeringen med at de skal ha et dagtilbud to–tre dager i uken. Men for de fleste av oss er det sju dager i uken, og fem av dem er vi i arbeid eller gjør andre ting. Det bør ligge til grunn for definisjonen for når man har et fullt utbygd dagtilbud for mennesker med demens.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

Hvor trenger vi nye sykehus, hvor store skal de være, og hva skal de inneholde? Sykehusene vi allerede har, må vedlikeholdes og endres i takt med behovene. Nye og endrede behov krever god planlegging. Høyre har fremmet et forslag om at det skal utarbeides en nasjonal plan for bedre helsebygg som sikrer vedlikehold og raskere fornyelse av sykehuseiendommene. Som en del av planen bør det være en vurdering av behovene for vedlikehold, oppgradering og nyinvesteringer for spesialisthelsetjenestenes eiendommer. Multiconsult estimerte i 2007 at det er et utbedringsbehov i sykehusene på 55 mrd. kr. Riksrevisjonen anslo i 2011 et vedlikeholdsbehov på 19 Det mangler i stor grad lokale, regionale og nasjonale planer for bygg og eiendomsforvaltning i spesialisthelsestjenesten. Ifølge Riksrevisjonen har kun fem av 23 helseforetak besluttet både mål og langsiktig plan for bygningsmassen. Det påpekes også svakheter ved valg av konsept for sykehusbygg og ved beregningen av effektiviseringsgevinsten Videre foreslår Høyre at planen inneholder en langsiktig plan for finansiering av vedlikehold, oppgradering og nyinvestering. Legeforeningen vektla i sitt høringsinnspill erfaringer fra Danmark. Der har det i årene fra 2008 til 2011 vært en investeringspakke fordelt på 16 ulike sykehusprosjekt. Av dem var tre nye universitetssykehus. De øvrige prosjekter gjaldt modernisering, ombygging og utbygging. Formålet med investeringen var å øke kvalitet og produktivitet i sykehusene. Legeforeningen mener det er behov for en tilsvarende satsing i Norge, og de har estimert behovet til å være 70 mrd. kr over en tiårsperiode, der 10 mrd. kr av disse går til investering i medisinsk-teknisk utstyr.

som sak i forrige uke. I dag har de regionale helseforetakene i henhold til helseforetaksloven et helhetlig ansvar for drift og investering. Det foreslås at det etableres en egen organisasjon for helsebygg som skal sikre vedlikehold og raskere fornyelse av sykehusbygg. Det trekkes her paralleller til Statsbygg og Forsvarsbygg som eiendomsselskap innen offentlig sektor. Legeforeningen støtter dette forslaget i sitt høringsinnspill, og viser til mulighetene slik organisering gir for permanent kompetanse og erfaringslæring ved forvaltning av sykehusbygg. Flertallet, bestående av regjeringspartiene, foreslår at representantforslaget vedlegges protokollen. Mindretallet, bestående av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, støtter forslaget om at det i om at det i forbindelse med en mer operativ nasjonal helse- og sykehusplan utarbeides en del som omhandler bedre helsebygg. Jeg tar opp forslaget som jeg har referert til. Representanten Line Henriette Hjemdal har tatt opp det forslaget hun refererte til, dvs. forslaget fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti. Jeg skal i dette innlegget berøre flertallets syn i de sakene som er

har vært krevende og har medført store utfordringer. Den har berørt og engasjert helsepersonell og ikke minst lokalbefolkninga. Dette var heller ikke uventet da vi her sto overfor en omstilling i landets største landbaserte virksomhet målt i antall personer. Forslagsstillerne foreslår en overslagsbevilgning for å utnytte ledig Dette støttes ikke av flertallet, da vi mener at man gjennom dette forslaget vil legge til rette for en forskjellsbehandling av private og offentlige sjukehus i favør av de private, fordi de private kommersielle sjukehusene dermed kan velge hvilke pasienter de er villig til å utrede og behandle, mens de offentlige sjukehusene vil sitte igjen med de omfattende og kompliserte Mens de offentlige sjukehusene hver dag må prioritere hardt innenfor fastsatte budsjettrammer, vil kommersielle aktører kunne velge pasienter uten prioritering av hvem som trenger hjelp først. Flertallspartiene ønsker ikke et slikt system. Forslagsstillerne prater om effektiv ressursutnyttelse og utbygging av tilstrekkelig kapasitet. Jeg kan forsikre om at regjeringspartiene er minst like opptatt av ressurs- og kapasitetsutnyttelse. Mens vil at det daglige ansvaret for dette skal ligge i Stortinget, mener flertallet at Stortinget skal trekke opp politikken og tydeliggjøre rammene, og at driftsansvaret skal ligge i helseforetakene. Det er de som er de nærmest til å vurdere hvordan man innenfor gitte rammer kan styre sjukehusene både når det gjelder drift og utbygging. Dette fører meg inn på behandlinga av Dokument 8:54 S, som

behandler flere mennesker og flere sykdommer. I tillegg kan de nå også investere i framtida. Å bringe sjukehusøkonomien i balanse har vært en tung, men nødvendig prosess. Dette har også skapt mye turbulens ute i helseregionene. Alt har ikke stått stille mens dette arbeidet har pågått. Nei, tvert imot – moderniseringsarbeidet og nybygging har pågått parallelt. Fram til i dag har dette arbeidet vært utført i offentlig regi

Når regjeringspartiene i denne saken trekker fram sjukehusbygging ved sjukehuset Nya Karolinska Solna som eksempel på hvor lite egnet OPS er innenfor denne sektoren, er det fordi forslagsstillernes virkelighetsbeskrivelse står i grell kontrast til beskrivelsen i svenske medier og blant svensk helsepersonell. Disse omtaler OPS-prosjektet som en skandale, noe som understøttes gjennom en rapport utarbeidet av den svenske konservative tankesmien, Timbro. I denne rapporten konkluderes det med at Nya Karolinska har endt opp med en langt høyere kostnad enn alternativene. I England erkjennes det nå av både finansminister og framtredende økonomer at OPS har vært ødeleggende for det offentlige helsevesen. Dyre OPS-kontrakter har påført sjukehusene så stor gjeld at det nå må kuttes i helsetilbudet for å innfri forpliktelsene overfor de private investorene. I England har de 20 års erfaring med denne type kontrakter og ser nå den fulle og hele konsekvens av forsøket. Fra regjeringspartiene vil vi advare mot OPS-kontrakter i offentlige utbyggingsprosjekter med den enkle begrunnelsen: Det blir for dyrt for samfunnet, for pasientene og for dem som kommer etter oss. Bakgrunnen for de sakene vi nå behandler, er

det både på den bygningsmessige og på utstyrsmessige siden er store behov i Helse-Norge. Det er også hevet over enhver tvil at moderne bygg og nytt medisinskteknisk utstyr bidrar til bedre helse, bedre og mer effektive pasientforløp, bedre resultater og ikke minst bedre arbeidsforhold for alle dem som jobber ved norske sykehus. mener Legeforeningen at en investeringsplan eventuelt burde ha en ramme på til sammen 70 mrd. kr over en tiårsperiode, der 10 mrd. kr av disse burde gå til investering i medisinskteknisk utstyr. Det finnes både høyere og lavere anslag enn dette, i mange rapporter over tid. I denne saken bruker de rød-grønne mye plass på å gi et feilaktig bilde av en tidligere regjering, og har merknader som preges av erindringsforskyvning. Jeg tror tror at det bedre å bruke tid på fremtid og de utfordringer vi står overfor, enn å krangle om fortid. Så jeg skal la det ligge og heller konsentrere meg om løsningene for fremtiden. Nye og moderne sykehus, nytt medisinskteknisk utstyr og en bedre forvaltning av sykehusenes bygg og eiendommer vil frigjøre midler til mer og bedre pasientbehandling. Mer rasjonell bruk av lokaler og mulighet for å ta i bruk nye og mer effektive behandlingstilbud er til beste for pasienter og ansatte. Derfor fremmer opposisjonen forslag om en mer operativ nasjonal helse- og sykehusplan, hvor en del skal omhandle bedre helsebygg. Denne planen skal sikre bedre vedlikehold og raskere fornyelse av sykehusenes eiendommer. Blant annet mener vi i opposisjonen at en slik plan skal inneholde en vurdering av behovet for vedlikehold, oppgradering og nyinvesteringer for Det er viktig å vurdere dette nasjonalt og ikke bare stykkevis og delt – se det totale behovet. Dette er både for å gjøre gode, prioriterte valg, og, som nasjonalt parlament, å se hele landet under ett. Videre bør det være en langsiktig, nasjonal plan for finansiering av vedlikehold, oppgradering samt nyinvesteringer. Dette er viktig for å utnytte den kapasiteten som finnes, så godt som mulig, men også for å ligge i forkant og ikke som i dag, hvor vi hele tiden forsøker å reparere på forfall, men aldri ser ut til å klare å ligge foran. Det finnes dessverre mange sykehusprosjekt landet rundt, hvor det brukes hundrevis av millioner av kroner på nødvendig vedlikehold fremfor å bygge nytt. Jeg var selv på besøk ved sykehuset i Molde for noen få dager siden, hvor det ble uttrykt stor frustrasjon over å bruke penger på midlertidige tiltak når de alle ønsket å investere i et nytt og fremtidsrettet sykehus. Sengepostene på sykehuset i Vestfold er et annet eksempel, hvor det nå skal brukes mye penger på midlertidige tiltak, når alle vet at nye sengeposter er krevet og faktisk har vært planlagt for mange år siden. Listen kunne vært gjort mye lengre. Dette er grunnet til at Fremskrittspartiet foreslår en flerårig investeringsplan for bygg og medisinskteknisk utstyr. Vi mener det er nødvendig å lage et tydeligere skille mellom drift og investeringer i offentlige budsjetter. Dette gjelder også innenfor helsetjenesten. Dagens situasjon er i praksis slik at pasientbehandlingen blir skadelidende for at sykehusene skal ha midler til å finansiere nye bygg eller vedlikehold. Alternativt blir forfallet på bygningsmassen enda større, fordi sykehusene prioriterer Dette betyr at man kanskje tar beslutninger som ikke er optimale, verken samfunnsøkonomisk eller helsefaglig. Et annet forslag opposisjonen har, er en justering av dagens finansieringsregelverk som innebærer at 70 pst. av kostnadene ved større nyinvesteringer kan lånefinansieres. Etter hva jeg har forstått av media, er helsestatsråden enig i dette forslaget. Det synes jeg er veldig hyggelig, og jeg tar det for gitt at han anbefaler de rød-grønne partiene å stemme for dette forslaget. forslaget. La meg helt til slutt kort få komme innom utfordringene i Oslo. Fremskrittspartiet mener det er viktig å få belyst den stadig økende befolkningsveksten i Oslo-regionen og den innvirkning dette har på sykehuskapasiteten. Oslo-regionen har gjennom en årrekke hatt stor tilflytning, og det er ingen grunn til å tro at dette ikke vil fortsette også i kommende år. Med den omstillingen man har ved sykehusene i Oslo, er det viktig å ta dette på alvor. Jeg skulle snakket mye mer om Oslo og prosessen. Men det er det ikke tid til. Det eneste jeg har tid til, er å ta opp de forslag som Fremskrittspartiet har alene eller er sammen med andre om. Representanten Per Arne Olsen har tatt opp de forslagene han refererte til.

i helsetilbudet, der man bl.a. har behov for store, nye sykehus i veldig mange av områdene i landet der man har en høy befolkningsvekst. Dette er spørsmål som burde ha blitt sett i sammenheng med andre spørsmål vedrørende helsetjenesten, og som burde vært forankret i en diskusjon i Stortinget om prioriteringen og rekkefølgen mellom de ulike ulike store investeringene. Nå kommer dette – mer eller mindre – som orienteringssaker til Stortinget i forbindelse med de årlige budsjettene, der man bare systematisk slutter seg til den på forhånd bestemte lånefinansieringen. Dette er investeringer og endringer som kommer til å påvirke hele strukturen i spesialisthelsetjenesten, og som oppleves – lokalt – som noen av de viktigste beslutningene som fattes, men der man ikke har direkte folkevalgte organ involvert i beslutningene. Man ser også at dagens investeringsregime ikke gir grunnlag for den type investeringer som man har behov for framover. Representanten Lillehovde refererte til Storbritannia, der han mente at man hadde erfart at investeringskostnader fører til kutt i Da kan jeg opplyse representanten Lillehovde om at det er hverdagen i stort sett alle helseforetakene i Norge i dag. Framtidig behov for investeringer fører i dag til kutt i pasientbehandlingen i Norge, nettopp fordi man har en så stor egenfinansieringsgrad at det i områder er et regnestykke som ikke går opp. Man har en vekst man har sykehusbygninger og infrastruktur som er for dårlig til å kunne håndtere denne veksten, og samtidig skal man behandle flere pasienter og spare penger til nye investeringer. Det ser man de fleste steder at ikke går opp. Det fører til at man – sannsynligvis – i en del helseforetaksstyrer i nærmeste framtid kommer til å vedta milliardinvesteringer som på det tidspunktet investeringene er gjennomført og bygningene står ferdig, allerede har gått ut på dato og ikke har den kapasiteten som det er behov for, fordi de rammene som vi nå har, det regimet som vi i dag har, ikke gir grunnlag for å gjøre de klokeste beslutningene. Det er grunnen til at Høyre kommer med disse forslagene – forankre dette i en nasjonal helse- og sykehusplan, etablere et eget selskap som har ansvar for planlegging, drift og vedlikehold av bygningene. Vi vil la ledelsen som har ansvaret for kjernevirksomheten i helsevesenet, som er pasientbehandling, ha muligheten til å konsentrere seg om det, mens andre organisasjoner som vil ha som kjernevirksomhet å drive bygg, har muligheten til å konsentrere seg om det, sånn man har sett både i Forsvaret,

forslaget. For å gjøre det mulig for regjeringspartiene å støtte forslaget i Stortinget i dag vil jeg be om at det voteres separat over punkt 3 i forslag nr. 1 i saken. Mange styrer sitter nå og diskuterer helt avgjørende spørsmål knyttet til dette, og det hadde vært bra om Stortinget i dag klargjorde at dette allerede kommer til å bli en del av statsbudsjettet for 2014 – at man gir uttrykk for det som sannsynligvis er situasjonen, nemlig at dette er noe som har enstemmig tilslutning i Stortinget. Det å åpne opp for offentlig–privat samarbeid om bygg er en måte å organisere dette på som vi mener bør være mulig. Det betyr ikke at dette skal være regelen – at det alltid skal gjøres sånn – men det skal gjøres de gangene man mener det er en praktisk og fornuftig løsning. Ingen modell er perfekt, men det vil være ulike løsninger som passer på ulike tidspunkt.

om sjukehusutfordringar i Oslo-regionen. Til det forslaget vil eg berre visa til dei merknadene vi har i innstillinga. Til Dokument 8:54 S, om betre helsebygg, har eg nokre kommentarar. Forslaget går ut på at ein skal utarbeida ein nasjonal plan for betre helsebygg. Det siste punktet under forslag nr. 1 gjeld etablering av ein eigen organisasjon for helsebygg, som skal sikra betre vedlikehald og raskare fornying av sjukehusbygg, slik at desse vert meir funksjonelle og moderne. Det er eit lite paradoks her. Senterpartiet respekterer at vi i dag styrer sjukehusa via ein føretaksmodell. føretaksmodell. Når ein gjer det, har dei partia som i alle fall var for det, meint at då skulle føretaka hushaldera slik at dei tok ansvar og hadde økonomi til vedlikehald og til å kunna investera. Skal ein løfta dette opp i ein ny organisasjon, eit selskap – eg høyrer det vert brukt ulike ord Så er det òg signalisert frå statsråden si side at det er på gang ei vurdering av eit nasjonalt føretak for sjukehusplanlegging. Det kan vera eit poeng at ein si side at det er på gang ei vurdering av eit nasjonalt føretak for sjukehusplanlegging. Det kan vera eit poeng at ein kan nytta kvarandre sin kompetanse og samla han, men poenget med at ansvaret må ligga lokalt, må vi ikkje gå vekk ifrå. Så til forslaget om ein plan for etablering av nokre offentleg–private samarbeidsprosjekt. Eg vil òg visa til resultatet frå England. I ein rapport som Fagforbundet har

forstå at ein kan fremma eit forslag om at ein skal etablera «noen» offentleg–private samarbeidsprosjekt. Dersom ein trur at dette sikrar raskare realisering av nye sjukehus, burde alle vert bygde i OPS-samanheng. Eg høyrer at representanten Bent Høie seier at dette skal ikkje alltid gjelda, men der det er praktisk mogleg og fornuftig. Men kor er det fornuftig? Eg vil òg visa til det Kristeleg Folkeparti skriv i merknaden, at dette forslaget slår det andre i hel. Om ein skal få ei betre organisering i sjukehusutbygginga, må ein ha kompetansen. Viss ein tar det ut i eit OPS-prosjekt, vil ein hindra kompetanseoverføring når det gjeld utbygging. Til punktet om å justera dagens finansieringsregelverk: Det har, heilt riktig, regjeringa sjølv foreslått. Ein punktet om å justera dagens finansieringsregelverk: Det har, heilt riktig, regjeringa sjølv foreslått. Ein langsiktig, nasjonal plan for finansiering er òg eit forslag, og at ein skal vurdera behovet. Til dei to første punkta om å vurdera behovet for vedlikehald og ein nasjonal plan: Senterpartiet har

om, og ved å se at sykehusene nå har orden på økonomien, slik at tiden nå er kommet. Jeg tror at styrene som sitter og vurderer søknader og prosjekter, vet at det politiske flertallet går inn for dette. Dette er en sak som, etter min mening, hører hjemme i statsbudsjettet – der kommer vi til å foreslå det – og det kan man da inviteres til å stemme for. Det vil gi økt fleksibilitet, men det vil likevel innebære at pengene først må bevilges, dvs. at den enkelte investering fortsatt må prioriteres av Stortinget opp mot andre formål, som f.eks. veier og skattekutt. Og jeg kan love at denne regjeringen fortsatt vil prioritere sykehus. De som tror at man kan prioritere ned sykehus, men likevel skaffe penger på utsiden av statsbudsjettet, tror jeg gjør en stor feil som vil skade norske pasienter på sikt, og som vil undergrave Stortingets evne til å styre. Andre debattanter har vært inne på dette. I representanten Høies innlegg er det en del ting som jeg har sans for. Jeg utelukker ikke at vi skal ha en samlet plan som Stortinget debatterer, det har jeg åpnet for i min tale om sykehusene – det å se helheten. Jeg utelukker heller ikke at vi samler kreftene når vi bygger nybygg, slik at byggetrinn 1 i det neste prosjektet bygger på det siste byggetrinnet i det forrige prosjektet – det har vi satt i gang planer for. Men jeg mener fortsatt det er veldig viktig at avgjørelsene er godt forankret regionalt og lokalt, og at vi ikke løfter opp i stortingssalen spørsmål om hvordan klinikkhverdagen skal utformes, også på investeringssiden. Det å skille drift og investering, som det stadig tas til orde for, mener jeg er en kunstig måte å tenke på. Ja, det må skilles i den grad at noe penger skal gå til oppussing, og noe til behandling, men den avgjørelsen tas best nærmest sykehushverdagen. Noen av forslagene fra representantene Høie og Sanner gir inntrykk av at vi kan løse investeringsbehovene ved OPS, finansiell leasing eller banklån med rentekompensasjon til statlige sykehus. Det er etter min mening politiske unnamanøvre for å dekke over at det ikke bevilges nok, og her har vi debatten fra England og Sverige i minne. Den debatten er sammensatt, vi kan ikke si at den er svart-hvitt, men den gir såpass mange advarsler at jeg mener man skal være svært varsom med å gå den veien. Det er en dyr måte å gi fra seg kontrollen på, med uklart resultat. Så har det blitt snakket om årlige investeringsbehov, om litt ulike varianter, med referanse til Danmark og med referanse til Legeforeningens tall. Under Bondevik II-regjeringen utgjorde bevilgningsnivået til investeringer i sykehusene ca. 3 mrd. kr årlig. Kun to tredjedeler av bygningsmassen kunne reanskaffes og vedlikeholdes. Store lån under streken, og dermed utenfor budsjettet, ble gitt for å bøte på manglende bevilgninger. Fra 2008 økte Stortinget Stortinget investeringsmulighetene til rundt 5. mrd. kr årlig, og en aktivitetsvekst har siden vært fullfinansiert. I år er planlagte investeringer i størrelsesordenen 8–9 mrd. kr. Jeg mener det er dette det egentlig koker ned til: Er det vilje til å bevilge pengene, er det vilje til å sette av penger over de sentrale budsjetter, kan vi få til løft på sykehusene. Det er et etterslep, men det er på vei ned, og sånn sett er vi på riktig kurs. Sykehusene viser nå at de er verdt å investere i, både fordi behovene er der, og fordi de drives fornuftig og godt. Selv om vi nå foreslår å endre sykehusenes rammebetingelser for lån, endrer ikke det det forhold at alle slike lån fortsatt må fremmes for regjering og storting. Det er Stortinget som avgjør om det skal gis investeringslån. Det tror jeg er klokt. Det er fortsatt Stortinget som må velge om vi skal bruke de store summene på skattekutt eller sykehus, og jeg velger, som man vet, det siste. Det blir replikkordskifte. Jeg skal få lov til å følge opp 70 pst.-finansieringsandelen: Jeg opplevde det slik at da statsråden hadde pressekonferanse, ble dette – ikke minst hans egne representanter bl.a. i Møre og Romsdal – tatt til inntekt for at man nærmest kan begynne å bygge i morgen. Man har argumentert med at man ikke kan stemme for vårt forslag fordi det er en del av en pakke. Nå har representanten Høie tatt dette ut av pakken, og fremstilt det som et eget forslag, som får en egen votering. er jeg også hjertens enig i det. Men det som står i forslaget, er bare en justering av finansieringsregelverket, og det har ikke nødvendigvis noe med statsbudsjettet å gjøre. Så mitt spørsmål er enkelt: Nå når dette er blitt et enkeltstående forslag, vil statsråden anbefale sine representanter å stemme

basert på behovene, basert på at alle regionene nå er i balanse, og basert på at vi hadde gjennomført foretaksmøter med alle fire, og gått grundig inn i dette. Derfor mener jeg at det vedtaket står seg i en statsbudsjettsammenheng. Vi har sendt et klart politisk signal om hva vi ønsker å gå inn for. Det kommer til å bli uttrykt i Prop. 1, og dermed gir den det signalet. Men jeg tror, som sagt, at alle styrer som vurderer prosjekter, vet det – også i Møre og Romsdal. Det er riktig at i Molde og Kristiansund ønsker en sykehus i morgen, men de har nå utsikt til at det kan komme i 2017, og kanskje før det også, hvis Helse Midt-Norge finner å se på bruken av midlene på en annen måte. Muligheten er der. Statsråden tilhører et parti som spilte en vesentlig rolle ved etableringen av både Statsbygg og Det betyr at i universitet- og høyskolesektoren konsentrerer ledelsen av disse institusjonene seg om kjernevirksomheten, som er utdanning og forskning, mens andre profesjonelle organisasjoner tar seg av bygningsmassen. Det samme skjer i Forsvaret. Hva er det som er så veldig forskjellig i sykehussektoren, sammenlignet med universitet- og høyskolesektoren og Forsvaret, at det der er vesentlig at det

funksjonalitet. Tanken om at man skal tømme den daglige sykehusledelsen for all den type kompetanse, og ha et nasjonalt foretak som skal reise rundt og gjøre alle de vurderingene i de ganske mange sykehusene vi har, tror jeg innebærer en sentralisering og byråkratisering av den daglige løpende driften. Ved besøk på sykehus har jeg lært at vedlikehold og investeringer er noe som egentlig pågår løpende, i lys av behov. Men jeg tror, og der tror jeg ikke vi skal konstruere noe skille mellom representanten og meg, at for å få samlet kompetanse om planlegging av gode byggeløp, rekkefølger, anbud og den type ting, har vi mer å hente på å trekke de fire regionene sammen, og jeg har også satt i gang arbeid for å få det til. Det foregår nå planlegging av og diskusjon om nye sykehus i både Stavanger, Drammen, Oslo og flere andre områder i landet. Mener statsråden at det å bygge helt nye sykehus, på nye tomter, i disse områdene områdene er mulig innenfor dagens finansieringsmodell – og med endringen til 70 pst. – hvis en ser for seg at sykehusbudsjettene skal vokse om lag sånn som de har vokst under den rød-grønne regjeringen? Representanten nevnte noen prosjekter. Jeg synes det er vanskelig å ta stilling til det når jeg ikke har sett hvor mye de prosjektene er kostnadsberegnet til, man må gjøre anslag på Men vi har lagt til grunn en langsiktig investeringsplan i regionene, basert på ett sett av premisser, nemlig 50/50. Nå legger regionene til grunn at det kan endre seg – for det er et bredt flertall for det – til 70/30, og de kan gjøre nye vurderinger. Så skal en selvfølgelig i denne sal ta sin beslutning om hvorvidt en bevilger. Jeg tror det er rom for og politisk vilje til håper i alle fall det – å sette av tilstrekkelige budsjetter. Jeg tror at sykehusbudsjettene vil måtte øke i årene som kommer, både for å behandle flere pasienter og for å behandle dem bedre med ny teknologi og nye muligheter, og for å foreta den opprustingen på investeringssiden som er nødvendig. Så jeg håper at svaret på det vil være ja, men det er jo også flere prosjekter enn de representanten viste til, som ligger og venter. Replikkordskiftet er

Regjeringen vil som kjent øke lånerammene slik at helseforetak kan låne opp til 70 pst. av byggekostnad. Med sunn økonomi kan vi nå trygt øke låneandelen. For mange helseforetak vil dette være nyttig, og endringen er godt mottatt i sektoren. Samtidig vil jeg nevne det elementære, at så høye lån som mulig ikke har egenverdi i seg selv. En suksessrik møbelgründer fra Sunnmøre fikk en gang følgende spørsmål fra pressen: Hva mener din bedrift er mest lønnsomt, lån eller leasing? Sunnmøringen svarte med et smil om munnen at han syntes det var mest lønnsomt å betale kontant. Videre: I forslaget gjentas det at Offentlig Privat Samarbeid i politisk forstand er en god løsning. Spørsmålet er vel egentlig: Hvilken aktør er det en god løsning for? Det er allerede samarbeid mellom det offentlige og private byggeselskaper. Våre sykehus bygges ved at man deler opp de store prosjektene i anbud som private entreprenører vinner. Noen er best på utgraving, noen på støping, noen på bygging, og utstyret leveres av forskjellige spesialfirmaer. Det spesielle med en politisk OPS-modell er at det offentlige i tillegg skal binde seg til én monopolist for drift flere tiår fram i tid. Dette øker byråkratiet, tar bort fleksibilitet og selvråderett og blir fordyrende. Kunnskapen om drift av et sykehus ligger i organisasjonen. Et driftsselskap med erfaring fra og kunnskap om hotell, kontorbygg og flyplasser vil drifte dårligere og dyrere. I tillegg må helsekroner brukes til å betale ut Fremskritt i medisinsk teknologi er til glede for oss som pasienter, men gjør det samtidig vanskelig å planlegge arealer. Der vi i dag trenger mye plass fordi utstyret er stort eller trenger skjerming, vil vi kanskje om noen få år få nytt og minimalistisk utstyr. Ny behandling kan redusere behovet for innleggelser og sengeplasser i et fag, men øke behovet for Sykehusbyggene endres hele tiden, i takt med disse endringene. Erfaring tilsier at en monopolist for drift av bygg blir kostbar når endringer som ikke kunne forutses i det første anbudet, skal betales. Derfor bør vi unngå løsninger som utsetter og fordyrer realitetene.

og pårørende, tyder på at nedleggelsen av Aker sykehus var lite gjennomtenkt, og at fremtidens sykehusbehov i Oslos østlige bydeler tilsier at avdelinger ved Aker sykehus som har tilfredsstillende teknisk standard, gjenåpnes. Fremskrittspartiet advarte mot nedleggelsen av Aker sykehus. Fremskrittspartiet har ved flere anledninger fremmet forslag om å videreføre fullverdig drift ved sykehuset. Ulike aktører advarte regjeringen om konsekvensene en slik flytting ville ha, men regjeringen ignorerte alle advarsler – og fortsetter å ignorere dem. Siri Hatlen gikk av som administrerende direktør for Oslo universitetssykehus 6. juni 2011. Hatlen hadde hovedansvaret for beslutningen i februar 2010 om å legge ned Aker sykehus – utenom regjeringen, selvsagt – og flytting av pasienter til Ahus. Etter sin avgang har Hatlen vedgått at nedleggelse av Aker sykehus var en uklok beslutning, jf. Dagsavisen 27. februar 2012. I samme intervju uttaler Hatlen at man bør vurdere helseforetakenes verdi. Situasjonen ved Ahus i dag er fremdeles at korridorer benyttes til pasientbehandling. De er lange ventetider, og pasienter kan bli sendt til andre sykehus på grunn av mangel på kapasitet. Fremskrittspartiet fremmet i Stortinget i 2010 et representantforslag hvor vi ba regjeringen stoppe nedleggelsen av Aker sykehus. Forslaget fikk kun støtte fra Kristelig Folkeparti. De øvrige partiene valgte å forholde seg til opplysninger og forsikringer gitt av helseministeren og regjeringspartienes representanter, opplysninger som i ettertid har vist seg å være I stortingsdebatten i denne saken uttalte Arbeiderpartiets hovedtalsperson følgende: «Vi ønsker å forsikre alle det gjelder, om at ingen vil få dårligere helsetjenester enn de mottar i dag, uansett omorganisering eller flytting. Trygge og gode helsetjenester står høyest i fokus for oss rød-grønne, og det er helt uaktuelt å kompromisse på kvalitet når det gjelder folks helse.» Videre uttalte daværende helseminister, Anne-Grete Strøm-Erichsen, følgende: «Når det er sagt, deler jeg forslagsstillernes syn på at endringene ikke kan iverksettes før vi er sikre på at befolkningen som overføres fra Aker, er sikret et like godt eller bedre tilbud ved Ahus. Forslagsstillerne er bekymret for kapasiteten ved Ahus og viser til at det har vært problemer med ventetider og korridorpasienter. Til det vil jeg bemerke at Ahus ikke er ferdig utbygd ennå. Kapasiteten vil være vesentlig utvidet fra 2011, når den siste sengefløyen og et nytt pasienthotell er ferdigstilt.» Uansett – det er lite samsvar mellom de løfter som den tidligere helseministeren har gitt, og dagens situasjon for pasienter som er berørt av omleggingen. Det som frustrerer Fremskrittspartiet mest, er hvor – hvilket ord skal man bruke – marginalisert mange innbyggere i Groruddalen føler seg, og hvordan regjeringen rett og slett ignorerer befolkningen i Groruddalen. Dette er mennesker som er veldig frustrert. Det er veldig mange som er engasjert for Aker sykehus. Regjeringen fortsetter å ignorere disse menneskene. Jeg synes det er en skam at regjeringen ikke tar det på alvor. Representanten Høie ba i sitt innlegg om en separat votering over ett av de fire delforslagene i det som nå omtales som forslag nr. 1 blant mindretallets forslag i innstillingen. Dette delforslaget, som innebærer en justering av dagens finansieringsregelverk, slik at 70 pst. av kostnadene ved større nyinvesteringer kan lånefinansieres, var ikke kjent for oss før kl. 14.30 i dag og inngikk inntil da som en del av et større forslag som vi er uenig i. Jeg har ikke tid til å begrunne vår uenighet i helhet her, men bare si kort at det dreier seg om slike ting som at det blir kostbart og gir økt unødvendig administrasjon. Uansett, jeg kan ikke anbefale Arbeiderpartiets gruppe å stemme for dette delforslaget. Helseministeren har offentlig gitt uttrykk for Arbeiderpartiets syn i saken. Vi er for en utvidelse til 70 pst. En viktig forutsetning er at helseforetakene nå er i posisjon til å investere. Representanten Per Arne Olsen var opptatt av å se framover og ikke bakover – det kan jeg forstå – og brukte ordet Faktum er at dagens regjering har fått orden på sykehusenes økonomi – det er en forutsetning for at vi i det hele tatt har denne diskusjonen i dag – og at sykehusene kan levere gode, forutsigbare tjenester til hele landets befolkning. Alle regionale helseforetak har nå økonomiske langtidsplaner hvor det ligger inne I perioden 2002–2005 opparbeidet sykehusene seg et samlet korrigert underskudd på mer enn 6 mrd. kr. Jeg vil gjerne høre fra representanten Per Arne Olsen hvor det er vi erindrer feil. Denne oppryddingen har lagt grunnlaget for større investeringer, men endring av sykehusenes finansiering er et budsjettspørsmål. Vi behandler ikke løsrevne forslag i Stortinget over bordet. Vi behandler ikke statsbudsjettet i puslespillbiter gjennom hele året. Det jeg derimot gjerne vil gjøre, er å invitere Høyre til å stemme for regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014. Det må være den logiske konsekvensen dersom det er viktig for partiet at vi står sammen i denne saken – om partiet vil behandle budsjettspørsmål på ordinær måte – og at vi er
plan er at det er en ny regjering som skal beholde budsjettpunktet fra den avgåtte regjeringen om lånefinansiering på 70 pst. Flere har vært innom situasjonen i helseforetakene i 2005.

ansvaret for den økonomiske situasjonen som helseforetakene var i i 2005, er et ansvar som alle partiene som stemte for reformen i 1999, er nødt til å dele. Det var en forutsetning for at det var mulig å gjennomføre reformen. Det hadde fått dramatiske konsekvenser for pasientene i dette landet hvis sykehusene skulle gått i balanse i den fireårsperioden. Deler av den historiefortellingen er riktig, og det er verdt å minne om at alle har et ansvar, og at den situasjonen med manglende åpningsbalanser var reell. Det tror jeg var en nyttig påminnelse. Det å bli tvunget til å budsjettere med underskudd handler også om den sittende regjeringens vilje til å finansiere de satsingene som er. Når vi sier at sykehusene var i milliardunderskudd i 2005, er det en beskrivelse av virkeligheten. Det er en lærdom at det tok flere år før man gradvis, med hardt arbeid, gjennom arbeidet ute i sykehushverdagen og en lærdom at det tok flere år før man gradvis, med hardt arbeid, gjennom arbeidet ute i sykehushverdagen og gjennom påplussinger på budsjettene – 12 mrd. kr – har klart å bringe orden i sykehusøkonomien. Det er en realitet som iallfall ikke en avgått regjering kan argumentere seg bort fra. Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 10 og 11. Etter ønske fra helse- og omsorgskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til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

og av den akuttmedisinske kjede. Vi må ha et likeverdig legevakttilbud i hele landet, og vi må sikre tjenesten kvalitet, kompetanse og tilgjengelig. Fremskrittspartiet har fremmet et forslag om å utarbeide en nasjonal handlingsplan for legevakt for å sikre kvalitet, kompetanse Forslagsstillerne mener den bør bygge på de tiltak og anbefalinger som framkommer i rapporten fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin fra 2009. I rapporten går det fram at det er svært store variasjoner ved norske legevakter med hensyn til lokaler, utstyr, drift og bemanning. Dette har også kommet fram i en rekke medieoppslag i fjor høst og i vinter. Fastlegene utgjør en viktig del av legevaktordningen og har plikt til å delta i ordningen. Regjeringen har nylig revidert fastlegeforskriften. Det blir viktig å evaluere om endringene regjeringen har gjort i forskriften, har de ønskede effektene, da særlig om økt til fastlegen bidrar til å avlaste legevakten, og om flere leger deltar i legevakten etter den nye fastlegeforskriften. Det har lenge vært etterlyst en egen legevaktforskrift, eventuelt om videreutvikling av legevakt kan skje gjennom revisjon av akuttmedisinforskriften. Dette er et arbeid som nå pågår, og flertallet er opptatt av at nasjonale kvalitetskrav til legevakttjenesten må være en viktig del av den. Kompetansekravet til leger som deltar i legevakt, er varslet fra regjeringen i forbindelse med revisjonen av forskriften. Dette er i tråd med Helsetilsynets anbefaling fra 2006, som mener det i større grad bør legges opp til standarder og rutiner for I 2006 fikk regjeringen anbefalinger fra Helsetilsynet. To millioner mennesker henvender seg årlig til legevaktene. Da har det vært 12 millioner henvendelser siden regjeringen fikk disse anbefalingene. Kanskje det snart er på tide å gjøre som regjeringen har tatt – tross alt – støtter ikke flertallet, bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, forslaget om en nasjonal handlingsplan for legevakter og foreslår at dokumentet vedlegges protokollen. Mindretallet, bestående av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, støtter forslaget og peker på at en plan bør stille krav til bemanning. Erfaringer viser at hver femte lege på vakt er turnuslege, og at erfarne leger setter bort sine vakter til yngre, uerfarne leger. Ifølge Norsk Legevaktforum fritas 10–30 pst. av fastlegene fra legevakt. En nasjonal handlingsplan for legevakt bør også inneholde krav til moderne kommunikasjonssystemer, slik at legevakt har tilgang til avgjørende informasjon om pasienter. Legevakt er en viktig del av helsetjenesten og den akuttmedisinske kjede. En nasjonal handlingsplan bør derfor vektlegge hvordan legevakt skal samhandle med den øvrige kommunale helse- og omsorgstjenesten og med spesialisthelsetjenesten. Mange steder har kommuner gått sammen om legevakt. Interkommunale legevakter har vært vellykket en rekke steder. Likevel må det gjøres en risikovurdering ved organisering i store legevaktdistrikter, fordi effekten må vurderes opp mot tilgjengelighet. Jeg tar med dette opp mindretallets forslag. Representanten Line Henriette Hjemdal har tatt opp det forslaget hun refererte til. Arbeiderpartiet deler mange av saksordførerens vurderinger. Legevakttjenesten er viktig. Det handler om å få hjelp i en akutt helsesituasjon og om å ha trygghet for at slik hjelp er tilgjengelig. Legevakttjenestene må ha kompetanse og verktøy for å løse sin oppgave. Flertallet støtter imidlertid ikke forslaget om en nasjonal handlingsplan for legevakt. Det er ikke en ny plan denne delen av helsetjenestene trenger. Legevakt er og bør være et kommunalt ansvar. De lokale utfordringene er forskjellige, og kommunene må ha frihet til å innrette tjenestene i samsvar med lokale behov. Statens styring av kommunesektoren bør begrenses til det som er nødvendig, og løsninger må utformes slik at behovet for å sikre et forsvarlig og fullverdig helse- og omsorgstilbud i kommunene ikke glir over i en sentralstyring som stenger for innovasjon, tilpasning og gode, lokale løsninger. En solid kommuneøkonomi er en viktig forutsetning for gode kommunale legevakttjenester. Regjeringen har styrket kommuneøkonomien betydelig. Siden 2005 har de frie inntekter økt med nærmere 5 mrd. kr årlig. Siden Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin la fram rapporten som saksordføreren viste til, har det skjedd mye innen de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Regjeringen har jobbet målrettet med å videreutvikle rammene for det kommunale helse- og omsorgstilbudet generelt og tatt grep når det gjelder den kommunale allmennlegetjenesten spesielt. Fastlegene må være ryggraden i legevakttjenestene. 1. januar 2011 fikk vi en ny kommunal helse- og omsorgstjenestelov som pålegger kommunene å gi nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som oppholder seg i kommunen. Utvikling og styrking av fastlegeordningen er en direkte og indirekte styrking av legevakttjenesten, siden mange fastleger også er legevaktleger. I tillegg kunne mange av dem som i dag oppsøker legevakt, fått bedre hjelp hos fastlegen. Etter den nye fastlegeforskriften er det plikt for fastleger til å delta i legevakt. Jeg er enig med saksordføreren i at det er viktig å evaluere om endringene i forskriften har den ønskede effekten. Opposisjonen er bekymret for at legevaktene ikke har tilgang til opplysninger om pasientens fastlege. Til dette er det å si at det allerede i 2003 ble lagt til rette for at deler av helsetjenestene skulle få tilgang til opplysninger om pasientens fastlege. Tilgangen ble begrenset til bl.a. legevakt. Legevaktene kan altså enkelt finne ut hvem som er den enkelte pasients fastlege. Et annet spørsmål som berøres i saken, er ansvaret for overgrepsmottakene. En evaluering utført av Nordlandsforskning i 2012 viste store variasjoner i innhold og kvalitet ved overgrepsmottakene. Den viste også at det er uklarhet om oppgave- og ansvarsfordelingen mellom kommuner og sykehus, og at dagens 22 mottak fungerer svært ulikt. Flere av mottakene tar ikke imot barn. Alle overgrepsutsatte må møtes med respekt og forståelse og få tilbud om hjelp av høy faglig kvalitet. Forankringen av overgrepsmottakene i spesialisthelsetjenesten skal sikre at alle overgrepsutsatte får tilgang på kompetanse på det nivået de har behov for. Barneombud Anne Lindboe har ment at barn ikke har et godt nok tilbud ved vold og mistanke om overgrep. Det er en situasjon vi ikke kan leve med. Hun støtter omorganiseringen og kaller den fornuftig og nødvendig. På sykehus finnes det barneleger med bred kompetanse. Her vil det nå kunne bygges opp en bredere og mer faglig kompetanse enn den vi i dag ser på overgrepsmottak, og som kun tar inn pasienter over 14 år. Overgrepsmottakene egner seg godt for samhandling mellom Kommunale overgrepsmottak ved de legevaktene som i dag fungerer godt, kan og bør videreføres gjennom avtaler mellom kommuner og sykehus. Overgrepsmottaket i Oslo er et eksempel på et stort mottak som har gode resultater, og som etter flertallets syn bør kunne videreføres som et samarbeidsprosjekt mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen. Det er snart på tide å gjøre noe, sier saksordfører Line Henriette Hjemdal, og viser til 12 millioner legevakthenvendelser, som om disse ikke tas hånd om på en forsvarlig måte. Men all respekt, folk som oppsøker legevakt i Norge, får god hjelp, og regjeringen har gjort mye og skal gjøre mer. Alle norske kommuner er

pålagt å ha en legevakttjeneste. Legevakttjenesten skal gi et allmennmedisinsk behandlingstilbud for akutte tilstander utenfor den vanlige åpningstiden for legekontorene. Legevakttjenesten er således et meget viktig tilbud i den akuttmedisinske kjeden og en viktig del av primærhelsetjenesten. I de senere årene har det blitt et økende fokus på å levere helsetjenester av god kvalitet og med Legevakttjenesten er særdeles sårbar, sett i et slikt perspektiv, fordi arbeidet her går fort for seg, med ukjente pasienter og blir utført av leger med svært varierende erfaring og ofte uten noe særlig støtteapparat rundt. Manglende kommunikasjons- og konsultasjonsteknikk kan også føre til avgjørende feilvurderinger. Media har gjentatte ganger hatt saker som framstiller legevakt som risikofylt og med vekslende kvalitet, med mange feil I representantforslaget vi i dag behandler, vises det også til flere nyhetsoppslag i TV 2, hvor det trekkes fram at Knut, Jakob og Øyvind mistet livet som følge av grove feil ved legevakten. Mange vil gå så langt som å si at legevakttjenesten har et økende omdømmeproblem i befolkningen. TV 2 mener å kunne fastslå at norske legevakter er nedprioritert av regjeringen. Haga-utvalget påpekte i 1998 at det var et sterkt behov for å styrke den allmennmedisinske delen av det akuttmedisinske arbeidet, og de lanserte en rekke forslag. Stortinget sluttet seg til mange av disse forslagene da akuttmeldingen ble behandlet i Stortinget høsten 2000 og våren 2001. Et av de tiltakene stortingsflertallet sluttet seg til, var at det skulle opprettes et nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin for å styrke kompetansen og koordinere ressurser innen akuttmedisin. for å styrke kompetansen og koordinere ressurser innen akuttmedisin. Dermed var klarsignalet gitt til å få på plass Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Selv om det har vært gjort noen grep når det gjelder legevakttjenesten, har ikke det ført til de store forbedringene. Statens helsetilsyn har vært veldig misfornøyd med kvaliteten på tjenesten på en rekke områder og har påpekt manglende kommunal styring av tilbudet. De har videre påpekt at det er behov for en organisatorisk og administrativ opprustning av legevakttjenesten mange steder. Legeforeningen har lenge arbeidet for å få en bedre legevakttjeneste. Helsedirektoratet ba så Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin om å utarbeide et forslag til en handlingsplan for utvikling av legevakttjenesten i Norge. Rapporten var ferdig i 2009 og fikk tittelen «… er hjelpa nærmast!» I denne rapporten avdekkes det flere uholdbare forhold ved norske legevakter. Kompetansesenteret gir regjeringen klare råd om å få på plass nye nasjonale krav til legevakt.

når det gjaldt legevakt, men skuffelsen ble stor. Regjeringen hadde i liten grad fulgt opp anbefalingene fra kompetansesenteret, men framholdt at de vurderte de foreslåtte tiltakene. Da Fremskrittspartiet så fremmet sitt representantforslag i kjølvannet av de tragiske oppslagene i TV 2, fikk vi også statsrådens vurdering av dette forslaget. Vi ser at noen av tiltakene Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin foreslo, skal følges opp i forskrifter. Når det gjelder det vesentligste grepet for å sikre pasienter i hele landet forsvarlig og trygge legevakttjenester Regjeringen viser gjerne til sin styrking av kommunesektoren, og så toer de sine hender og anser problemet for å være ute av verden. Samtidig sitter valgkampmaskineriet på Youngstorget og leter etter borgerlig styrte kommuner som de kan kritisere i valget. Svarteperspillet er i gang. Jeg har tidligere nevnt at Helsetilsynet påpeker behovet for omfattende organisatoriske og administrative endringer ved mange norske legevakter. Men hvem bryr seg om hva Helsetilsynet mener? I rapporten vi fikk fra Helsetilsynet i forrige uke, ser vi at Agenda Kaupang har utarbeidet en rapport om bl.a. avvikshåndtering i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Der framkommer det at under en tredel av tilsynsrapportene med avvik behandles politisk i norske kommuner. Så i tillegg til svarteperspillet ser jeg for meg de tre apekattene: intet sett – intet hørt – intet sagt. Skal vi få løftet norsk legevakttjeneste opp på et kvalitativt forsvarlig nivå innen rimelig tid, må det en helhetlig tilnærming til. Vi kan ikke ha enkelttiltak, stykkevis og delt. Jeg vil derfor anbefale forslaget om å få på plass en behandlingsplan for legevakt for å sikre kvalitet, kompetanse og tilgjengelighet for brukerne. Siden jeg tror på mirakler, og siden dette trolig er mitt siste innlegg fra Stortingets talerstol, håper jeg regjeringspartiene ser fornuften i det

første gang i innstillingen til stortingsmeldingen om Samhandlingsreformen etter at Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten hadde vært på høring i komiteen og veldig tydelig presentert det som da var en ganske ny rapport om situasjonen i norsk legevakt. Man hadde da store forventninger om at dette skulle bli omtalt i den nye loven om kommunale helse- og omsorgstjenester. Der viste man til forskriftene som kom. Så kom forskriftene til høring, da var ikke dette tatt med. Nå er en ny akuttforskrift under utarbeidelse, og igjen er det et stort håp om at det i den nye akuttforskriften vil komme mer klare nasjonale føringer om krav til kvalitet og innhold i den kommunale legevakten. Opposisjonen mener at vi har behov for en handlingsplan på dette området. Det er ikke veldig spesielt at staten, Stortinget regjeringen sammen med kommunene utarbeider handlingsplaner på områder der kommunene har et ansvar. For staten har faktisk en del ansvar for rammebetingelsene og mulighetene for å drive en forsvarlig, kommunal legevakt – f.eks. noe så grunnleggende som tilgang på kompetente leger. Det bidraget regjeringen har gitt her, er å frata de mest erfarne fastlegene plikten til å delta i legevakt. Dermed øker presset ytterligere øker presset ytterligere på de andre legene i fastlegeordningen som i dag da får en større vaktbelastning. Det er altså regjeringens bidrag til å heve kompetansen i legevakten – på et tidspunkt der en hadde fått klare advarsler om dette. Høyre vil støtte forslaget om å få en nasjonal handlingsplan på dette området. Det er også en god anledning til å takke representanten Jon Jæger Gåsvatn for godt samarbeid i komiteen i fire år og for sterkt engasjement, ikke minst på dette området, og for omsorgssektoren spesielt. Det vil alltid skje feil på legevakt. Det skjer veldig mykje bra på legevakter rundt omkring. Det er

Legevakt er veldig viktig, og det er ryggraden i legevakttenesta ute i kommunane. Som det er sagt, har Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin i ein rapport frå 2009 slått fast at det er altfor store variasjonar med omsyn til lokale, utstyr, drift og bemanning, at svært mange fastlegar ikkje deltar i legevakt, sjølv om dei har plikt til det gjennom avtale, at kommunane òg har eit ansvar her,

at når vi reviderer forskrifta, skal vi vera tydelege på at den må føra til betre legevaktordningar rundt omkring i landet. Køyrer ein ambulanse, er det strenge reglar, både når det gjeld kompetanse og utstyr, og at dei er to i bilen. Køyrer ein legevakt, køyrer ein framleis aleine rundt med veska si – alle moglege plassar og inn i alle moglege heimar.

ein har kanskje ikkje fått den nødvendige oppbygginga av kvaliteten i tenesta. Men det er det altså mogleg å gjera noko med. Da vi behandla Samhandlingsreforma, kom det inn ein merknad der om at ein merknad der om at legevaktarbeidet skulle styrkjast, anten i form av ei eiga forskrift eller som utviding av akuttmedisinforskrifta. Eg er veldig glad for at det er gjorde tiltak og er komne inn kompetansekrav til dei som køyrer legevakt aleine, og for at kommuneøkonomien er styrkt. Det er på gang eit felles, nasjonalt og, som sagt, er dette arbeidet ikkje enda. Det er på gang ei evaluering. I forslaget frå Framstegspartiet er eit av punkta at landet bør verta organisert i seks til åtte legevaktdistrikt. Eg er for større legevaktdistrikt, for det viktigaste er stabil legedekning som køyrer legevakt i dei distrikta der dei jobber. Men mi åtvaring mot for store legevaktdistrikt er at det ikkje hjelp viss det ikkje fører til at det er legane som jobber der, som køyrer legevakt. Det ein har sett, er at det vert meir lukrativt å gi vekk vaktane sine i store legevaktdistrikt, og då er ein jo like langt. I Bergen kommune, der det er mange fastlegar, har dei òg eit veldig stort problem med at fastlegane ikkje tar legevaktvaktane sine sjølv. Då er ein like langt, så dette med legevaktdistrikt er ikkje ei løysing i seg sjølv. Det må følgjast opp med andre verkemiddel. No er det fleirtal av kvinner på medisinstudiet; det har vore det i mange år. Legevakt køyrer ein utanom vanleg arbeidstid, og kven trur at ein i framtida vil akseptera dette når ein har familie og ungar. Mitt forslag er at ein må utvida den kommunale tida som er. Det som er seks eller åtte timar i veka i dag, må opp og inn under normal arbeidstid. Det vil vera eit stort løft. Det var det ingen frå opposisjonen som krevde, da fastlegeforskrifta vart behandla, men det er dét som må til, og på sikt får vi det kanskje til å verta slik. Legevakt er

Nå er det å drive legevakt i Norge ingen enkel oppgave. Vi har et langstrakt land, behovene lokalt varierer. Derfor er det en grunnleggende holdning at kommunene må ha frihet til å innrette tjenesten i tråd med lokale behov. Samtidig skal de sikre alle borgere gode og likeverdige tjenester. Vi må balansere behovet for statlig styring med behovet for lokal handlefrihet. Statens styring av kommunesektoren skal begrenses til det nødvendige. Kommunene skal gis handlingsrom innenfor nasjonalt fastsatte rammer. Vi må derfor finne en balanse i styringen som stimulerer til innovasjon og nytenking og til etablering av hensiktsmessige lokale løsninger. Regjeringen har vært tydelig på hvilken retning vi ønsker at den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal utvikle seg. Samhandlingsreformens retning er at flere mennesker får behandling og oppfølging nærmere der de bor. Vi har gjennom lov- og forskriftsendring tydeliggjort kommunenes ansvar for den kommunale Arbeidet med innføring av nasjonal kjernejournal er et viktig oppfølgingspunkt i IKT-meldingen som Stortinget behandlet i vår. Kjernejournal vil kunne utgjøre en forskjell i akutte situasjoner på legevakt. Vi har planlagt en begrenset pilot i Trondheim høsten 2013 som inkluderer legevakt, akuttmottak og fastleger. For å bedre tilgjengeligheten til legevakten skal det innføres ett nasjonalt legevaktnummer. Utprøving viser gode resultater. Den nasjonale utrullingen er planlagt våren

og de må selvfølgelig delta i legevakt som en del av opplæringen til fremtidig arbeid i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Poenget er at de må ha støtte og oppfølging fra erfarne kolleger. Endring i grunnutdanningen for leger gir et tydelig signal om turnuslegenes viktige rolle. Turnus er ikke lenger et nødvendig krav for å bli autorisert som lege, men er snarere et første skritt mot det å bli spesialist. Men la meg understreke: Turnusleger og andre leger med liten erfaring i legevaktarbeid må ha andre og mer erfarne leger å støtte seg på for å ivareta pasientsikkerheten og for å gi legen den nødvendige trygghet i tjenesten. Det er kommunens ansvar å sikre turnuskandidatene tilstrekkelig veiledning under opplæring. Representantene foreslår å legge fram en detaljert nasjonal handlingsplan for legevakt i tråd med forslaget fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Jeg vil si som representanten Toppe at her er det mange gode forslag. Men det er også vår holdning at dette er forslag som blir fulgt opp løpende, og at det ikke er behov for en handlingsplan. Det vil ikke løse utfordringene i legevakttjenesten. Dette er delvis et spørsmål om økonomi, om kompetanse, om kapasitet og utstyr, og alle områdene fortjener oppmerksomhet. Jeg vil fortsette det viktige arbeidet med å videreutvikle den kommunale allmennlegetjenesten og legge til rette for en bærekraftig og kompetent kommunal legevakttjeneste som sikrer befolkningen nærhet til øyeblikkelig Og så hører det med her, som representanten Toppe var inne på, at rekrutteringen til allmennlegeyrket er en viktig del av dette. Det er god rekruttering til legeyrket i Norge, det blir utdannet flere leger i forhold til befolkningsveksten, slik at det samlede tallet på innbyggere per lege går i riktig retning. Men rekrutteringen til allmennlegefaget er en utfordring. Det merker vi på og det understreker bare behovet for å ha gode rekrutteringsordninger for allmennmedisin, og at det legges til rette for at stadig flere kvinner vil være i denne gruppen. Det blir replikkordskifte.

Ser statsråden at dette kan føre til en ytterligere kvalitetssenking av legevaktsarbeidet? Hvordan vil han møte den utfordringen og sikre den støtten til turnuskandidatene som han tok til orde for i innlegget sitt? Det korte svaret på det er: Ja, jeg ser det problemet. Vi debatterte det i denne sal på slutten av fjoråret og inn i dette året, om hva den aldersgrensen hadde å si. Jeg sa da at vi ville foreta en evaluering, ikke etter lengre tid, men etter kort tid. Den evalueringen har vi foretatt, og den gir meg grunn til å stille spørsmål ved aldersgrensen. Så dette vil jeg vurdere, og jeg ønsker å kunne tilkjennegi konklusjonen på den vurderingen ganske snart. Ja, vi har mange dyktige turnusleger, og statsråden er

prosent av oss er alene på jobb helt uten faglig eller praktisk støtte som det for eksempel er på sykehus. Dette er situasjonen i Norges over 200 legevaktsdistrikt fire år etter den alarmerende rapporten.» 85 pst. av dem som Norsk Legevaktforums leder henviser til, er alene uten støtte. Ja, det er viktig at turnuskandidatene har noen erfarne og støttende leger i bakvakt, men hva da med dette tallet – 85 pst. – som leder av Norsk Legevaktforum skriver om. Jeg tror jeg må svare omtrent som jeg gjorde i mitt innlegg, at det er viktig at turnusleger og de med mindre erfaring har god støtte av dem med mer erfaring, og at de har dem så nært på som mulig i det arbeidet som de utfører. Men som også representanten Toppe var inne på, legevakt handler om å kjøre ut fra kontoret, ut å besøke folk hjemme, og det er ikke slik at vi har en standard på at det er to leger på alle de reisene. Men her har vi påpekt behov for å kunne styrke en tjeneste på veldig mange felt, og hvor vi må avbalansere det mot – som jeg sa – økonomi, kompetanse og rekruttering. Derfor mener jeg at det er de vurderingene de gjør lokalt i de enkelte kommuner – for tilstanden kan være veldig forskjellig fra kommune til kommune – som er det avgjørende. Da handler det også om hvilken kommuneøkonomi vi gir kommunene – og da deres anledning til å gjennomføre dette, og måten vi utruster forskriften på til hjelp for det. Replikkordskiftet

fordi me no endeleg har ratifisert FN sin konvensjon av 10. desember 1984 «mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff». Denne saka er derfor ei oppfølging av den ratifikasjonen for å sørgja for at det kjem på plass ein nasjonalt førebyggjande mekanisme som Sivilombodsmannen då vil bli. Så har det vore ein del usemje om dette, sjølvsagt, for enkelte menneskerettsorganisasjonar ville òg vera med og gjera jobben. Men det komiteen har gjort, er for så vidt litt i samarbeid med kommunalkomiteen knytt til dette ansvaret som Sivilombodsmannen no får, at me skal sørgja for stadig vekk å evaluera det arbeidet som Sivilombodsmannen gjer med denne saka. Men no blir Sivilombodsmannen gjeve anledning til å rykkja ut på inspeksjon i lukka organ: på asylmottak, i fengsel, i militære arrestar, barnevernsinstitusjonar og psykiatriske institusjonar. Stortinget ser fram til når Sivilombodsmannen etter kvart rapporterer om dette framover. Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 13 og 14.

tryggheten. Spesielt ille er det når vold og overgrep rammer de mest sårbare, nemlig barna. Regjeringen har derfor varslet at det kommer en egen strategi om vold og seksuelle overgrep overfor barn og ungdom. Den saken vi behandler i dag, er ett slikt tiltak for å beskytte barn mot seksuelle overgrep. Den gjelder endringer i utlendingsloven. Det foreslås i denne saken innføre hjemmel for å avslå søknad om oppholdstillatelse for særkullsbarn i familieinnvandringssaker der referansepersonen, dvs. ektefellen til barnets forelder, i løpet av de siste ti årene er dømt for seksualforbrytelser mot et barn under 18 år. En samlet komité støtter at en slik karantene innføres. Det foreslås også at oppholdstillatelse kan nektes hvis det er grunn til å frykte at særkullsbarnet vil bli utsatt for seksuelle overgrep. Det kreves da ikke lenger sannsynlighetsovervekt i slike saker, og det kreves ikke at det foreligger en dom. En samlet komité er også enig i dette forslaget. I saker der referansepersonen er siktet eller mistenkt for slike forhold, foreslås det at saken stilles i bero inntil det er avklart om dette er en situasjon som får betydning for søknaden. En samlet komité støtter også dette.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

Under komiteens behandling mottok vi et brev fra statsråden, der hun redegjorde for et behov for enkelte tekniske rettelser i lovforslaget. Det har komiteen fulgt opp gjennom et enstemmig forslag til justeringer i §§ 108 og 128 og forslag til ny § 128 a. I sistnevnte er adgangen til å gi forskrifter om utveksling av opplysninger mellom offentlige organer i saker som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn, skilt ut i en egen bestemmelse. Komiteen gir enstemmig sin tilslutning til de forslagene regjeringen har fremmet i denne saken. Det betyr at heretter skal saker som gjelder inngrep i en utlendings oppholdstillatelse, dvs. utvisning, tilbakekall eller avslag på fornyelse, behandles av Justis- og beredskapsdepartementet som førsteinstans og deretter kunne klages inn for domstolene, uten kostnad for utlendingen. Det vil føre til raskere saksbehandling i slike saker, noe komiteen ser som en fordel. Det innføres også en ordning med en ekstra sikkerhetsklarert advokat, noe som gjør at flere graderte opplysninger kan framlegges. Det vil være en fordel for begge parter. Det fremmes også forslag som vil føre til raskere behandling i sikkerhetssaker der UDI fortsatt skal være førsteinstans, dvs. i saker der utlendingen ikke har opphold fra før. Forslaget til vedtak i saken fremmes altså av en enstemmig komité. Det eneste stedet der komiteen ikke er samstemt, er i merknadene som gjelder retten til flyktningstatus og vernet mot utsendelse, også i saker som berører grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn. Flertallet i komiteen, alle unntatt Fremskrittspartiet, forholder seg til at det er slik i henhold til Flyktningkonvensjonen når det gjelder retten til beskyttelse, og i henhold til både Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og Flyktningkonvensjonen når det gjelder vern mot utsendelse. Fremskrittspartiet deler ikke flertallets syn når det gjelder tolkningen av Flyktningkonvensjonen. Det får imidlertid ingen konsekvenser for innstillingen i saken. Den er som sagt enstemmig. saken. Den er som sagt enstemmig. Den ulike forståelsen av internasjonale forpliktelser får vi rikelig anledning til å komme tilbake til i neste sak. Jeg merker meg at hele komiteen støtter forslaget om nye regler for behandling av sikkerhetssaker etter utlendingsloven. Jeg vil også takke for utmerket samarbeid med komiteen, som sikrer at vi nå får en korrekt lovtekst. Det er viktig at myndighetene kan fatte vedtak som ivaretar grunnleggende nasjonale interesser og En forutsetning for dette er at saksbehandlingsreglene ivaretar hensynet til både rettssikkerhet og nødvendig konfidensialitet. Jeg mener at de foreslåtte regelendringene representerer en god balanse mellom disse hensynene. Samtidig legges det til rette for en effektiv saksbehandling. Jeg vil understreke at det er tale om få, men viktige og krevende saker. Behovet for konfidensialitet grad. Staten vil bestrebe seg på at vedtakene i størst mulig grad bygger på informasjon som ikke må holdes skjult for den vedtaket gjelder. Jeg har merket meg i innstillingen at mindretallet har sagt seg uenig i en uttalelse fra flertallet. Flertallet skriver at en utlending ikke kan nektes status som flyktning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn. Representantene fra Fremskrittspartiet ser derimot ut til å mene at Flyktningkonvensjonen åpner for dette. Jeg vil understreke, som også foregående taler – saksordføreren – gjorde, at dette spørsmålet ikke har betydning for de foreslåtte lovendringene. Jeg finner det likevel nødvendig å bemerke at uttalelsen fra komiteens flertall er riktig. Adgangen til å nekte anerkjennelse som flyktning er regulert i utlendingsloven § 31 og Flyktningkonvensjonens artikkel 1F. Verken grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn er blant grunnlagene for å nekte anerkjennelse. De bestemmelsene i Flyktningkonvensjonen mindretallet framhever til støtte for sitt syn, åpner heller ikke for dette. De gjelder ganske enkelt andre spørsmål. Artikkel 9 gjelder tiltak rettet mot enkeltindivider i krigssituasjoner eller lignende. Artikkel 2 slår fast at flyktninger plikter å rette seg etter mottakerlandets lover. Artikkel 33 åpner for å utvise en flyktning av hensyn til nasjonal sikkerhet, men ikke for å nekte anerkjennelse som flyktning. Jeg vil understreke at også norsk rett åpner for utvisning av flyktninger av slike hensyn. Retur kan imidlertid aldri finne sted så lenge det foreligger en reell fare for alvorlige overgrep. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 16. Etter ønske fra kommunal- og forvaltningskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og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

Dagens utlendingslov ble vedtatt av Stortinget i april 2008 og trådte i kraft 1. januar 2010, etter et omfattende arbeid med bred politisk enighet. Utlendingsloven med tilhørende forskrifter er i seg selv et komplisert regelverk for regulering av og kontroll med inn- og utreise og utlendingers opphold i riket. Fremskrittspartiets forslag er omfattende, og ble tildelt komiteen for bare 3 uker siden, mandag 27. mai.

Vedlagt innstillingen følger brev fra justis- og beredskapsministeren, der hun gjennomgår de viktigste forslagene til endringer. På samme måte som tidligere arbeids- og inkluderingsminister vurderte det i 2008, konkluderer nåværende minister på utlendingsfeltet med at en rekke av forslagene bryter med Norges grunnleggende internasjonale forpliktelser på utlendingsfeltet. For alle de andre partiene er dette grunn nok i seg selv til å innstille på at forslagene ikke bifalles. Som i 2008, vil forslagene bare få Fremskrittspartiets egne stemmer. Innenfor rammen av et 5-minuttersinnlegg er det ikke mulig å kommentere alle forslagene, men retningen på dem anslås allerede i forbindelse med formålsparagrafen. Fremskrittspartiet foreslår her å innføre en restriktiv fortolkning av alminnelig folkerett og internasjonale konvensjoner. Det finnes det allerede internasjonale kjøreregler for. Vi kan ikke lage vår egen praksis i strid med det. Bruken av begreper som at loven bare skal omfatte dem som er reelt forfulgt, uttrykker dessuten en sterk skepsis til at mange av dem som får flyktningstatus i dag, egentlig ikke er forfulgt. Det er en oppfatning Fremskrittspartiet står alene om. Flere av forslagene Forslagsstillerne mener at Norge skal tolke Schengen-avtalen på sin egen måte ved å senke kravet til grensekontroll. Det har vi ikke adgang til å gjøre. Det skal bli vanskeligere å få opphold i Norge for en rekke grupper, til og med for personer som har krav på beskyttelse. Fremskrittspartiet vil sende dem tilbake til den regionen de kom fra, og la andre land ta seg av dem. Arbeidsinnvandrere skal ikke lenger få permanent opphold. De skal heller ikke få rett til å ta med seg sine familier til Norge. Det er ikke brudd på internasjonale konvensjoner, men likevel ikke særlig smart, med tanke på rekruttering av framtidig arbeidskraft. Det som er brudd på internasjonale konvensjoner, er imidlertid forslagene om å senke terskelen for å frata folk med beskyttelsesbehov deres flyktningstatus, jf. forrige sak,

når det gjelder muligheter for permanent opphold, og når det gjelder muligheter for familiegjenforening med både ektefeller og barn. Det fremmes også forslag om senket terskel for bruk av tvangsmidler, bl.a. lukkede mottak for alle som ikke kan dokumentere sin ID ved ankomst. Summen av alle forslagene som fremmes, bryter med Rasediskrimineringskonvensjonen, Den europeiske menneskerettskonvensjon, FN-konvensjonen om sosiale og politiske rettigheter og Barnekonvensjonen. Mindre alvorlig, men like fullt noe ingen andre partier ønsker å slutte seg til, er at de strengere reglene for både permanent og midlertidig opphold vil føre til et betydelig administrativt merarbeid, stikk i strid med det forslagsstillerne selv sier at de ønsker. Som sagt: Forslagene får ikke støtte fra noen andre partier. Jeg forutsetter at forslagsstillerne selv tar opp de forslag de ønsker å fremme i saken.
Neste taler er representanten

Grunnen til at vi gjorde det, var for å unngå at vi skulle komme i en situasjon der det ble framsatt en del påstander om at dette forslaget bryter med internasjonale konvensjoner. Nå sier heller ikke statsråden at det bryter med internasjonale konvensjoner, slik saksordføreren sa, men statsråden sier at det kan bryte med dem. Og det er for meg en viss forskjell. Finland har gjort en del endringer i lovverket sitt for å redusere innvandringen, og de har effektivisert utsendingen av ulovlige innvandrere. Danmark har gjort det samme. I England diskuterer man for tiden nye lover for å begrense innvandringen, og i Sveits gjør man akkurat det samme. samme. Så vidt jeg vet, bryter de ingen internasjonale konvensjoner. I sine brev skriver statsråden at vi kan bryte en del konvensjoner, og at det er stor forskjell på det forslaget vi har lagt fram, og det de har lagt fram i Danmark. Rett før jeg gikk i salen, gikk jeg gjennom reglene som gjelder innvandring til Danmark, og jeg klarte faktisk ikke å se de helt store forskjellene.